alt til en sekkepost, flerårige budsjetter. Hvis Arbeiderpartiet mener at vi skal begynne å budsjettere sånn i Stortinget, med flerårige budsjetter, ser jeg med glede fram til det. Men akkurat nå føler jeg at Arbeiderpartiet mer er på det sporet der en person sier én ting, en annen person sier noe annet, og så er det egentlig bare for å være kritisk. Da

det. Poenget måtte jo være at når man etablerte et selskap, skulle man fase inn penger i tråd med framdriften av prosjektene. Flere av dem som var inne på høring, mente at det ikke ville kunne gjøres, slik som det var lagt opp til nå. Hvorfor har man ikke lagt opp til en ordning som faser inn penger i tråd med framdriften på prosjektene? Selskapet vil ha en forutsigbarhet som er langt større enn det Vegvesenet har i dag. dag. Det er ikke sånn i dag at Vegvesenet automatisk får penger hvis de bygger mer vei enn det som var planlagt, snarere tvert imot. Når de rød-grønne partiene her inne snakker om at de overoppfylte Nasjonal transportplan, skylder de å si at rundt 20 veiprosjekter på en eller annen måte var forsinket i løpet av den samme nasjonale transportplanen. Mange av disse forsinkelsene skyldtes rett og slett at det ikke var penger. Senterpartiet prøver å gi et inntrykk av at det automatisk kom penger, noe som ikke er tilfellet. Vi har sagt at vi skal prioritere mer penger til veisektoren enn det som er planlagt i Nasjonal transportplan, men vi har også sagt at vi må bruke pengene mer effektivt. Suksess innenfor infrastrukturbygging handler ikke om hvor mye penger man bruker, men om hvor mye man får bygd.

modell? Selskapet får en portefølje. Vi har et kostnadsanslag over porteføljen – vi sier hvor mye penger de vil få hvert år. De har mulighet til å låne penger, og de har mulighet til bompengelån i tillegg. Det betyr at selskapet vil ha stor innflytelse på hvordan de gjennomfører prosjektene. om vi har sagt at det er en 20-årsperiode på gjennomføringen, må de for min del mer enn gjerne gjennomføre det raskere enn det. Men det er viktig for oss at det er en forutsigbarhet her, og spesielt med tanke på at alle partiene her i Stortinget, kanskje med unntak av Fremskrittspartiet, mener at handlingsregelen er Guds gave til Stortinget, burde man være opptatt av forutsigbarhet nettopp når det gjelder pengebruken. Fremskrittspartiet som parti har sagt at man ønsker å investere mer av oljeformuen i veisektoren, men vi ser at de andre partiene sier at handlingsregelen her skal styre og holde igjen. denne reformen, har funnet en god balanse, noe som gjør at vi har en forutsigbarhet når det gjelder pengebruken, samtidig som selskapet får en dynamikk i hvordan de gjennomfører prosjektene, og det er en god måte. Men jeg er ikke overrasket over at Senterpartiet er kritisk, for Senterpartiet mener at dette setter norsk veibygging ti år tilbake i tid, ifølge Geir Pollestad. Da er vi bare uenige. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre om byråkratisering, men jeg synes denne debatten som nå har gått mellom de ulike representantene, er

hvis du har mer penger, får du mer vei. Har du mer penger, får du mer vei, og da har du muligheten til eventuelt å fullføre veiprosjekter raskere. Derfor vil jeg stille følgende spørsmål: I valget mellom å igangsette flere veiprosjekter – og dermed kunne komme i en situasjon der veiselskapet kan komme til å måtte stille spørsmål til samferdselsministeren og Stortinget om man kan få mer penger bevilget enn det man egentlig har fått tildelt kan få mer penger bevilget enn det man egentlig har fått tildelt – vil samferdselsministerens klare beskjed da være at man skal sette i gang så få prosjekter at man er helt sikker på at man ikke sprenger budsjettrammene og det handlingsrommet som er gitt? Vi er veldig opptatt av å få mer vei for pengene, ikke bare diskutere hvordan vi skal bevilge mer penger til vei. Én av de tingene som har bekymret ikke bare meg, men også veldig mange av dem som er opptatt av god samfunnsøkonomi og ikke minst god infrastrukturbygging, er den enorme kostnadsveksten som har vært.

Men det ligger ingen fullmakter der om at jeg som statsråd skal kunne begynne å legge inn ekstra penger i dette selskapet. Det er jo det som gjør at vi tror at vi klarer å finne balansen ved det å være offensiv og bygge mye mer vei enn det som de rød-grønne planla, samtidig som det ligger en tilnærming her fra selskapet om å bruke pengene slik at de får mest mulig vei for de bevilgingene de får. Replikkordskiftet er omme. Eg vil også takka saksordføraren for framlegginga hans og for at han har losa komiteen gjennom denne litt krunglete, smale vegen fram til i dag. Me er

Den vedtekne nasjonale transportplanen for inneverande periode, åra 2014–2023, er ein svært ambisiøs plan, ikkje minst innan området veg. Den sitjande regjeringa har heldigvis stadfesta at denne vedtekne planen skal følgjast, også innanfor vegområdet. Så langt er me ikkje berre på god veg, men også «På rett vei», som er meldinga. Når det gjeld resten av meldingstittelen, Reformer i vegsektoren, så er mykje av det som vert lansert, også ei direkte oppfølging og iverksetjing av det som vart lagt fram i NTP-en, og som altså også er raud-grøn politikk. Når statsråden i innlegget sitt gjer meg den ære å sitera noko eg skal ha sagt til Aftenposten i fjor, om at ting gjekk noko seint, så kan jo det ha noko å gjera med det at med dei nye grepa som kom i den nasjonale transportplanen som vart vedteken i slutten av juni – men der regjeringa måtte gå av og vart skifta ut med ei ny kort tid etterpå – så låg det ein god del arbeid, både i NTP og i det som var gjort i departementet, som var

når det gjeld strukturreformer innan sektoren. Eit nytt utbyggingsselskap for veg, utanfor Statens vegvesen, verkar unødvendig byråkratiserande. Her kunne det same vorte oppnådd innanfor rammene av det eksisterande vegvesenet. Og sjølv om dei prosjekta som er varsla i meldinga, vert kalla oppstartsportefølje, så er den geografiske fordelinga slik at det i alle fall så langt er vanskeleg å kalla dette for eit nasjonalt vegselskap. Eg fann det då heller ikkje så rart at Hordaland fylkeskommune, under komitéhøyringa, leverte inn ei fråsegn der dei ville ha både E39-prosjektet Hordfast og fellesprosjektet med veg og bane på E16 mellom Arna og Voss inn i det nye

men det heile er reklame for at ein må leggja det nye vegselskapet til Kristiansand. Både der og i ein del andre byar rundt om har dei visst svært store og mange kontorlokale å by på, så forventningane til at dette skal koma både her og der, og at det vert eit stort selskap, er i alle fall nokså store. Før dette stortinget tredde saman i 2013,

er det vel ikkje Høgre eller Framstegspartiet sine valprogram som gjeld mest lenger, men heller regjeringserklæringa, og me ser i denne meldinga at bompengar skal vera ein viktig del av vegfinansieringa i mange tiår framover, i alle fall til 2050, at OPS som finansieringsmåte er tona ned, og at det no meir er snakk om OPS som gjennomføringsstrategi. Og lat det vera sagt igjen: Arbeidarpartiet vil, også i framtida, bruka private firma både til å byggja og til å drifta veganlegg, men me meiner at privat finansiering av offentlege veganlegg vil innebera større finanskostnader, som til sjuande og sist må betalast av bilistane og fellesskapet. Den varsla bompengereforma er langt på veg ei oppfølging av gjeldande NTP, og i så måte er regjeringa på rett veg,

vil vera det enkelttiltaket som vil gje størst effekt. Innføringa av obligatorisk brikke for køyretøy over 3 500 kg har vore eit steg i rett retning, men obligatorisk brikke bør også innførast på lettare køyretøy, nettopp for å sikra at mest mogleg av bompengane går til veg, og altså at minst mogleg av bompengane skal gå til innkrevjing og bakanforliggjande administrasjon. I komiteen sine merknadar vil ikkje regjeringspartia og Venstre vera med på innføring av obligatorisk brikke. Ved tidlegare rundar der dette har vore tema, har desse partia brukt omsynet til personvernet som argument for ikkje å innføra obligatorisk brikke. I ei anna sak frå transportkomiteen, som skal behandlast her i salen no på torsdag, har Venstre lagt inn merknad der dei viser til at partiet tidlegare var motstandar av streknings-ATK ut frå omsynet til personvern: «Dette medlem anser at dette argumentet er bortfalt, og viser til at Personvernnemnda i 2011 konkluderte med at streknings-ATK ikke strider mot personvernloven.» Eg meiner at den same vurderinga kring personvernet må gjelda ved brikkebruk, og at regjeringspartia og Venstre her gjer ein tabbe. Eg er veldig glad for at Grøvan understreka dette i innlegget sitt. Kristeleg Folkeparti har skjønt dette. Det som no er argumentasjonen i merknadsform ifrå regjeringspartia og Venstre, er at ein meiner at: krav om obligatorisk bombrikke vil være til ulempe for mange. Det er veldig mange bilister som i dag bor titalls mil fra nærmeste bomstasjon, og som sjelden eller aldri kjører gjennom en bomstasjon, som med krav om obligatorisk bombrikke vil risikere bot om de ikke har brikke i bilen de til vanlig bare kjører i sitt lokalsamfunn.» Då har eg eit spørsmål til Høgre, Framstegspartiet og Venstre: Viss ein legg opp til Høgre, Framstegspartiet og Venstre: Viss ein legg opp til ei ordning som er sånn at ein kan køyra utan brikke viss ein køyrer berre titals mil vekk frå der det er bomstasjonar, men at dersom ein skal køyra gjennom ein bomstasjon, må ein ha brikke – er det ei ordning som desse partia kunne ha vore med på? For her føler eg at ein sklir når det gjeld argumentasjonen. gjeld argumentasjonen. Det som òg er ein fordel med obligatorisk brikke, er at det eigentleg vil kunna fungera som eit elektronisk vognkort. Ein kan betala ut frå tid, kva for tid ein køyrer, ut frå kor hen, og ein kan ha miljødifferensiering ut frå utslepp. Eg synest det hadde vore litt greitt viss regjeringspartia og og Venstre kunne avklart dette, for då kunne ein kanskje ha kome til ei løysing der ein kunne ha innført dette på ein

Velfungerande infrastruktur er heilt vesentleg for at vi skal kunne innfri dei forventingane som finst blant innbyggjarane og i næringslivet om at vi skal sikre eit konkurransedyktig Noreg – eit Noreg som er klar for omstilling, der nye arbeidsplassar skal skapast og næringslivet skal styrkjast. Vegreforma er grunnfundamentet for raskare realisering av etterlengta infrastruktur. Den raud-grøne regjeringa tok ikkje dei fornyingsgrepa som var nødvendige. Det blei plukka lite av dei påståtte løysingane som representanten Rommetveit viste til i innlegget sitt. Den norske modellen var lang planleggingstid, klattvise utbyggingar og uføreseieleg finansiering. Det var ikkje mykje å vere stolt av. Dagens politiske fleirtal etterlyste, og fremja forslag om, eit finansieringssystem der planlagde og påbyrja prosjekt i større grad kunne gjennomførast i samanheng, men vi blei nedstemde av dei raud-grøne gong på gong. No presenterer vi ei reform – eit heilt nytt verktøy og ein heilt ny måte å planleggje og byggje veg på i Noreg med vegselskap, OPS og bompengereform. Når det gjeld vegselskapet, vil eg berre kort poengtere at det er eit viktig prinsipp at selskapet har ansvaret for vesentlege hovudvegar. Gradvis bør òg selskapet få utvide ansvaret til heile TEN-T-vegnettet i Noreg. Det neste grepet som blei gjort i vegreforma, er OPS. Ved behandlinga av Prop. 97 S for 2013–2014 bad Stortinget om at det blei fremja ein strategi for bruk av offentleg–privat samarbeid i utbygginga av infrastrukturtiltak. Det er svært gledeleg at OPS-strategien no er blitt ein del av vegreforma, og at det allereie er vedteke å starte planlegginga av tre prosjekt som Desse prosjekta er: E10 / rv. 85 i Nordland og Troms, rv. 3 / rv. 25 i Hedmark og rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland. OPS er valt som ein gjennomføringsstrategi, for å gje meirverdi i prosjekta. Løyvingar skal skje i tråd med aktiviteten i det enkelte prosjektet, og mesteparten av investeringskostnadene skal utbetalast kort tid etter opninga av prosjektet. Tidleg utbetaling av investeringskostnadene vil redusere finansieringskostnadene. Så til bompengereforma: Bompengar har vore ein del av den norske vegfinansieringa i mange år. Betaling for bruk av vegnettet, bruer og ferjer oppstod faktisk for fleire hundre år sidan. Noreg har gjort seg avhengig av brukarfinansiering som eit vesentleg bidrag for å kunne realisere planlagd vegutbygging i Noreg, men utvikling av og tilrettelegging for ei effektiv innkrevjing har ikkje vore politisk prioritert. No tek vi grep òg i denne sektoren, for å leggje til rette for ei betre forvalting som skal sikre meir veg for pengane. Det blir lagt opp til færre selskap, og i den prosessen er det viktig at fylka sikrar at regionane blir hensiktsmessige og store nok. I tillegg er det grunnlag for å overføre nokre oppgåver frå Statens vegvesen, og reindyrke dei rollene og oppgåvene ein har,

er eit velfungerande nasjonalt system for kundane, med einskapleg innkrevjingsløysing overalt i Noreg. Dette skal vi behalde. Regionale løysingar overfor kundane vil kanskje berre verke mot si hensikt. Det er viktig at det blir lagt til rette for gode incentiv for auka brikkebruk, og det bør vurderast om ein bør opne for konkurranse

frå dei som ikkje betaler, aldri blir kravde inn – men det ville òg skapt nye utfordringar når forholda ikkje er lagde til rette for det. Difor ønskjer ikkje vi på dette tidspunktet å innføre obligatorisk brikke. Vi er meir opptekne av å finne dei gode incentiva for at folk faktisk skal velje å brikke, enn å krevje at alle skal ha brikke i bilen sin. Det overordna er òg her at vi skal leggje til rette for effektiv vegutbygging, og vi skal sikre vel fungerande infrastruktur for eit konkurransedyktig Noreg. Vi tek no grep gjennom fordi vi er overtydde om at dette vil gje oss betre utnytting av dei ressursane vi bruker til vegbygging. Og vi treng kvar krone

Etter Bondevik II-regjeringens slette samferdselssatsing gikk Arbeiderpartiet til valg på at det skulle bygges mer samferdsel, det skulle bevilges mer penger til vei. I den valgkampen kalte Kristelig Folkeparti og Høyre det for «tomme løfter» og «luftmilliarder». Den delen av historien synes å være glemt nå. Glemt synes det også å være at når Erna Solberg virkelig skulle slå til og love en samferdselssatsing i 2009, Så skulle det vedtas en transportplan sommeren 2013. Klok av skade skulle Høyre og Fremskrittspartiet virkelig slå på stortromma. Problemet med den tromma var at den sprakk så fort partiene fikk makt den påfølgende høsten, og det var nivået på Arbeiderpartiets plan som ble videreført. Det er altså dette nivået som saksordføreren i sitt første innlegg omtaler som helt andre ambisjoner enn de rød-grønne. Det blir spesielt at det er en fra Kristelig Folkeparti som står her oppe med den type påstander, særlig med tanke på det partiets koblinger til de ti bud. Arbeiderpartiet ønsker seg mest mulig vei for pengene. pengene. Da er det dumt å opprette et selskap som vil ha mange av de samme oppgavene som Statens vegvesen, og dermed gjøre at penger som kunne vært brukt på vei, blir brukt på mer byråkrati. Det er dessverre ikke noe nytt at denne regjeringen velger løsninger som medfører mer byråkrati. TV 2 kunne fortelle at det ansettes mer enn dobbelt så mange byråkrater hver dag med denne Og vi har sett at denne regjeringen er en mester i å innføre nye ordninger som gjør at det påløper økte byråkratikostnader. I RNB har vi en rekke eksempler på at regjeringen ikke så konsekvensene av egne vedtak: gradert foreldrebetaling i barnehagen, påløpte byråkratikostnader 41,7 mill. kr endringer i barnehagetillegget, påløpte overføring av særavgifter fra toll- og avgiftsetaten, anslag nye driftsutgifter 25 mill. kr forberedelse av reform i skatteetaten, ikke sett i høst, 120 mill. kr Samlet i RNB byråkratikostnader på 210 mill. kr. Så når regjeringen står her og sier at denne reformen ikke vil føre til flere byråkratikostnader, snakker vi altså om en regjering som strengt tatt ikke vet helt hva den snakker om.

Denne løsningen ville gitt forutsigbarhet og effektivitet i veiutbyggingen uten ekstra byråkratikostnader, som denne regjeringen legger opp til i samferdselssektoren, men også på en rekke andre sektorer, som helse og skole. Selv om Arbeiderpartiet synes det er positivt at regjeringen nå følger opp arbeidet med å effektivisere bompengeinnkrevingen, er det

På sine to første år vil Ketil Solvik-Olsen ha krevd inn 17,5 mrd. kr i bompenger. Argumentet som vi har hørt her tidligere i dag, at Fremskrittspartiet ikke har flertall alene, holder ikke. Alle andre partier på dette huset måles opp mot hva de lover, og hva de faktisk leverer. Det blir interessant å se om Fremskrittspartiet før valget i 2017 vil avstemme sine løfter til velgerne med den nye realiteten de har oppdaget her på Stortinget og i regjering. Bompenger fram til 2017 er for mange et evighetsperspektiv. Det burde Fremskrittspartiet vært ærlige på. For å slå det fast med en gang: Arbeiderpartiet er

og jeg la merke til at ministeren var litt i tvil om hva Arbeiderpartiet egentlig mente. Det var litt spesielt å høre det fra en fra Fremskrittspartiet – bekymringene for at Arbeiderpartiet hadde flere budskap. Jeg kan i hvert fall si det sånn: Vi har registrert det fra andre partier i andre saker. Arbeiderpartiet vil styrke Statens vegvesen – det har vi sagt noen ganger fra talerstolen i dag, og det kan jeg gjenta på nytt som vi mener har kompetansen og erfaringen med å gjennomføre storstilte veiutbygginger. Og vi vil sørge for at Statens vegvesen kan porteføljestyre utbygging av riksveiprosjekt gjennom særskilt prioriterte prosjekt. At ministeren ikke har klart å få det med seg, beklager jeg, men det har vært gjentatt av flere av våre representanter i dag. Et nytt veiselskap som bare skal gjøre det samme som Statens vegvesen allerede gjør,

virkemidlene må rettes inn mot det som er de største hindringene for raskere og mer effektiv gjennomføring av prosjektene, som i hovedsak er ting vi er enige om, dvs. forutsigbar finansiering og mer effektive planprosesser. Det får man ikke bare ved å splitte opp selskapet. Man får én forskjell, og det er forskjellen mellom Statens vegvesen og det nye selskapet knyttet til kompleksiteten i prosjektporteføljen, for det nye veiselskapet skal kun bygge på strekninger med lavt konfliktnivå, som det står, og heller ikke i kompliserte byområder. Statens vegvesen skal fortsatt gjøre de kompliserte jobbene, sier man. Man velger altså å løfte ut åtte strekninger i et nytt byråkratisk utbyggingsselskap i stedet for å løse dette innenfor Statens vegvesen. Det synes vi virker merkelig. Man velger altså å lage et mini-vegvesen på siden av dagens organisering. På høringen i komiteen fikk vi høre fra flere at de var bekymret for de ansatte og bekymret for tilstrekkelig kompetanse i framtida. De var også bekymret for at det nye selskapet skulle ta kompetanse fra Statens vegvesen. Kompetanseflukten er der uansett hva vi gjør, men vi synes i hvert fall ikke at det skulle ta kompetanse fra Statens vegvesen. Kompetanseflukten er der uansett hva vi gjør, men vi synes i hvert fall ikke at det blir bedre ved at man splitter dette opp. I forslaget til veiselskap og portefølje på 130 mrd. kr til åtte strekninger, som er foreslått, finner man ingen satsing i Nord-Norge. Det ligger ikke inne et eneste prosjekt nord for Trøndelag. I tillegg er kun 40 pst. av prosjektene hentet fra NTP. Det betyr at over 60 pst. av rammen på

som skulle gi mer forutsigbarhet og mer sammenheng i utbyggingen. Vi er jo ikke uenig i det, men dette må man få til uten å lage et nytt byråkratisk selskap. Videre sa hun at nå fikk man et selskap med en portefølje uten at man hele tiden hadde ordførere som ville mene noe og «henge på nakken». Det synes jeg beskriver godt at man faktisk legger opp til en begrenset involvering i framtida.

Det var null problem å sende mullaen ut av landet. Det skulle skje så snart de kom til makta, i løpet av hundre dager, hvis jeg ikke husker helt feil. Han er fortsatt i landet. Drivstoffavgiftene skulle umiddelbart kuttes. I dag koster en liter bensin rundt 16 kroner. Nok om det – jeg trodde aldri de ville klare å innfri løftet. Alle bommene skulle rives. For meg var det helt utrolig at noen kunne tro på det – det var selvfølgelig helt urealistisk. Og dette er bare et lite knippe av lovnader som ble gitt, og som det umiddelbart skulle ryddes opp i. Jeg kunne ha gjort lista mye lengre – alt fra klaging over altfor høye matpriser til NRKs lisensavgift. Vi skulle visstnok ha sett vår siste – den er der ennå. Da de ble konfrontert med dette, fikk vi beskjed om at vi ikke visste hva vi snakket om, vi var frekke, og fra et litt fornærmet Fremskrittspartiet fikk vi beskjed om at vi kun var ute etter å svartmale. Vel, nå har de regjert i to år, og som sagt kunne jeg gjort lista mye lengre over løfter de ikke engang har vist antydning til å kunne innfri. Men det var to saker jeg faktisk trodde Fremskrittspartiet på, og antydning til å kunne innfri. Men det var to saker jeg faktisk trodde Fremskrittspartiet på, og den ene var at byråkratiet skulle slankes. For vi hørte mye om det de beskrev som dette store, unyttige byråkratiet, om at det var altfor mange ansatte i offentlig sektor, spesielt i staten, og den gangen var det aldri snakk om å skille mellom statsansatte i produksjon, statsansatte som saksbehandlere og de som jobbet i sentraladministrasjonen. Vel, vi har aldri hatt flere byråkrater enn i dag, og vedtaket som flertallet nå fatter, betyr at byråkratiet vil øke enda mer. Den andre saken jeg trodde dem på, var deres nei til OPS. Som tidligere sagt i debatten, ble OPS av representanten Bård Hoksrud kalt «høl i hue». I forrige periode var hovedsaken til Høyre ja til OPS, og de sa også ja til bompenger. Jeg skjønner at de er veldig fornøyd i dag. Fremskrittspartiets hovedsak var nei til bompenger og nei til OPS. I dag kommer flertallet i denne sal – med Fremskrittspartiets stemmer – til å stemme for at det skal opprettes et eget selskap som skal jobbe med OPS. Vi tar inn mer penger i bomavgifter enn noen gang før, og det er varslet 90 – nitti – nye bomstasjoner, og ikke nok med det, det skal bindes opp i flere tiår framover. Så når Fremskrittspartiet i dag står og skryter av egen bompengepolitikk, er det nesten ikke til å tro! Det finnes bare én konklusjon på dette, og det er strykkarakter i troverdighet. Jeg ser at reformen kalles «På rett vei», når det framstilles som at det nå bygges mye mer vei enn det som ble vedtatt i denne sal i juni 2013, har vi problemer med å se at det er tilfellet. At man oppretter et nytt selskap, tømmer Statens vegvesen for kompetanse, lager en lønnsspiral og øker byråkratiet, er mildt sagt oppsiktsvekkende. At man i tillegg gir monopol på driftskontrakter over mange, mange år,

Investeringer i infrastruktur er noe av det viktigste et samfunn kan gjøre for å tilrettelegge for gode rammebetingelser for næringsliv og befolkning. Det er også en investering for fremtidige generasjoner. På samme måte som vi i dag har gleden av å benytte veier, tunneler og broer som generasjoner

Selskapet vil ha alle muligheter for en langsiktig planlegging og helhetlig gjennomføring av prosjekter gjennom den tidsrammen på 20 år for oppstartporteføljen som i dag vedtas av Stortinget. Denne regjeringen er opptatt av å tilrettelegge infrastruktur som vil binde større bo- og arbeidsregioner sammen. På den måten klarer vi som samfunn å ta ut et større potensial for verdiskaping og effektiv utnyttelse av samfunnets vekstmuligheter, og dette er det jo også lagt vekt på med tanke på den oppstartporteføljen som er valgt ut. Derfor er jeg glad for at strekningen mellom Kristiansand og Stavanger ligger inne i veiselskapets oppstartportefølje. Kristiansand- og Stavanger-regionen er to vekstkraftige områder som har mye industri og næringsliv med sammenfallende aktiviteter. Kortere reisetid vil styrke samarbeidet og utnyttelsen av kompetansen i sterke næringsklynger. Næringslivet får større tilgang til arbeidskraft når reisetiden blir kortere, og effektive veier gjør at transportkostnadene blir lavere og bedriftene mer konkurransedyktige. Også områder mellom disse to byene vil ha stort utbytte av en mer effektiv veiforbindelse og kortere reisetid. Det gjør at mulighetsbildet blir større, både for nye bedriftsetableringer og for valgmuligheter når Regjeringen arbeider for økt trafikksikkerhet, og dessverre er det altfor mange ulykker langs denne sterkt trafikkerte strekningen. Jeg ser derfor frem til realiseringen og vil håpe og tro at denne strekningen vil være blant de prioriterte, også i tid, innenfor den 20-årshorisonten som er lagt for gjennomføringen i det nye veiselskapet.

prosjektene. Vi vet også at en post på statsbudsjettet er noe man kan endre på hvert eneste år, og det skjedde også. De postene som sto på dette statsbudsjettet, ble flyttet opp og ned etter som man ville bruke penger eller ikke bruke penger på det. Konsekvensen av å ha en post på statsbudsjettet var altså at prosjekter som ikke hadde en post på statsbudsjettet, men som var viktige, da ble prioritert ned hvis det ikke var penger til å gjennomføre de postene som sto på statsbudsjettet i de prioriterte prosjektene. Denne regjeringen gjør noe helt annet. Vi sørger faktisk for å opprette et statlig veiselskap som får en forutsigbar finansiering, som gjør at man ikke er like avhengig av de årlige statsbudsjettene som det man er med dagens måte å finansiere veibygging på. Om man legger til grunn at når selskapet er på plass, skal det komme inn ca. 5 mrd. kr årlig, som selskapet vet at de får, og som gjør at de kan slutte å holde på å bygge klattvis og delt, men faktisk kan begynne å bygge større og mer helhetlig. Det er altså sånn at når man slutter å planlegge ting seks ganger gjennom et fylke som Vestfold, på under åtte mil, og planlegger det én gang isteden, så sparer man faktisk byråkrati, for da gjør man det bare én gang istedenfor å gjøre den samme jobben seks ganger, som man gjorde i Vestfold fordi man drev med klattvis og delt utbygging. Det er jo det dette handler om. Det er det denne veireformen handler om – det faktisk å sørge for at vi gjør ting mer helhetlig, og at vi gjør det én gang istedenfor å gjøre det mange ganger. Det er greit å vite, for det er interessant å høre på debatten når jeg hører en arbeiderpartirepresentant si at ja, de vil bygge mye mer vei, men vi ser jo at det på E39 var «bonanza», det var farlig at man skulle bygge firefelts vei mellom Kristiansand og Stavanger. Vi synes det er bra hvis vi klarer å få på plass en firefelts vei mellom Kristiansand og Stavanger. Jeg er glad i dag. I 2007

I mange, mange år har Fremskrittspartiet snakket om at vi ønsker å få på plass et veiselskap. I dag behandler vi saken, og veiselskapet vil bli en realitet. Jeg er stolt over å være med på dette, et arbeid som Fremskrittspartiet også jobbet med i forrige periode, da jeg satt i transportkomiteen, i opposisjon. Målet er å få til en helhetlig veiutbygging, med mer vei for pengene. Under de rød-grønne ble veiene bygd stykkevis og delt, noe som vi i alle år har visst fordyrer prosjektene. Med veiselskapet på plass vil det bli en effektiv og Med veiselskapet på plass vil det bli en effektiv og helhetlig veiutbygging, som også gjelder drift og vedlikehold av kommende trafikksikre riksveier. Finansieringen vil bli mer forutsigbar, og veinettet vil bli raskere utbygd. Prosjekter som er lagt inn, er f.eks. prosjektet mellom E18 og E39 fra Oslo til Stavanger. Her finnes gryteklare prosjekter som i løpet av de siste to årene er blitt helt klare for byggestart, slik som f.eks. E18 Arendal–Tvedestrand. E18 og E39 mellom Oslo og Stavanger er

Når vi går fra 60 bompengeselskap til tre–fem bompengeselskap, vil det frigjøre midler som vil gå til det pengene var tiltenkt. Det er en gledens dag i dag, og i dag er vi ett skritt nærmere en raskere utbygging av viktige veier for mennesker og bedrifter som er avhengige av en trygg og god vei. Dette har vært en litt merkelig debatt, der vi som vanlig har fått forskjellige typer kritikk fra Arbeiderpartiet. Representanten

porteføljen er utenfor NTP. Jeg klarer ikke å ta kritikken fra opposisjonen særlig tungt, da kritikken tydeligvis bærer preg av hvilken fot man har stått opp først med, eller hvilken arbeiderpartirepresentant som snakker. Opposisjonen har, som ministeren nevnte, kalt satsingen vår for en «veibonanza». Samtidig krevde de for et år siden en snarlig gjennomgang av NTP, fordi de mente vi gjorde altfor mye. I dag mener de visst at vi holder oss til planer, samtidig som vi løfter ut 60 pst. Jeg tror det hadde vært bedre debatter i stortingssalen om opposisjonen fant en argumentasjon som de kunne enes om, ikke slik som det er i dag, hvor de kritiserer stortingsflertallet for å gjøre for lite, samtidig som de kritiserer oss for å gjøre for mye. Det blir dessverre en uryddig debatt. Et konkret eksempel som viser at påstanden som Kjerkol kom med om at vi bare følger NTP, er feil, er at veiselskapet skal jobbe med bl.a. fire felt mellom Kristiansand og Stavanger. I NTP ligger det riktignok inne midler til strekningen Søgne–Lyngdal og Ålgård–Hove, men det ligger ikke inne en eneste krone til Lyngdal–Ålgård. Her har Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson sagt at hun er skremt over satsingen og at de i hvert fall ikke ønsker fire felt. Dette prosjektet lå altså ikke inne i NTP, og det er en tydelig satsing hvor regjeringen og de rød-grønne skiller lag. Kjerkol nevnte også i replikkutvekslingen at et nytt veiselskap ville føre til en enda mer stykkevis og delt bygging. Det tyder for meg på at det er opplagt at opposisjonen ikke har lest meldingen som ligger

etter regjeringsskiftet er det helt klart at posisjonen har blitt mye bedre. Det er synd at vi ikke kan si det samme om opposisjonen. Det nye veiselskapet kunne ha vært en god idé, men det er dessverre organisert på en måte som gir det store svakheter. Sånn som regjeringen nå legger dette fram, og flertallet går inn for, er det først og fremst nye bokser i et organisasjonskart, det innebærer mer byråkrati, og det gir en reell fare for rykk-og-napp-utbygging, som vi hadde i Norge for noen tiår siden. Da statsråden dagen før Stortinget fikk høre om denne saken, var på NRK og viste hvordan dette skulle finansieres, viste han til at det skulle bevilges 5 mrd. kr årlig til dette selskapet. Det som ikke ble sagt, som en fikk lese i meldingen dagen etter, når blitzlyset hadde lagt seg, var at nei, i 2016 og 2017 ligger det ikke inne 5 mrd. kr. Like fullt ble det hevdet at bevilgningen skulle utgjøre 100 mrd. kr, altså 20 år ganger 5 mrd. kr, men når de pengene forsvinner i 2016 og 2017, er det altså ikke snakk om 100 mrd. kr. Det er svakhet nummer én. Skulle veiselskapet ha vært en Skulle veiselskapet ha vært en god idé, burde en hatt en mer fleksibel finansieringsmodell som gjorde at dette selskapet fikk fullmakt til å bygge ut disse veiene så fort det lot seg gjøre. Låneordningen som ligger inne, er svak og vil gjøre at en må porsjonere prosjektene ut gjennom alle de 20 årene, og en vil gå tilbake til en situasjon der det er pengene som styrer framdriften, og ikke framdriften som styrer pengene til prosjektet. Det vil gi oss rykk-og-napp-utbygging. Mange plasser i landet jubler en for dette veiselskapet. Saksordføreren har et stort engasjement for E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Det engasjementet deler jeg. Men er veiselskapet godt nytt f.eks. for strekningen Lyngdal–Ålgård? Det står svart på hvitt at en skal prioritere de mest lønnsomme veistrekningene først.

i bompenger? Det er fortsatt uavklart. Roy Steffensen denne planen med åtte gjenværende år i NTP-en. Det blir feil å sammenligne en åtteårsplan med en tjueårsplan. Vi må våge å tenke nytt, men det er ikke sånn at enhver ny idé er god. Vi må sikre forutsigbar finansiering, men da må ikke svaret være mindre forutsigbar finansiering og rykk-og-napp-utbygging. Det har vært en debatt om meldingen som er framlagt. Jeg har hørt på representanten

et skikkelig magadrag og et taktskifte. Det viser bevilgningene, og det viser prosjektene. Vi vil ha mer vei for pengene i Arbeiderpartiet, og da mener vi at vi må organisere veisektoren med det formålet. Nok en gang legger man fram en melding med til dels svake faglige vurderinger, med lite erfaring og lite forskning. Om dette er et godt grep, å etablere et veiselskap og dele opp byggherrekompetansen, byggherrekompetansen, får vi først vite om ganske mange år. Vi i Arbeiderpartiet tror på en kunnskapsbasert politikk hvor vi analyserer riktig først, og så organiserer på en måte som gjør at vi har noen indikasjoner på forhånd som sier om man lykkes eller ikke. Det har ikke regjeringen lagt fram i det som behandles i dag. Bare å gjøre noen ting er ikke nok, man må gjøre det som er riktig: mer helhetlig, ikke mindre helhetlig, ha gode kontraktstrategier som gir nyskaping, og som også ivaretar vedlikeholdsbehovet etter utbyggingen, og ikke minst en effektiv bompengeinnkreving, hvor det mest effektive grepet er å innføre obligatorisk brikke, noe representanten Hoksrud fortsatt framholder at han ikke vil ha i sin bil.

over flere generasjoner, og ikke minst over flere stortingsvalg. Da kan man ikke med samme autoritet påberope seg å være mot denne måten å finansiere vei på. Når man legger fram politikk som tar grep for å utvikle dette som finansieringsverktøy, har man svak troverdighet overfor de velgerne man møter ansikt til ansikt før valget.

Jeg registrerer at det er stor grad av enighet om å få mest mulig vei for pengene, det er bra. Vi snakker om kortere og mer effektiv planlegging. Vi er enige om en mer effektiv og ikke minst sammenhengende veiutbygging. Vi er enige om bompengereformen, det å få færre bompengeselskap er en god organisering. Og vi er også enige om de nye grepene når det gjelder finansiering av OPS-prosjekt. Det synes jeg er bra. Én ting er at ikke alle applauderer alle de forslagene som denne veireformen legger opp til, det må man ha forståelse for. Det jeg ikke forstår, er at de som har styrt dette landet med rent flertall i åtte år, og som sier at de nå ønsker mest mulig vei for pengene, ikke klarte å få til noen endringer i måten norsk veiutbygging skulle foregå på gjennom disse årene. Jeg opplever at man heller ikke i debatten i dag klarer å komme opp med noen nye forslag. Så registrerer jeg at representanten Wickholm er veldig tilfreds med egen regjerings bevilgninger til samferdsel, det synes jeg han må få lov til å være, men det som er et faktum, er at i den perioden

Så nevner representanten Pollestad E39 spesielt – at dette vil være en måte å organisere vei på som gjør at det vil ta veldig lang tid å gjennomføre de ulike strekningene. Ja, det vil ta tid. Vi skal forholde oss til handlingsregelen, det har vi sagt, og det er lagt opp til et visst pengeforbruk i utgangpunktet. Så kan et storting velge å endre på det underveis. Men når det gjelder spesielt den strekningen som han nevner, binder man sammen to vekstsentre, som ikke bare gjør at man kan telle ÅDT og bruke det som et begrep, dette skaper også nye verdier gjennom et utvidet bo- og arbeidsmarked. Nå etableres det et nytt selskap med en målrettet og spisset profil mot stamveiutbygging. jeg overbevist om at dette vil gi en raskere og mer sammenhengende og effektiv veiutbygging. Vi nærmer oss slutten av denne debatten. Det har vært en interessant debatt på mange måter. Jeg begynner av og til å lure på, når både mulla Krekar og de ti bud blir trukket inn i debatten, om det kanskje er mangel på argumenter. Men ikke for det – hvis alle kunne ha levd etter de ti bud, hadde det gått godt med oss. Så er det et voldsomt behov for å fortelle historien – for å fortelle sin egen historie. Jeg registrerer at det kanskje setter noen begrensninger på evnen til nytenking. Når vi lanserer de forskjellige tankene om hvordan vi kan effektivisere veisektoren i Norge, ønsker vi å etablere et veiselskap. Hvorfor ønsker vi det? Jo, vi ønsker å gjøre veibygginga mer effektiv, mer rasjonell og sørge for at vi får mer vei for pengene. Vi ønsker å se på måter vi kan organisere planlegging, gjennomføring og drift og vedlikehold av veiprosjekter på, slik at vi faktisk får mer igjen for hver krone vi putter inn i denne sektoren.

prosjektet blir nedbetalt med like beløp over 25 år. Vi flytter altså nedbetalinga av prosjektet mye nærmere sluttføringsdatoen for anleggsarbeidet. Det gjør at vi eliminerer finansieringsulempen som måtte ligge her, men samtidig tar vi med oss alle de gode sidene av OPS, nemlig at det ofte gir raskere gjennomføring av prosjekter, vi ser investering, drift og vedlikehold i sammenheng, vi får smartere løsninger og økt innovasjonskraft. Dette er nytenking. OPS i seg selv er jo ikke noe nytt, men det har, på en måte, ligget i skuffen litt for lenge – nå er det på tide å ta det fram. Vi ønsker også å redusere antall bompengeselskap, og det er et bredt flertall for det i Stortinget. Det er jo noe vi er enige om. Hva finnes av virkemidler for å få det til? Det er derfor vi foreslår denne rentekompensasjonsordninga som stimulus til å få færre bompengeselskap, samtidig som det også vil bety lavere takster, kortere nedbetalingstid og en bedre løsning, sett fra bilistens ståsted, og det oppfyller de forpliktelsene vi har hatt, ved å redusere bompengeandelen. Det har vært en interessant debatt på mange måter. Jeg savner bare litt større grad av savner bare litt større grad av selvransakelse, litt større grad av evne til å tenke nytt, det å kunne legge historien bak seg og se framover, for å se om det ikke kan være en god del ideer i den meldinga som ligger på bordet – vi ser det. Jeg tror jeg bare skal ta et par oppklaringer. Først til representanten

som finansieringsmetode. Det har vi poengtert hele tiden, og det er nettopp det vi også har fått gjennomslag for her, og det som er bra med det som ligger i forslaget her. Så er det personvernet. Jeg vet at Arbeiderpartiet ikke er så veldig opptatt av personvernet, og personvernet blir ofte svekket – og det er blitt svekket mange ganger de siste årene. Man prøver å fremstille det som at Datatilsynet synes dette er veldig greit, Datatilsynet er ganske skeptisk når det gjelder private. De var mye mer positive

det gjorde de jo, men etterslepet klarte man definitivt ikke å ta igjen, og det er nå for første gang tatt igjen, og vi er nå i ferd med å redusere forfallet på veinettet. Det er vi veldig glade for. Ellers viser vel debatten i dag til fulle at alt som er nytt og litt spennende, er for noen veldig skummelt, og det kan man ikke tørre å prøve ut. Men representanten Kjerkol sa at dette ville man ikke se resultatet av før om mange år, og det betyr vel at man ikke har tenkt å reversere denne reformen. Da vil den jo bli gjennomført, og det blir veldig spennende. Så får vi sørge for at Fremskrittspartiet blir størst mulig, så det blir minst mulig bompenger i fremtiden. Først til representanten

ingenting skjedde i åtte år. Det har vært en gjenganger. Jeg mener de viktigste grepene til den forrige regjeringen var å løfte nivået på investeringer – på bevilgningene til samferdsel. Så har man en mengde eksempler på at man har tatt nye grep. Egen post er nevnt. Det var et virkemiddel. Helgelandspakken er et opplegg for å se drift, vedlikehold og investering i sammenheng. En har fellesprosjektet langs Mjøsa, som enkelte partier valgte å gå imot da det var til behandling i Stortinget, men som definitivt er en suksess. Og kanskje aller viktigst er det tiltaket en foreslo da Nasjonal transportplan ble behandlet, nemlig at Stortinget skulle gjøre et prinsippvedtak for ett veiprosjekt og dermed sørge for at finansieringen kom på plass. Så vil jeg tilbake til strekningen E39 Søgne–Ålgård, for det er rett som saksordføreren sier, at det er ikke bare ÅDT-en som bestemmer lønnsomheten. Det står i meldingen at en skal prioritere selskapene med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet foran dem med

Det er beklagelig, men jeg tror representantene må være forberedt på å fortelle velgerne sine at det vedtaket en gjør i dag, er ny E39 Ålgård–Lyngdal i år 2036. Så får de komme på åpningen, de som ønsker. Senterpartiet har større ambisjoner for den strekningen og ønsker å gjøre dette raskere. Det er en dårlig idé å skape jubel og falske forhåpninger i dag, når en legger opp til en modell som åpenbart gjør at det vil gå mange, mange år før en ser realitetene. Dersom det foreligger noen nye lønnsomhetsvurderinger som gjør at det jeg nå har sagt, er feil, kunne det vært greit å få det oppklart. Men dagens vedtak er ikke godt nytt for E39 mellom Ålgård og Lyngdal. Me må vedgå at det er

me er for det me er for, og så er me imot det som me er imot. Og då vert det sånn at me ikkje seier at alt er berre heilt dårleg. Me seier at noko er me for, og det er me for. Så er det nokre av oss som snakkar om at det som me er imot, er me imot. Sånn må det vera. Viss det er sånn at posisjonen er så mykje betre enn posisjonen var før, kan eg seia at delar av den posisjonen som før var opposisjon, opplevde eg veldig på den måten at ein var imot alt. Me er ein litt nyansert opposisjon. Det hender innimellom det er ting me synest er greie. Ein god del av det som ligg i saka – det har fleire vore inne på – er òg ting som vart gjorde klare av førre regjering, og som eigentleg stod klare til å effektuerte. Så litt til Hoksrud og dette med personvern. Eg vil be han om å sjå i merknadene frå komiteen. Det er ein merknad frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet der ein viser til at «regjeringen burde gått enda lenger i å effektivisere bompengeinnkrevingen», og at det er knytt til obligatorisk brikke. Senterpartiet der ein viser til at «regjeringen burde gått enda lenger i å effektivisere bompengeinnkrevingen», og at det er knytt til obligatorisk brikke. Me seier òg i merknaden: «Disse medlemmer forutsetter samtidig at personvernet blir ivaretatt ved et slikt tiltak.» Så påstanden – også frå representanten Hoksrud – om at Arbeidarpartiet ikkje bryr seg om personvern, er ikkje sann. Me har skrive det temmeleg nyleg at me bryr oss så måte. Det eg opplever, er heile tida vikarierande motiv og skiftande grunngjevingar for å unngå obligatorisk brikke, av ein eller annan grunn. Eg har spurt dei tre partia om dei kan vera med på ei ordning der ein kan få lov til å køyra på heimtraktene utan å ha ei sånn brikke, viss ein bur fleire titals mil frå bomstasjonar, men at ein, når ein køyrer gjennom bomstasjonar, skal ha

Så blir vi avkrevd svar på hva som er våre løsninger. Våre løsninger la vi fram i Nasjonal transportplan, som ble behandlet i 2013. De to foregående nasjonale transportplaner har vært overoppfylt. Det var det viktigste og det kravet som vi tydelig fikk fra både næringsliv og befolkning. Så la man opp til en rekke effektiviserende tiltak og planprosesser, en mer helhetlig utbygging og nye kontraktsformer. Tiltakene i NTP er våre løsninger. Det er ingen grunn til at vi skal endre på det, selv om regjeringen kommer med et forslag i dag. Flertallet har tydeligvis ikke ønsket å følge opp en del av de vedtatte tiltakene som lå i NTP, eller de legger tiltakene til sine prosjekter, og tar æren for dem. Når vi ikke er positive til veiselskapet, er det rett og slett fordi vi ikke tror det Så til slutt noen få ord om Senterpartiets forslag, som ble framlagt i dag. Vi mener at det er på tide at staten tar garantiansvar for statens egne veier. Det er ikke logisk at kommuner og fylkeskommuner skal garantere for statens veier. Vi mener at vi må rydde opp i det. Helt til slutt: Som representanten Rommetveit var inne på, er personvern viktig. Det er viktig for Senterpartiet Vi sa at hvis vi skulle gått inn for obligatorisk brikke, måtte man sikret at det var en løsning som ivaretok personvernet. Det mener vi at det finnes muligheter for. Derfor kunne det vært et nytt effektiviseringstiltak når det gjelder bompengeinnkreving.

For det har jo noe med den måten en ser på samfunnsøkonomisk lønnsomhet på. Dette har vært noe av det som den nye regjeringen har sagt at den ønsker å jobbe med: Hva er samfunnsøkonomisk lønnsomhet? Er det bare å telle antall biler som passerer i løpet av et døgn? Nei, det er det faktisk ikke. Det er nå engang sånn at tidsbesparelse er en viktig greie. Tungtrafikk på en strekning, sånn som vi kjenner den fra Kristiansand til Stavanger, er en viktig greie. Én av fire biler som kjører på den veien, er en trailer. Ulykkesfrekvens og antall døde på en vei har også noe med samfunnsøkonomisk lønnsomhet å gjøre. Det samme har miljø. Når en vei er bygd slik at den går opp og ned i dalstrøkene, og ikke med mye lavere å gjøre. Representanten Meling var innom disse to store vekstregionene. Ja, det har også noe med samfunnsøkonomisk lønnsomhet å gjøre. Og så tilbake til ÅDT-en, den ÅDT-en som også Senterpartiet har vært talsperson for – det at det blir laget en standardmal for hva en

Nei, jeg tenker meg, sånn som den nye regjeringen har staket ut kursen, at det å være samfunnsøkonomisk lønnsom på en strekning faktisk har langt flere elementer i seg enn det som representant Pollestad synliggjorde. Det er veien å gå. Vi bygger Norge. Vi bygger et samfunn som faktisk også har dette i seg. Til slutt vil jeg si om vedlikehold: Hadde den rød-grønne regjeringen fortsatt i 2013, kan det jo Hadde den rød-grønne regjeringen fortsatt i 2013, kan det jo se ut som, etter debatten i dag, at også vedlikeholdsetterslepet hadde fortsatt. Hva da med de kostnader som vi nå har til nybygging av vei? Jeg ville nesten ha sagt noe uparlamentarisk: Det hadde gått ad undas. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Arbeiderpartiet 30 minutter, Høyre 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter og regjeringen 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalerne og inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid,
den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Første taler er Sverre Myrli, som nå fungerer som ordfører

Hvis ikke den er det, blir det fort et minste felles multiplum. For meg som saksordfører ble det ganske fort klart at grunnlaget for felles merknader var mikroskopisk – og sånn ble det. Kort fortalt begrenser enigheten seg til hvem som sitter i komiteen, og at vi behandler samme sak. Skjønt – det siste kan man lure på hvis en følger den offentlige debatten. Som saksordfører vil jeg imidlertid påpeke at opposisjonen bruker lange merknader på å omtale at saken behandles på fem uker. Dette har vært vurdert av komiteen og også av presidentskapet, og flertallet har valgt å fremme reformen for Stortinget. Jernbanereformen peker ut en retning og gir noen detaljer for hvor vi vil gå, og med hvilken organisering. Det har vært varslet siden vi tiltrådte, at konkurranse i persontogtrafikken kommer, så det kan ikke være noen overraskelse. Mange spørsmål i reformen er fortsatt åpne og skal finne sine løsninger i det videre arbeidet. Derfor mener flertallet at det var viktig og riktig å behandle reformen før sommeren, slik at de konkrete løsningene kan finnes og omorganiseringen starte. I det videre arbeidet inviterer vi alle berørte parter til å være med og diskutere de konkrete løsningene som er gjennomførbare, som er de mest effektive, og som ivaretar de ansatte i sektoren og kompetansen som sitter der. I det følgende vil jeg bruke tiden til å presentere flertallets merknader. Der kan jeg glede meg over at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om alle merknadene. Hvorfor en jernbanereform? Kortversjonen er som følger: På en del områder er oppgavefordelingen i jernbanesektoren uklar og uhensiktsmessig. Jernbaneverket er både myndighetsorgan og driver med daglig drift av jernbanelinjer. Ansvaret for jernbaneeiendommer er delt mellom Rom Eiendom og Jernbaneverket på en måte som skaper problemer. NSB, som én av flere kommersielle aktører, driver ruteplanlegging opp mot regionale myndigheter. Samferdselsdepartementet kjøper persontransporttjenester direkte fra NSB som eneste tilbyder. Kostnadene kan dermed ikke markedstestes. Vi her i salen, som bevilger penger til kjøp av transporttjenester for å halvere kostnaden av hva en togbillett faktisk koster, vet ikke om vi kunne fått et enda bedre tilbud for de reisende hos andre. Det er svake incentivmekanismer for Jernbaneverket til å holde jernbanenettet åpent for trafikk og for NSB til å drive innovasjon og effektivisering, i forhold til om de hadde måttet forholde seg til konkurranse med andre togselskaper. Det er for lite overordnet og langsiktig styring, f.eks. lite fokus på mål med jernbanepolitikken knyttet til hvilket transporttilbud jernbanesystemet skal gi på kort og lang sikt. Det er også for lite fokus på om tiltakene som settes inn, er de mest effektive for å oppnå målene. Det har vært for mye fokus på enkeltprosjekter, enkeltavganger og stasjoner. Alt var ikke bedre før – det meste er bedre nå: flere tog, flere avganger og stadig bedre tog. Det har aldri vært bevilget mer penger til jernbanen enn nå. Men til tross for stadig økende bevilgninger er det forsinkelser og driftsproblemer nesten daglig. Ikke alle er så store at de får medienes oppmerksomhet, men de merkes av de reisende. Jeg tenker: Det må kunne gjøres bedre. Ja, sier departementet, ja, sier jernbanedirektøren, og ja, sier konsernsjefen i NSB. Derfor har vi en jernbanereform til behandling i Stortinget her i dag. Den skal forhåpentlig bidra til å løse både de store utfordringene og de små. Hvordan kan vi få pengene som bevilges, til å rekke litt lenger? Hvordan kan vi sørge for at pengene går til de riktige prosjektene? Det handler om å organisere seg bedre, bygge ned kunstige hindre og rendyrke skillet mellom myndighet, utbygger og transportør. Det er befriende at Jernbaneverket og NSB har sett dette og selv har kommet med nyttige innspill til jernbanereformen. Det samme har Flytoget. Motstanderne av reformen bruker mye energi på å finne fram til eksempler på hva som ikke fungerer i andre land. Det er jo egentlig en avsporing, for i meldingen står det klart og tydelig at den nye reformen må være tilpasset norske forhold. Vi har færre innbyggere, bor mer spredt, og landet er, når sant skal sies, ikke spesielt tilrettelagt for kollektivtransport. Derfor legges det opp til at jernbanen fortsatt skal være et offentlig ansvar, og at det offentlige skal ha eierskap til all infrastruktur, inklusiv

Her foreslår reformen et nytt jernbanedirektorat som får ansvar for langsiktig styring gjennom f.eks. kapasitetsanalyser, utvikling av rutemodeller, samfunnsøkonomiske analyser, overordnet utrednings-, plan- og budsjettarbeid og koordinering av ressursene i sektoren og dessuten oppgaven med kjøp av persontransporttjenester med tog, som i dag ivaretas av Samferdselsdepartementet, og nye oppgaver som kommer som følge av reformen. Dette gjelder bl.a. å styrke deltagelsen fra regionale aktører i sektoren og ivareta avtalestyring på nye områder. Det foreslås at infrastrukturforetaket som skal forvalte eksisterende og bygge ny jernbaneinfrastruktur, skal ha ansvar for trafikkstyring og forvalte og utvikle eiendom. Foretaket skal forvalte statens klare ansvar for infrastrukturen og ha en forretningsmessig innretning. Regjeringen vil samle og rendyrke miljøet som skal ha som hovedoppgave å bygge og drive jernbanen. Deler av Jernbaneverket vil videreføres i en virksomhet som gjøres om til statsforetak. Rom Eiendom overføres til statsforetaket for å samle eiendomsforvaltningen på ett sted i sektoren. Det vil gi bedre muligheter for å skape mer effektive knutepunkter. Med en forretningsmessig organisering av infrastrukturen legges det også opp til flerårige avtaler mellom staten og infrastrukturforetaket, noe som vil gi større forutsigbarhet og helhetlig bruk av ressursene. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre vil påpeke at det er behov for å forbedre jernbanens infrastruktur. Det er derfor en del av reformen.

om å kjøre persontog, slik det for så vidt allerede er for godstog, vil dette komme både privatpersoner og næringslivet til gode gjennom bedre tjenester. Summen av dette vil bidra til at kundens – privatpersoner og næringslivet – behov blir bedre ivaretatt enn i dag. NSB videreføres som et samlet transportselskap, heleid av staten, bestående av NSB Persontog, CargoNet, Tågkompaniet AB, Nettbuss og NSB Gjøvikbanen. Men NSB Persontog vil etter hvert møte konkurranse på samme måte som CargoNet, Tågkompaniet og Nettbuss gjør det i dag. Blant annet vil Flytoget få mulighet til å bli en aktiv aktør utover tilbringertjenesten til Gardermoen. Spør man dem som jobber i Nettbuss, vet de at det å vinne en anbudsrunde innebærer en tidsbegrenset rett og plikt til å transportere passasjerene på tildelt strekning. Det er ikke det samme som å ha monopol på strekningen. En reform skal ha noe å strekke seg etter. I stortingsmeldingen tilkjennegir regjeringen sine visjoner for norsk jernbane. For det første: Jernbanen skal være sentral i løsningen på transportutfordringene. Norge står overfor betydelige transportutfordringer i årene som kommer. Befolkningsveksten, spesielt rundt storbyene, og veksten i godstransporten må håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbanen skal være en sentral del av løsningen på denne utfordringen, og det må derfor legges til rette for at jernbanen blir en integrert del av utviklingen av trafikknutepunkter og bymiljøer. Det må også legges til rette for at godstransport flyttes fra vei til sjø og bane. For det andre: Jernbanetilbudet skal fortsatt være et offentlig ansvar. Beslutninger om hvor det skal gå tog, og hvor ofte de skal gå, skal fortsatt fattes i organer under politisk kontroll, som ivaretar samfunnets, brukernes og kundenes behov, og som ser hen til mer enn bedriftsøkonomiske vurderinger. Ansvaret for jernbaneinfrastrukturen skal ligge til offentlig eid virksomhet. For det tredje: Kunden skal settes i sentrum. Uklart og varierende kundefokus bidrar til at sektoren mangler tilstrekkelige incentiver for at kunden skal komme i sentrum for organisasjonens prioriteringer. Jernbaneverket har ingen økonomiske egeninteresser av å holde togtrafikken i gang. Lav kjøreveisavgift gjør at Jernbaneverket ikke framstår som en leverandør med klare forpliktelser overfor togselskapene. NSB, som har avgrenset monopol, har svakere incentiv til å utvikle et bedre produkt for kunden enn om selskapet konkurrerte med andre. For det fjerde: Langsiktige mål skal være styrende for utviklingen. Regjeringen legger opp til å videreføre dagens modell for ansvarsdeling. Det er imidlertid viktig at regionale og lokale myndigheter og kommuner i større grad enn i dag involveres i arbeidet med planlegging av togtrafikken. Fylkeskommunene har ansvaret for hoveddelen av kollektivtransporten her i landet, og det er derfor viktig at det nye direktoratet tar dette innover seg. For det femte: Det skal tilrettelegges for konkurranse. Et av de sentrale grepene i den framlagte jernbanereformen er å legge til rette for konkurranse om sporene gjennom følgende tiltak: Det tilstrebes at statlig eide selskaper ikke gis fordeler i konkurransen gjennom særfordeler eller kontroll over strategiske innsatsfaktorer. Det skisseres en løsning hvor noen definerte strekninger blir konkurranseutsatt. Det offentlige stiller krav som er aktuelle for norske forhold. forhold. Operatørene får disponere norsk materiell hvis ikke annet er avtalt. Det er ingen som trekker NSB og de ansattes kompetanse i tvil. Tvert imot er NSB en dyktig transportør, og det skal de fortsatt være. Det er interessant at NSB i dag, gjennom Tågkompaniet, kjører i Sverige etter å ha vunnet konkurranser der. I disse dager konkurrerer selskapet om en kontrakt som har flere kunder enn NSB har i Norge. Jeg synes mange i debatten har vist en stor mistillit til NSB når de tror tror NSB vil tape alle oppdrag og forsvinne. Ingen har bedre forutsetninger enn de som kjører tog i Norge i dag, til å vinne konkurranser. Regjeringen foretar noen viktige avgrensninger i reformen. Meldingen vurderer ikke hvordan jernbanenettet bør utvikles i årene som kommer. Jernbanereformen omhandler heller ikke utbygging eller nedlegging av Dette er vurderinger som i første rekke må gjøres som ledd i Nasjonal transportplan-arbeidet. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre finner derfor en oppramsing av konkrete jernbanetiltak å ligge utenfor rammen av denne saken. Det samme gjelder forholdet til Flytoget AS. I debatten er det fra arbeidstagerorganisasjonene særlig vektlagt kapitlene som omhandler eventuell konkurranseutsetting av togstrekningene. Som togpassasjer fikk jeg utdelt flyers om hvor farlig reformen er. Innholdet er imidlertid sterkt farget av organisasjonenes politiske ståsted og uten reell forankring i stortingsmeldingen. Her er noen eksempler: Det framstilles som om konkurranseutsetting skal erstatte offentlige innkjøp. Det er ikke riktig. Kollektivtransporten vil fortsatt bli subsidiert, uavhengig av operatør. Konkurransen blir ikke om kunden, men om statens penger, hevdes det. Svaret på det er at reformen dreier seg om hvordan vi kan oppnå et best mulig togtilbud for de pengene vi faktisk bruker. NSB og Flytoget gir staten 900 mill. kr i utbytte, sto det – underforstått at det er dumt å kvitte seg med NSB og Flytoget. Reformen innebærer ikke at vi kvitter oss med NSB og Flytoget. Begge vil fortsatt være offentlig eie. Dessuten er ikke formålet med reformen å maksimere det statlige overskuddet, men å sikre et best mulig togtilbud. Infrastrukturen er svært dårlig og årsak til 70 pst. av alle togforsinkelser. Det er helt riktig at de største utfordringene på jernbanen skyldes dårlig infrastruktur. Jernbanen har ikke tålt det rød-grønne forfallet som den ble utsatt for i åtte år, der vedlikeholdsetterslepet nesten doblet seg fra 9 mrd. kr til nesten 18 mrd. kr. Men vi har ambisjoner for 100 pst. av jernbanen. Dersom hele 30 pst. av jernbanen kan bli bedre med bedre organisering, er det sannelig god grunn til å komme i gang med reformarbeidet. Det har blitt fokusert mye på konkurranseutsetting. Det er ikke uventet, men allikevel litt rart, for det er ganske vanlig i kollektivtransporten. I vårt område er det ingen motstand mot at Ruter AS setter bussrutene på anbud i sykluser på sju–åtte år. Spørsmålet er: Lønner det seg?

Takk for oppmerksomheten. Det blir replikkordskifte. I et oppslag i VG 4. september i fjor med overskriften «Tut og kjør!» og «Skal knuse NSB-monopolet» uttalte lederen av transportkomiteen, Linda Hofstad Helleland: «Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake.» Spørsmålet mitt til representanten Jegstad er: Er det dette som er utgangspunktet for det stortingsflertallet nå går inn for, og hvordan smaker tannkremen som nå presses ut? Det utsagnet henspiller på, er for det første det at man ønsket å oppheve monopolet, og det var jo det man var i ferd med å gjøre. NSB har hatt et monopol, og det monopolet ønsket vi ikke. Men det betyr ikke at man ikke ser at NSB har kompetanse til å kjøre tog og har store fordeler – det var jo derfor de vant anbudet på Gjøvikbanen i sin tid, og det er derfor de nå konkurrerer for fullt i Sverige. Så det er monopolet som er hovedfokuset i den uttalelsen som lederen kom med om dette. Det andre poenget er at vi har erfaring med at når det gjelder de reformene de borgerlige regjeringene har gjort – det har stort sett vært de som har gjort det – har Arbeiderpartiet, når de uheldigvis har kommet til makten like etterpå, ikke reversert dem. Det tror vi heller ikke de kommer til å gjøre med den reformen vi er i ferd med å gjennomføre Vi var alle sammen samlet utenfor Stortinget her i dag, hvor det var en storstilt markering. De jernbaneansatte mobiliserte sterkt, og det skjønner jeg godt når jeg hører at de har vært så lite involvert som de har vært. Da spør jeg representanten Jegstad: Hvorfor ville man ikke involvere de ansatte før reformen var Min opplysning er at de ansatte har vært informert underveis, og da vi hadde høringen i Stortinget, var det ulike meninger om det blant de ansattes organisasjoner, for noen var faktisk fornøyd med den informasjonen de hadde fått. Jeg stusser litt over at man sier at man ikke har vært informert, og så kan man si hvor mye man har informert. Det kan også henge sammen med at hvis man ikke får de svarene man ønsker, så føler man seg ofte litt uinformert. Men det kommer jo en videre prosess, og jeg sa i mitt innlegg at dette er rammeverket, og nå skal dette gjennomføres, og da vil det være prosesser hvor de ansatte får den informasjonen de skal ha i forhold til gjeldende regler, arbeidsmiljøloven osv. Representanten Jegstad har jo lang erfaring fra Akershus fylkeskommune, som bl.a. er eier av deler av Ruter sammen med Oslo kommune. I Ruter, Akershus og

har man valgt å la være å konkurranseutsette sporveisdriften, og man har beholdt den med monopol nettopp fordi man har konkludert med at det ikke er fornuftig med konkurranseutsetting. Da er spørsmålet: Hvorfor i all verden mener, og mente, stortingsrepresentanten, den tidligere fylkesrepresentanten, Jegstad at det som ikke var ikke var egnet for Sporveien og for Ruter i Oslo, er kjempelurt å gjøre for NSB i hele landet? Det skyldes vel at jeg som fylkesordfører i Akershus ikke hadde noen makt over Sporveien i Oslo, det er et Oslo-selskap. Jeg er som kunde veldig interessert i at jeg får den rette prisen på Ruter-billetten min. Hvis man ser på sammensetningen av min Ruter-billett, utgjør den 12 pst. jernbane, 32 pst. sporveien, 1 pst. båt og 45 pst. buss. Bussen er konkurranseutsatt, men jeg tror Ruter har en

ville være interessert i å vite om de 1 740 kr jeg betaler for periodekortet, faktisk er den prisen jeg skal betale, og at servicen er den beste jeg kan få. Det er på en måte monopolets problem, at når vi handler opp 55 pst. i et monopol, vet vi ikke helt sikkert om prisen på månedsbilletten blir den riktige. Replikkordskiftet er omme. I dag har tusenvis av jernbanefolk demonstrert, demonstrert mot regjeringens privatiseringsreform. De ansatte på jernbanen er glad i jernbanen og glad i jobben sin. Nå er
taler er Sverre Myrli,

La oss heller bruke et mer parlamentarisk språk og si at utfordringen på dagens jernbane ikke er at vi har for få trafikkselskaper, men at vi har for mye gammel og for mye enkeltsporet jernbane. Når de reisende i dag opplever forsinkelser og innstillinger, skyldes det som oftest feil i sporet. Stor grad av enkeltspor og gamle tekniske anlegg vanskeliggjør et attraktivt togtilbud mange steder. Derfor er det aller viktigste jernbanepolitiske grepet å øke investeringene til bygging av nye spor og samtidig vedlikeholde eksisterende spor. Det hjelper ikke hva selskapet heter, eller om vognene er røde, blå eller gule når sporet ikke fungerer. For å sikre rask utbygging og god ressursutnyttelse bør Jernbaneverket moderniseres og effektiviseres. Planleggingskapasiteten må bli større, og kompetansen må styrkes på sentrale områder. Etter Arbeiderpartiets mening må også NSB styrkes som transportselskap. Modernisering av togmateriellet er Feil på tog er den viktigste årsaken til de forsinkelsene og innstillingene NSB selv har skylda for, og det er mer feil på de gamle togene enn på de nye togene. På kort sikt må derfor NSBs opsjon på kjøp av ytterligere 70 Flirt-tog utløses. Det vil kreve statlige garantier, og det mener Arbeiderpartiet staten må gi. Etter at Nordlandsbanen sto ferdig i ble det ikke bygd nye jernbanestrekninger i Norge før Oslotunnelen sto ferdig i 1980, og så Gardermobanen i 1999 – to nye jernbanestrekninger på 40 år. 1970- og 1980-tallet var privatbilismens tiår i Norge. Som sagt: I 1999 sto Gardermobanen ferdig som Norges første høyhastighetsbane. Gardermobanen og Flytoget var en viktig årsak til at den rød-grønne regjeringen i 2005 bestemte seg for å starte den store gjenoppbyggingen av jernbanen. I løpet av få år ble Jernbaneverkets investeringsbudsjett sjudoblet, og snart ble dobbeltspor på Jærbanen og nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Asker åpnet. Det ble etablert et forbedret togtilbud både på strekningen Sandnes–Stavanger og i Vestkorridoren. Passasjertallet har økt på begge strekningene, og NSB opplever nå en kraftig passasjervekst på Romerike etter etableringen av 10-minutters rute Lillestrøm–Asker og tre avganger i timen Eidsvoll–Drammen. Lillestrøm er blitt den tredje største jernbanestasjonen i Norge målt i antall passasjerer, og Eidsvoll Verk stasjon har hatt en passasjervekst på 60 pst. de siste åra.

Hvis du reiser til Lillestrøm stasjon i dag og spør, så møter du bare fornøyde togpassasjerer. Men reiser du til Hauketo eller Kolbotn, møter du misfornøyde togpassasjerer fordi det er gammel jernbane med gammelt teknisk utstyr som medfører forsinkelser og innstillinger. Hvorfor skal vi gjøre dette så komplisert? Vi vet jo at løsningen er å bygge mer ny jernbane. Vi må øke bevilgningene til jernbanens infrastruktur, og så må vi ha noen ambisjoner for jernbanen i stedet for bare å snakke om struktur, enheter, selskaper og hva det måtte være. Hva vil vi egentlig med jernbanen? Hva vil stortingsflertallet med jernbanen? Jo, jernbanen må rett og slett bygges ut til å ta større deler av transportvolumet for dem som bruker toget til daglige arbeidsreiser. Her kan toget spesielt spille en rolle på Østlandet og langs Jærbanen, Vossebanen, Trønderbanen og Saltenpendelen. Jernbanetilbudet må bygges ut, slik at tog kan være et reelt alternativ på strekningene Oslo–Trondheim, Oslo–Bergen, Oslo–Stockholm, Oslo–Gøteborg, Oslo–Kristiansand og på sikt også Oslo–Stavanger. Etter flere år med vekst i godstrafikken på jernbanen på begynnelsen av 2000-tallet har utviklingen de siste åra vært negativ. Det er behov for en kraftsatsing for å få mer gods fra veg til jernbane. Regjeringen og stortingsflertallet forskriver feil medisin. Resultatet blir en mer oppsplittet jernbane, med nytt direktorat, nytt foretak og nye selskaper. Arbeiderpartiet er ikke imot omorganiseringer. Vi omorganiserte og opprettet Jernbaneverket i men skal vi omorganisere, må det være for å få et bedre tilbud og ikke på grunn av ideologiske prinsipper, slik vi nå ser. Den framlagte stortingsmeldingen bærer preg av at det er ideologisk tankegods som presenteres. En forventer og antar en rekke ganger, men har svært lite konkret å vise til, f.eks. erfaringer fra andre land, som har gjort det

og er ikke faglig begrunnet i det hele tatt. Jernbanen ble omorganisert i 1966. Hvis vi skal ta lærdom av den omorganiseringen, må det være at det har blitt veldig mange ulike enheter og selskaper på jernbanen. Er løsningen da å splitte opp enda mer? Er løsningen å lage enda flere enheter og selskaper? Nei, det er feil. Vi bør heller samle i stedet for å splitte opp enda mer. Og hvorfor er det slik at store jernbaneland som Tyskland, Østerrike, Frankrike og Sveits mener at samordning av togtrafikk, infrastruktur og ruteplanlegging er løsningen for å skape vekst for jernbanen? Forskning viser også at land med integrert jernbane jevnt over presterer bedre resultater i form av trafikkvekst og bedre togtilbud enn land som har splittet opp jernbanen. Erfaringer fra så å si alle europeiske land er at det ikke først og fremst er organisatoriske endringer, men viljen til å bruke penger på jernbanen som avgjør om jernbanen går bra eller ei. Erfaringene fra en storstilt privatisering, som i Storbritannia, er ikke særlig positive. Regjeringens jernbanemelding er proppfull av planer om privatisering og konkurranseutsetting, og det er førende for de forslagene og de tiltakene som foreslås. Det kan Arbeiderpartiet ikke være med på, selv om det i meldingen måtte finnes positive enkeltelementer. Vi ønsker mer samordning og fremmer derfor forslag, sammen med Senterpartiet, om å utrede en integrert modell. Arbeiderpartiet ønsker å slå fast at NSB skal styrkes og videreutvikles, og at Flytoget ikke skal selges, og fremmer forslag også om det sammen med Senterpartiet. La meg helt til slutt summere opp Arbeiderpartiets ti punkter for en bedre jernbane. Det er å bygge mer moderne jernbane tilby de reisende flere avganger kjøpe flere nye tog styrke NSB som et moderne transportselskap ha felles ansvar for tog og skinner si nei til privatisering av Jernbaneverket gi Jernbaneverket større myndighet og gjennomføringskraft si nei til salg av Flytoget si ja til å samle eierskap til stasjoner i Jernbaneverket si nei til salg av Flytoget si ja til å samle eierskap til stasjoner i Jernbaneverket si nei til sosial dumping på jernbanen Helt til slutt vil jeg ta opp de tre mindretallsforslagene som er referert i innstillingen, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Representanten Sverre Myrli har tatt opp de forslagene som han refererte til. Det blir replikkordskifte. Representanten Myrli snakket om visjoner for

Vi sjudoblet investeringene til Jernbaneverket, vi tredoblet Jernbaneverkets budsjett totalt sett, vi ga mer penger for å planlegge og bygge mer jernbane. Vi åpnet for prosjektfinansiering, f.eks. av Follobanen, og vi innførte en rekke tiltak for rett og slett å få mer fart i utbyggingen av jernbanen, bygge mer jernbane og vedlikeholde mer jernbane. Og det er det som er poenget til Arbeiderpartiet: Det går ikke an å se de tingene adskilt. Det er en sammenheng mellom togdrift og infrastruktur. Jeg vil gjenta noe av Jegstads spørsmål, for jeg er

Nå har de rød-grønne med Arbeiderpartiet i spissen hatt iallfall de siste ti årene på å komme fram til hvordan deres jernbanereform eller planer skal være. Åtte år i regjering og to år i opposisjon – jeg har ikke sett noe ennå. Det viser med andre ord at de ikke er på sporet. Derfor blir mine spørsmål: Når kommer Arbeiderpartiets alternative jernbanereform på banen? Har Arbeiderpartiet i det hele tatt noen planer, og når kommer de ut av sidesporet? Det er

for å få en bedre togdrift. Og når Godskesen sier at det ikke skjedde noe som helst, tror jeg hun egentlig ikke mener det når hun får tenkt seg om. Budsjettene ble mangedoblet, det ble bygd mye dobbeltspor – jeg kan nevne Lysaker–Asker, Jærbanen, Vestfoldbanen, og så kan Godskesen ta en tur oppover langs Mjøsa og se den store utbyggingen som nå foregår langs Mjøsa på Dovrebanen. Det er løsningen på framtidens jernbane. Vi ønsker å fortsette dette, og så ønsker vi også å foreta visse organisatoriske endringer, men de skal gå i motsatt retning. Vi ønsker å samle mer og fremmer forslag om at regjeringen skal utrede det.

«De som reiser med jernbanen i dag, får ikke et godt nok tilbud. NSB er opptatt av at reformen skal bidra til bedre togleveranser for kundene og en mer effektiv utnyttelse av ressursene som investeres i jernbanen». Tar konsernsjefen i NSB helt feil? Jeg har ikke sett at noen fra Arbeiderpartiet har brukt begrepet «slakte NSB», men jeg selv og andre har brukt begrepet «vingeklipping» av NSB. Og det mener jeg, fordi vi vil se et NSB i framtiden som er «bare» et vanlig transportselskap på linje med andre som måtte konkurrere. Det står i meldingen at NSB ikke skal ha noen særfordeler – ja, faktisk er det sånn at en med det som ligger i om materielldisponering, gir NSB ulemper i konkurransesituasjonen opp mot andre som måtte legge inn anbud på det som anbudsutsettes. Så en er altså fra flertallets side så opptatt av å få inn andre aktører at en er villig til å vingeklippe NSB – NSB skal ikke ha noen særfordeler. Vi ønsker å gå motsatt vei, vi ønsker å styrke NSB, beholde NSB som det dominerende og store kraftselskapet innenfor jernbanen, tilføre NSB mer materiell og videreutvikle det som et sterkt selskap. Replikkordskiftet er omme.

og for første gang på mange tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet på jernbanen etter sammenhengende vekst under den forrige regjeringen. Det er et beregnet etterslep i fornying av jernbanesektoren på anslagsvis 17 mrd. kr. I tillegg kommer behovet for å fornye signalanleggene. Arbeidet med reduksjon av vedlikeholdsetterslep er regjeringen nå i gang med. Men vi vil mer enn bare reduksjon. Vi mener at hele vedlikeholdsetterslepet må fjernes. Det hjelper ikke å være god på å bygge nytt hvis man lar det man allerede har, ruste vekk. Derfor har vi nå i forbindelse med arbeidet med ny NTP lansert en strategi for å avvikle etterslepet av vedlikeholdet. Hvorfor er dette så viktig i forbindelse med jernbanereformen? Nedslitt og gammel infrastruktur gir unødig mange driftsavbrudd og mye Infrastrukturmanglene svekker togets konkurransekraft i en tid der vi trenger det motsatte. Skal vi greie å ta unna for den betydelige transportveksten vi kommer til å få rundt byområdene, må dette fungere. Regjeringen skal styrke jernbanens konkurransekraft som transportalternativ for pendlere rundt de store byområdene og ikke minst også for godstransporten over lengre reiseavstander. Derfor har vi bl.a. økt antallet avganger på de viktigste persontogstrekningene for å gjøre tilbudet mer fleksibelt. Skal toget bli det foretrukne alternativet som hverdagstransport for flere, holder det ikke bare med mer penger. Det må også etableres et rammeverk rundt jernbanen som sørger for at vi får nok jernbane ut av alle de pengene som investeres. Jernbanens grunnleggende utfordring er godt dokumentert. Men skal dette løses på en effektiv måte, må det sørges for en modernisering av rammevilkårene som gir klare ansvarsforhold. Vi må invitere alle gode krefter, også i privat sektor, til å bli med på å utforme framtidens norske jernbanesektor. Dagens jernbaneorganisering, slik den har vært, har ligget fast siden 1996, og vi vet jo alle hva hovedutfordringene er. De er velkjente: uklare ansvarsforhold og manglende incentiver til å kunderette tilbudet. Til tross for dette valgte den rød-grønne regjeringen å møte framtiden baklengs – ingen endringsvilje på åtte sammenhengende år. Vi har hatt en fullstendig reformtørke i samferdselssektoren i disse årene. Kanskje var det fordi Senterpartiet, som satt i Samferdselsdepartementet, var redd for om en satsing på kollektivtilbud i byene ville ha gått ut over distrikt og vei. Kanskje var det derfor. Dermed ble det nada. Med ny regjering kommer nå de nødvendige endringene i et godt fellesskap mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget. Vi får nå både en Vi skal bygge ut masse ny infrastruktur de kommende årene, og vi skal ta bedre vare på det vi allerede har bygget. Da trenger vi en mer overordnet og langsiktig styring av sektoren enn vi har i dag. Vi beholder myndighetsoppgavene i Jernbaneverket. I dag har Jernbaneverket et for stort spenn i sine oppgaver. Direktoratet vil få en sentral posisjon i styring og ikke minst i koordinering av sektoren, ved at det eksempelvis vil være kjøper av infrastruktur og utbyggingstjenester samt kjøper av togtransport. Vi etablerer noe helt nytt – et infrastrukturforetak. Ja, det er et tungt ord, men dette er bare en begynnelse. Her vil en lang rekke oppgaver av operativ karakter ivaretas. Foretaket vil ha en oppgave som leverandør av fungerende jernbaneinfrastruktur samt ivareta byggherrefunksjonen i viktige utbyggingsprosjekter. Foretaket skal gis operasjonell frihet og incentiver til effektiv drift. Når vi nå skal forme framtidens jernbanesektor, er det viktig at vi inkluderer alle gode krefter i samfunnet, både offentlig og privat sektor. gjøres bruk av private leverandører i jernbanesektoren i dag. Dette er bra, men vi mener at muligheten for å skaffe oss mer innovative og effektive transporttjenester må benyttes mer. Dette gjør vi i de fleste andre deler av transportsektoren, med gode resultater. Gjøvikbanen er foreløpig den eneste persontogstrekningen der flere aktører har vært invitert med.

Vi vil at flere mennesker bosatt rundt de store byene skal ønske å bruke togene. Skal dette la seg gjøre, må vi sørge for at togtilbudet blir så fleksibelt og kundeorientert at det passer inn i folks hverdag. Vi mener sporet fram til flere togbrukere ikke går gjennom regulering og tvang, men ved å gi togleverandørene de beste forutsetninger for å konkurrere. Så er det opp til dem å gjøre tilbudet sitt attraktivt for folk flest – herunder også å samkjøre et billettsystem. For veldig mange vil bilen og veien uansett være eneste mulige praktiske transportmiddel i hverdagen. Et mer fleksibelt togtilbud som setter kundebehovet i første rekke, vil gjøre at langt flere enn i dag vil foretrekke toget til sin daglige transport, av egen fri vilje. Vi satser på gulrot og ikke pisk, rett og slett fordi toget leverer transporttjenestene mest effektivt.

Og når store land som Tyskland og Frankrike gjør det stikk motsatte, hvorfor tror representanten at det skal bli så bra i Norge? Vi mener først og fremst at vi ikke splitter opp, men omfordeler. Vi målretter – vi lager tydelige mål som skal nås – og vi skiller ikke minst mellom det styrende og det utførende organ. Vi ser faktisk at konkurranse virker.

av ressursane no kjem til å gå til byråkrati, og derfor mindre til å gje jernbanetilbod til passasjerane? Først: Jeg er kjempeglad for at Arbeiderpartiet er like opptatt som Fremskrittspartiet av at vi ikke skal ha et byråkrati som bare fortsetter å bli større og større. Jeg er veldig fornøyd med at vi er på lag for å redusere byråkratiet, og det gjør vi absolutt.

versus bane. Jeg tror vi skal klare å holde kontrollen på byråkratiet. Og så er jeg sikker på at ved å klare å innføre tydelige mål oppnår en mye lettere å kutte i byråkratiet. Replikkordskiftet er omme. Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Norge de neste tiårene. Dette skaper økt behov for transport. Ikke minst gjelder dette i og rundt de største byene. Vi

I klimaforliket har vi forpliktet oss til at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. På denne bakgrunn og av hensyn til framkommelighet og jernbanen som et kapasitetssterkt og arealeffektivt transportmiddel framstår toget som den helt sentrale løsningen på framtidens transportutfordringer. transportutfordringer. Det er derfor Kristelig Folkeparti står bak dette forslaget til jernbanereform – fordi vi ønsker å gjøre transporttilbudet jernbanen representerer, viktigere for flere kunder på person- og godssiden. Samtidig er det viktig fra Kristelig Folkepartis side å understreke det som er en premiss for reformen, at jernbanen skal være et offentlig ansvar. Beslutningen om hvor det skal gå tog, og hvor ofte det skal gå, skal fortsatt tas i organer som er under politisk kontroll, for nettopp å ivareta samfunnets og brukernes behov. Det skal ikke være bedriftsøkonomiske vurderinger som bestemmer hvor og når toget skal gå, og infrastrukturen skal være eid av den norske stat. Så er det viktig at vi i arbeidet med å legge til rette for å gjøre jernbanen viktigere for flere mennesker tar vare på det som fungerer godt i dag. dag. Da vil jeg nevne det aller viktigste først, nemlig sikkerheten. Det er ingen som kan betvile at sikkerheten på norsk jernbane er meget god. Også regularitet og punktlighet beveger seg i riktig retning, med en punktlighetsoppnåelse på mer enn 90 pst. de senere årene. Hva er da begrunnelsen for å gjøre endringer? La meg nevne noen sentrale årsaker. Det er stor enighet om at det er en uhensiktsmessig og til dels uklar oppgavefordeling innenfor jernbanesektoren i dag. Det er en sammenblanding av myndighetsoppgaver og operative oppgaver. Jernbaneverket er både et myndighetsorgan og en leverandør av togselskapenes viktigste innsatsfaktor: en velfungerende infrastruktur. Ansvaret for jernbaneeiendommer er et annet område hvor det har vært et delt eierskap mellom Jernbaneverket og Rom Eiendom i NSB, en deling som har skapt utfordringer for f.eks. knutepunktsutvikling. Utviklingen av eiendomsmassen har ikke i tilstrekkelig grad blitt sett i en helhetlig sammenheng. Virksomhetene har hatt ulike mål, og det har oppstått uenigheter. Jernbanesektoren har i dag svake incentivmekanismer. Dagens finansieringssystem inneholder få incentiver for å holde jernbanen åpen for trafikk. Jernbanesektoren har i for stor grad hatt fokus på enkeltelementer i jernbanepolitikken, f.eks. knyttet opp mot konkrete togavganger og avgangstider. Vi trenger et økt kundefokus. En jernbane som skal bli tatt i bruk av stadig flere mennesker og eiere av gods i årene framover, trenger incentiver som Det er behov for en bedre koordinering mellom jernbanen og øvrig kollektivvirksomhet i storbyområdene spesielt, men også over resten av landet. Det er et klart behov for å koordinere billettsystemet og takster og informasjon på tvers av kollektivtilbudene og over fylkesgrensene, slik at reisen blir mest mulig sømløs for den reisende. På dette området har Samferdselsdepartementet et ansvar for at de nødvendige verktøy blir utviklet med en klar ansvarsfordeling og tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos de ansvarlige. Gjennom etablering av et direktorat direkte underlagt Samferdselsdepartementet overfører man de myndighetsoppgavene som tidligere lå i Jernbaneverket, til det nye direktoratet. Dette vil da få en sentral rolle med hensyn til strategisk planlegging, faglig støtte til departementet i arbeidet med statsbudsjettet, overordnet ansvar for drift og vedlikehold, kjøp av transporttjenester og forvaltning av økonomiske virkemidler. Gjennom de grepene som gjøres nå, ligger det godt til rette for at vi i framtiden også kan tenke enda mer helhetlig. Transportsystemet er komplekst, og alt henger sammen med alt. Vi trenger en mer helhetlig utvikling av transportsystemet og hele transportsektoren, slik at vi får utnyttet de ulike transportformene enda bedre, så det blir mest mulig sømløst for trafikantene. Det må være målet. Derfor synes vi i Kristelig Folkeparti at det er en spennende tilnærming fra departementets side å vurdere om det som nå gjøres, kan danne grunnlag for å etablere et sektorovergripende transportdirektorat for både jernbane og vei. Da snakker vi ikke om at dette skal skje umiddelbart. Her må vi ta utviklingen trinnvis. Men på sikt bør man se på dette. I forrige stortingsperiode fremmet Kristelig Folkeparti et representantforslag om å få utredet nettopp en felles transportetat. Ikke minst hva gjelder strategisk planlegging for å se vei og jernbane i sammenheng og for å løse framtidens transportutfordringer, tror vi det kan være noe å hente gjennom et sektorovergripende direktorat. Jeg vil også understreke at selv om dette er et forvaltningsorgan direkte underlagt Samferdselsdepartementet, er det viktig at det blir en aktør som har rammer og muligheter for å initiere og utvikle nye initiativ. Det trengs et direktorat som kan være på høyde med utviklingen, være i forkant av utviklingen, både når det gjelder kollektivtransport og jernbane, i lys av de økte transportbehovene som vil komme. Etablering av et eget infrastrukturforetak som skal eie, forvalte, drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, samt utføre

Driftsuavhengige utviklingsprosjekter kan selges når markedet er til stede, og når eier får best mulig avkastning på investert kapital. Når en i meldingen gir uttrykk for at det skal innføres gradvis konkurranse om persontransport på tog, handler det om å bidra til å skape et best mulig togtilbud for kundene. Fra Kristelig Folkepartis side handler ikke dette om ideologi, men om muligheten for å utvikle et enda bedre togprodukt for kunden. Togselskapene får en egeninteresse i å beholde og tiltrekke seg nye kunder og utvikle reiseopplevelsen for den reisende. Det er likevel av avgjørende betydning at dette gjøres trinnvis. Det er viktig at en bruker erfaringene fra konkurranseutsettingene før en tar neste skritt, og at en og en pakke legges ut av gangen. Det bør også være en forutsetning at strukturen i den nye reformen er på plass før man starter konkurranseutsettingen på den første strekningen. Kristelig Folkeparti er det viktig at man fortsatt har et sterkt NSB, et statlig selskap som kan være en sentral aktør i det norske markedet. Derfor har det vært vesentlig at NSB AS videreføres som et samlet transportselskap bestående av NSB persontog, Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen, Nettbuss, CargoNet og konsern- og fellesfunksjoner, 100 pst. eid av staten. Det å åpne opp for at det kan komme flere persontogoperatører på banen, samt at en legger opp til bruk av flere private aktører innen drift og vedlikehold, tror vi kan resultere i gode effekter også på utviklingen av nye løsninger. Forslaget til ny organisering legger til rette for bedre samordning og koordinering. Opposisjonen kaller den nye organiseringsmodellen for «oppsplitting», men jeg vil påstå at det faktisk er det motsatte som er foreslått. Et nytt jernbanedirektorat med konsentrerte planressurser vil se utbygging av infrastruktur i sammenheng med framtidig ruteproduksjon og materiellbehov. En ny ordning med kjøreveisavgift og innføring av en ytelsesordning styrker koordineringen mellom infrastrukturselskap og togoperatører. En samling av all eiendom i infrastrukturselskapet, hvor det profesjonelle forvaltermiljøet fra ROM Eiendom utgjør kjernen i dette samlede, nye gjør at en unngår den type konflikter man tidligere har hatt f.eks. når det gjelder utvikling av knutepunktsfunksjoner. Så er det viktig å tilføye: En omorganisering av jernbanen er ikke tilstrekkelig for å gjøre jernbanen bedre og viktigere for flere mennesker. Vi er veldig klar over at det å kunne utvikle jernbanen til noe bedre enn en har i dag, også krever tilførsel av økonomiske ressurser. Gjennom de to siste budsjettårene har de fire samarbeidspartiene vist at de er villige til å satse på jernbanen gjennom økte bevilgninger til investering, drift og vedlikehold. For Kristelig Folkeparti er det av helt avgjørende betydning at denne ressursinnsatsen til jernbanen skal øke i årene framover. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep å ta igjen. For første gang på mer enn 15 år begynner vi å ta igjen noe av etterslepet i 2015. Samtidig har vi opplevd i denne perioden at at bevilgningene til jernbane har økt. Det gjorde det også i forrige periode, og det vil jeg gjerne gi de rød-grønne honnør for. Det var bra – det var veldig bra. Samtidig opplevde vi i Kristelig Folkeparti å snakke for døve ører hver gang vi foreslo radikale grep. Vi vil ha fornyelse. Det er viktig at vi nå tenker framtid. Jernbanen skal bli viktigere for flere. Nå tas de grepene som Kristelig Folkeparti har kjempet lenge for. Det er bra, og det skjer i et godt samarbeid med en offensiv statsråd. Det blir replikkordskifte. Regjeringen skryter i meldingen av de ansatte: «Dagens ansatte er den viktigste ressursen for

Ansatte ble informert samme dag som ministeren, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti hadde sin pressekonferanse 11. mai. Her legger altså regjeringen opp til en storstilt omorganisering uten å lytte til de ansatte. De ansatte er overkjørt, og det fikk vi med all tydelighet høre utenfor her i dag. Nei, her bør man bruke mer tid, ikke minst av hensyn til de ansatte. Hvorfor har man det så travelt? Er Kristelig Folkeparti fornøyd med måten denne saken har blitt tvunget gjennom i ekspressfart på, eller er det sånn at man blir påvirket av de tilbakemeldingene som man har fått i dag? At det skulle komme en reform på jernbanesektoren, har vært kjent over lang tid, selv om en ikke har vært direkte kjent med det konkrete innholdet. Så det kan ikke ha kommet som noen overraskelse. Jeg tror at en framlagt reform skaper forventninger, men den skaper også usikkerhet – hvor skal dette lande? Jeg tror det da er viktig å få til avklaringer, sånn at ansatte og andre berørte slipper å leve i usikkerhet over mange, mange måneder. Ellers har vi hatt normale høringsprosesser i Stortinget, som man har ved andre reformer. Jeg opplever at politisk sett har det vært mulig å komme med innspill i hele prosessen. De ulike partiene har hatt mulighet til å møte de forskjellige gruppene, så jeg opplever at vi har ivaretatt dette. Så kunne man selvfølgelig ønske seg enda mer tid, det kan jeg være åpen for, men jeg føler vi har ivaretatt dette på en måte som er forsvarlig.

drive. Dersom NSB mister inntektene av de mest lønnsomme strekningene til konkurrerende selskaper, blir spørsmålet: Hvordan skal vi sikre langdistansetrafikken som er i dag, og som vi mener er en viktig del av det jernbanetilbudet vi har? For det første vil jeg si at det første skrittet, og det som er det aller viktigste å få på plass nå, er den nye strukturen rundt hvordan jernbanen skal organiseres – med direktorat, med statlig foretak og rydding med tanke på myndighetsoppgaver og de operative oppgavene. Når det gjelder konkurranseutsettingen, synes vi det er viktig at dette tas trinn for trinn. Man må gjøre noen erfaringer før man tar neste trinn. I hele dette opplegget som vi har lagt opp til nå, sammen med de tre andre samarbeidspartiene, er det snakk om kjøp av tjenester. Kjøpene blir ikke redusert selv om man ønsker å drive konkurranseutsetting. Så vi tror at de statlige kjøpene faktisk må øke framover for å kunne sikre gode tilbud til kundene. Og konkurranseutsetting er ikke et ledd i et tiltak eller en strategi som skal gjøre at kjøp fra staten blir mindre viktig framover enn det det er i dag.

Så min oppfatning er at klarer man å få til en høyere grad av regularitet, at varene blir levert til rett tid, vil også interessen for å kunne bruke jernbane for gods øke. Så jeg tror konkurranseutsettingen her faktisk har hatt mindre å si for den utviklingen som representanten Eidsvoll Holmås presenterer, og som absolutt er bekymringsfull. Her tror jeg vi må sette inn andre tiltak. tiltak. Derfor tror vi på at den omorganiseringen som vi foreslår nå, sammen med økte ressurser til vedlikehold og nye investeringer, vil være det som skal til for å få mer gods over på jernbane. Dermed er replikkordskiftet omme. Først vil jeg på vegne av Senterpartiet få si at det er lagt opp til en uforsvarlig behandlingsmåte i denne saken. Å behandle en så stor og

Senterpartiet mener at jernbanen må bygges ut og ta større deler av transportvolumet for dem som bruker toget til daglige reiser. Så er det viktig å utvikle togtilbudet også på de litt lengre distansene som kan bygge større regioner og landsdeler sammen. Senterpartiet vil øke kapasiteten og regulariteten for godstransport i hele landet. Mer gods må over på bane og på kjøl. Senterpartiet mener at regjeringens forslag om å innføre en generell kjøreveisavgift på jernbanen igjen vil føre til at enda mer gods og tømmer vil bli transportert på vei framfor bane. Det er ikke akkurat i den retningen vi ønsker å gå. Jernbanepolitikken må utformes slik at det skapes et attraktivt og moderne togtilbud for passasjerer og gods. Målet er at tog skal være det foretrukne alternativet på de strekningene som betjenes. Det vil stille store krav til de ansvarlige for sporet og til de ansvarlige for og det vil kreve god samordning mellom de to. Skal jernbanen fungere optimalt, behøves langsiktig planlegging, gradvis større investeringer både i drift og vedlikehold og i nyinvesteringer, og en helhetlig tenking. Derfor må jernbanesektoren ha en klar politisk styring og tydelige krav. Oppsplitting og markedsretting over tid har ikke gitt jernbanesektoren det nødvendige løftet, og regjeringen vil ta denne utviklingen enda lenger i feil retning. Mens Norge nå tilpasser jernbanen konkurransekravene fra EU, har motstanden vært stor i mange EU-land. Land som Frankrike, Italia, Sveits, Tyskland, Belgia, Irland, Luxembourg og Østerrike har valgt ikke å følge EUs pålegg om å skille infrastruktur og togdrift, men beholdt en integrert modell. Mange av disse landene betraktes som verdens fremste på jernbanefeltet. De fleste har også lite konkurranse i persontrafikken. Senterpartiet mener at å splitte opp Jernbane-Norge enda mer er feil vei å gå. Man bør samle NSB og Jernbaneverket til en integrert løsning. Forskning viser at land med integrert jernbane jevnt over presterer bedre resultater i form av trafikkvekst og bedre togtilbud enn land som har splittet opp jernbanen. Sverige og Storbritannia har gått motsatt vei, med oppsplitting av jernbanen. Svensk jernbane er nå preget av mye forsinkelser, misfornøyde kunder og til dels kaotiske Britisk jernbane har et svært høyt kostnadsnivå sammenlignet med andre europeiske land og lav kundetilfredshet. Erfaringer fra så å si alle europeiske land er at det ikke først og fremst er organisatoriske endringer, men viljen til å bruke penger på jernbanen som avgjør om jernbanen går bra eller ikke. Jernbanesatsingen de siste ti årene har gitt resultater. I de siste årene har togtilbudet blitt vesentlig bedre, punktligheten har økt, færre tog er innstilt, mange flere reiser med tog, og kundetilfredsheten har gått opp. Det er viktig at denne satsingen fortsetter, og at myndighetene har mulighet til å sikre kvaliteten på tilbudene NSB og Flytoget gir. Midler til drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur må holdes på et høyt nivå, slik at vedlikeholdsrtterslepet tas igjen og elimineres. Senterpartiet ønsker å beholde både NSB og Flytoget i statens eie. NSB må styrkes og videreutvikles som et moderne transportselskap eid av staten. Overbygningen mellom Jernbaneverket og NSB må etableres, slik at vi får en integrert modell. Den største fordelen med dette er at en får muligheten til å se infrastruktur og passasjertilbud under ett. Da kan utstyr og materiell kunne benyttes fleksibelt og raskt ta unna trafikale utfordringer. En klar utfordring med konkurranseutsetting er at dette blir delt mellom ulike selskaper, slik at det Et integrert selskap vil ha kraft og styrke til å sette inn tiltak raskt og effektivt der dette behøves. Konkurranseutsetting vil kunne svekke tilbudet vesentlig på de lite trafikkerte strekningene her i landet. Det vil ikke være like interessant å kjøre tog på alle strekninger i Norge. Det vil sannsynligvis være mer attraktivt med drift på Gardermobanen og de mest trafikkerte strekningene, men ikke like attraktivt på alle. Dersom NSB mister inntektene fra de mest lønnsomme strekningene til konkurrerende selskaper, blir det mindre penger i den potten som NSB i dag bruker på å drive et helhetlig tilbud, og det er ikke en god løsning. Senterpartiet gir heller ikke fullmakt til salg av aksjer i Flytoget, selskapet skal være i statlig eie – det er jo en suksesshistorie fra A til Å. Denne privatiseringen vil ramme mange av de utrolig dyktige og dedikerte ansatte, som vil få dårligere arbeidsvilkår. Det er ingen god løsning. Så Senterpartiet sier ja til en framtidsrettet jernbane – og nei til oppsplitting og privatisering. Det åpnes for replikkordskifte.

Senterpartiet har hatt samferdselsministeren i åtte år og burde åpenbart kjent godt til dagens organisering og drift av jernbanen. Er det da viljen eller evnen til å finne tiltak det står på når Senterpartiet ikke har noen egne forslag til forbedring, eller er de bare vant til å bli overkjørt av Arbeiderpartiet i samferdselsspørsmål, og at det derfor bare er lettest å følge dem? Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har et godt samarbeid og har hatt det i åtte år. Det er ingen grunn til at vi ikke skal fortsette å ha det selv om vi sitter i opposisjon. Vi har samsnakket oss rundt de punktene som ligger i den reformen som vi behandler nå, og det samme i den forrige saken. Vi støtter det forslaget som er lagt fram, og mener at det viktigste grepet vi kan ta, er å investere langsiktig både i vedlikehold og i nye strekninger. Da er det et langsiktig arbeid som skal på plass for at vi skal få jernbanen enda bedre opprustet enn den er i dag. Det som flertallet gjør i dag, er å gå stikk motsatt vei, og det vil i hvert fall ikke føre til bedre jernbane for

med jernbanen. Utvalget pekte på løsninger som konkurranse, privatkapital og en annen organisering av sektoren. I innstillingen vi behandler i dag, er det vanskelig å finne vilje til verken nye grep eller langsiktighet fra Senterpartiet. Tvert imot skriver Senterpartiet at man vil ha en enda mer detaljert politisk styring av jernbanen, enda mer detaljstyring. Har Senterpartiet gitt opp? Har Senterpartiet gitt opp? Senterpartiet har på ingen måte gitt opp samferdselspolitikken, og ser viktigheten av å satse både langsiktig og kortsiktig på tiltak. Et av forslagene som ligger i saken, er at vi ønsker å se på en overbygning mellom NSB og Jernbaneverket. Det mener vi er rett medisin. Det er en sak som Senterpartiet tror vil være viktig. Vi ønsker i tillegg å satse på jernbanen, vi løftet jernbanen inn i vårt alternative budsjett sist, og vil komme til å gjøre det, både på vedlikehold og investering. Det ligger en større utredning om konseptvalg for elektrifisering av de gjenstående banestrekningene. Det er en ambisjon vi har, at det bør på plass. Det vil være en klimavennlig politikk å få gjort noe med de gamle diesellokomotivene, og det vil være viktig for godstrafikken hvis vi får enda bedre utbygging av de lange banestrekningene. Replikkordskiftet er omme. Innledningsvis tenkte jeg å si at komiteen har vært veldig heldig med å ha en så kyndig saksordfører, og

Det krever at vi ruster opp og vedlikeholder infrastrukturen. Det krever en smartere organisering av sektoren. Det krever et attraktivt rutetilbud. Venstre og de tre andre samarbeidspartiene har økt bevilgningene til fornying og vedlikehold av eksisterende jernbane. Det gjør at Jernbaneverket betegner 2015 som «det første store vedlikeholdsåret», og det første året på lenge der vedlikeholdsetterslepet på jernbane blir redusert. Det at bevilgningene er kommet opp på et så høyt nivå, gjør at vi kan tenke nytt om hvordan vi organiserer vedlikeholdet. For første gang legges det opp til at fornying og vedlikehold kan gjøres strekningsvis og helt – ikke klattvis og delt. I tillegg planlegges og bygges det nye spor og nye baner,

av at vi bevilger mer penger, og vi bevilger til de tiltak vi vet fungerer. Men det er et viktig men: Penger alene løser ikke utfordringene i jernbanesektoren. Penger alene skaper ikke et bedre togtilbud for deg og meg eller for næringslivet som skal ha fraktet varene sine. Det er derfor Venstre over lengre tid har ønsket en omorganisering av norsk jernbane. Det foreslo vi flere ganger i forrige stortingsperiode, men ble nedstemt. Nå har vi brukt lang tid på å forhandle med regjeringspartiene og har kommet fram til et godt første skritt på veien fram mot en smartere organisert jernbanesektor. En jernbanereform gir ingen mening uten at den gir et bedre togtilbud for folk. Det gjør denne reformen. Det aller viktigste grepet for Venstre har vært å etablere en enhet som skal arbeide med rutemodeller og koordinering med øvrig kollektivtransport, gjennom å sette seg mål og planlegge hvordan togtilbudet skal være på lang sikt. Det har ikke vært gjort før i Norge. Vi har planlagt strekning for strekning, men ikke sett alt i en helhet som tar utgangspunkt i hvordan togtilbudet skal være til og fra Rognan, Steinkjer, Egersund, Hokksund og Sandvika om 5–10–25–50 år. Disse rutemodellene vil danne grunnlaget for hvordan vi prioriterer ressursene til vedlikehold og fornying, til nye større utbyggingsprosjekter, til innkjøp av togsett og ikke minst hva slags togtilbud med hvilken frekvens staten skal kjøpe på hver enkelt strekning. Dette vil igjen synes i et bedre togtilbud til oss passasjerer, der våre nåværende og framtidige behov blir grunnlaget for hvilke utbedringer som gjøres. Et annet viktig grep samarbeidspartiene gjør i fellesskap, er å etablere en infrastrukturenhet. Denne enheten skal ha ansvaret for hele infrastrukturen, inkludert tog og stasjoner. Det er bra. Det er i dag uklare ansvarsforhold i jernbanesektoren, og det å samle hele eierskapet på ett sted vil plassere hele ansvaret til den nye enheten. Dette muliggjør også at vi i større grad kan se stasjoner, infrastruktur og rutetilbud i sammenheng. Det vil være naturlig at den nye infrastrukturenheten bruker eiendom og kapital til å sikre flere «park and ride»-løsninger, til å skape attraktive stasjonsområder og til å bidra til at det fortettes rundt stasjonsområdene. Vi i Venstre tror det er nyttig og vet at det er nødvendig å se alt dette i en sammenheng. Det er også et stort behov for å få oversikt over den faktiske tilstanden på infrastrukturen. Det er satt i gang et arbeid med å kartlegge tilstanden, som dermed kan danne grunnlag for hvilke tiltak vi må igangsette i årene som kommer. Infrastrukturenheten må ha stor frihet til å prioritere ressursene sine der de vil gi størst nytte, for å gi passasjerer og næringsliv det togtilbudet som planlegges på kortere og lengre sikt. For Venstre vil det For Venstre vil det være naturlig at infrastrukturenheten vil få flerårige budsjetter og mulighet til å ta opp lån på samme vilkår som veiselskapet. Dette vil være med på å sikre at vi får bygd ut mer jernbane i årene som kommer. Noen har hevdet i debatten at jernbanereformen er et hastverksarbeid som ikke vil gi et bedre togtilbud. Jeg er uenig med dem. Det er helt avgjørende å få på plass en ny måte å tenke jernbane på i Norge. Vi må planlegge langsiktig. Vi må ha tro på at jernbane vil kunne bli det foretrukne transportalternativet der det finnes, og den må være organisert på en slik måte at denne tankegangen kan settes ut i livet. Det er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til når de i praksis stemmer imot hele reformen.

og jeg sier ingen. Venstre har arbeidet for og vil arbeide videre for å sikre gode pensjonsvilkår for dem som arbeider på jernbanen i dag. Vi vil sørge for at jernbanen skal være en attraktiv arbeidsplass for alle, enten det er ingeniører eller lokførere, om det er trafikkstyrere eller vedlikeholdsarbeidere. Gjennom langsiktige planer blir arbeidsplassene sikrere, særlig for dem som arbeider med infrastruktur og vedlikehold. Det har vært nedbemanninger – det er trist. Det har vært nedbemanninger og nedlegging av selskaper i jernbanesektoren de siste årene, fordi den rødgrønne regjeringen ikke har klart å skape gode, forutsigbare rammebetingelser. Jeg mener at forutsigbarheten og rammene nå kommer tilbake. For det tredje: Vedtaket i dag innebærer ikke det Arbeiderpartiet kaller privatisering av jernbanen. NSB vil fremdeles være et sterkt statlig eid transportselskap. Infrastrukturen samles i en statlig enhet som vil ha som formål å styrke og fremme jernbane som transportmiddel. Samtidig har vi gjennom budsjettene vist at vi faktisk prioriterer å kjøpe flere togavganger, at vi prioriterer å redusere vedlikeholdsetterslepet, at vi prioriterer å planlegge å bygge ut ny infrastruktur med offentlige penger. Statens innsats på jernbanefeltet er stort, og vil bli større, fordi det er viktig. Det er viktig for jernbanen selv. Det er viktig for klimaet. Det er viktig for jernbanen selv. Det er viktig for klimaet. Det er viktig for by- og tettstedsutvikling. Det er viktig for næringslivet. Og viktigst: Det er med på å gjøre det enklere for oss alle å leve livet vårt: reise, pendle og få gods dit vi bor. Det blir replikkordskifte. Venstre og Kristelig Folkeparti er

av den. Den har vakt stort engasjement. Vi deltok alle sammen på demonstrasjon utenfor Stortinget i dag og møtte de ansatte i «jernbanefamilien», tror jeg jeg vil si. På demonstrasjonen utenfor Stortinget tidligere i dag sa representanten Raja at Venstre hadde fått med seg regjeringen på å sikre pensjonen til de ansatte. ansatte. Da lurer jeg på om det har skjedd noe etter at stortingsmeldingen ble lagt fram, for de ansatte var veldig misfornøyde med det som ligger om pensjon i meldingen. Hva er det Venstre har fått gjennomslag for å endre etter at meldingen ble lagt fram? Kan representanten Raja utdype det for oss?

Akkurat nå er stortingsflertallet slik at vi vil åpne for å konkurranseutsette enkelte elementer i dette. Når det gjelder pensjonsordningene, er vi klare på at dette ikke skal være noen forringelse for de ansatte som er i selskapene nå, og at de skal videreføres. Det ligger det også an til. Venstre vil følge opp dette, og pensjonsordninger vil bli ivaretatt på en skikkelig og god måte. Vi vil i alle fall være på ballen dersom det skulle vise seg at det ikke skulle bli på den måten vi har tenkt oss dette. La meg begynne med å si at jeg vet at Venstre har slåss inn penger til jernbanevedlikehold og til jernbanesatsingen i budsjettet som har vært, og derfor er jeg så lei meg for at Venstre er med på denne jernbanereformen, for jeg har til jernbanevedlikehold og til jernbanesatsingen i budsjettet som har vært, og derfor er jeg så lei meg for at Venstre er med på denne jernbanereformen, for jeg har ingen tro på at dette betyr bedre jernbane. Jeg skal i mitt innlegg komme tilbake til hva jeg tror det betyr for den norske jernbanen. Men derfor stiller jeg følgende spørsmål til Venstre: Vil Venstre kreve av den jernbanereformen vi får nå, på samme måte som vi har følgeevaluering når vi stenger et felt i en tunell på veiene våre her i Oslo, slik at vi kan se konsekvensene? Og vil Venstre, dersom det skulle vise seg at utviklingen går i feil retning, være villig til å ta en timeout og si: Her må vi tenke oss om en gang til og se om vi går den riktige

og nå er de på hele 21 mrd. kr. Når det gjelder følgeevalueringer, eller evalueringer underveis, må vi gjøre det. Det vi er i ferd med å gjøre nå, er det ingen som har gjort før. Da kan man ikke ta på seg ideologiske skylapper og dure fram. Her må man klart gjøre stopp, ta sjekkpauser og se om man er på riktig spor. Og dersom det viser seg nødvendig, må man justere kursen noe. Dette er flere av oss som utgjør dette flertallet, godt samsnakket om.

Da regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti sto på Oslo S og presenterte jernbanereformen før Stortinget hadde fått et eneste dokument, sa representanten Raja at vi er enige om noe, og så er det noe vi ikke har konkludert på, som vi skal gå videre med. Spørsmålet mitt er: Hva er det Venstre og Kristelig Folkeparti ikke har vært enige med regjeringspartiene om? Det var det første spørsmålet. Og spørsmål 2 til til det gamle partiet, som har vært opptatt av folkestyre og Stortingets innflytelse i politikken: Hva var grunnen til at reformen måtte bankes igjennom på fire uker, i stedet for at man fikk lytte til innspill, bruke tid og sette seg inn i saken og behandle saken f.eks. i oktober, når Stortinget har bedre tid til å sette seg inn i det? Hva var grunnen til et slikt hastverk?
alle de forslagene som ble fremmet fra vår side, ble rett og slett nedstemt og ikke tatt seriøst. Så en leksjon i demokratiforståelse er jeg ikke akkurat klar for å ta her i dag. Når det gjelder det å drive denne reformen fram: Ja, vi har vært utålmodige i opposisjon lenge; vi er klare til å drive reformene framover. Dette ville ikke Arbeiderpartiet gjøre da de satt åtte år med flertallsmakt. Selv om de ønsket å gjøre noe, visste de ikke hva de skulle gjøre. gjøre. Jeg skjønner at de nå er uenige i måten man gjør det på, for de har klaget dette inn for presidentskapet – at tidsfristen ikke var god nok, at de ville ha mer tid. Selv om de altså satt med makten i åtte år, var ikke dette god nok tid. Men jeg noterer meg at presidentskapet har ment at dette er forsvarlig saksbehandling, og jeg legger til grunn at det er i tråd med det parlamentariske systemet som vi har i dag.

alle frister som presidentskapet selv har satt for når saker skal være fremmet for å få dem behandlet, nettopp for å sikre en bred demokratisk behandling. Resultatet av at vi behandler denne saken nå, er mindre åpenhet, mindre demokrati, mindre debatt og mindre motstand, og der ligger kanskje noe av poenget. Så til saken: Dagen i dag er en trist dag for alle som elsker jernbanen i Norge i Norge – å se hvordan sammenslåing og koordinering er universalvirkemiddelet til denne regjeringen, når det gjelder høyskoler og universiteter, når det gjelder kommuner, som vi nettopp debatterte her, men ikke når det gjelder jernbanen. Der er oppsplitting av jernbaneoperatøren NSB det viktigste som skjer i jernbanereformen. Mens veireformen kan oppsummeres med mer motorvei, kan jernbanereformen oppsummeres med mer anbud. I dag fatter Høyre, Fremskrittspartiet, støttet av Venstre og Kristelig Folkeparti, vedtak om å partere NSB – det er jeg som bruker den beskrivelsen: et vedtak om å partere NSB – frata dem togene, frata dem verkstedene, frata dem ruteplanleggingen, frata dem jernbanestasjoner og frata dem oppgaven med å kjøre tog. Nå skal nemlig alt konkurranseutsettes. NSB står igjen som et bemanningsselskap som skal konkurrere om å kjøre tog på linje med mange andre. Dette er ikke jernbanen sånn som vi kjenner den, og det er heller ingen god idé for framtiden. Kåre Willoch pleide å si: Hvorfor skal man endre noe som fungerer? Det synes jeg er et godt poeng. Og NSB fungerer i dag. NSB er i vekst, når det gjelder både tillit, punktlighet og antall passasjerer, på grunn av politiske beslutninger som er tatt i løpet av de siste åtte årene. Det som ikke fungerer, er etter min oppfatning at de som er nærmest i kontakt med passasjerene, ikke er de som har ansvar for infrastrukturen. Derfor burde vi fulgt etter det som er hovedtrenden i vellykkede jernbaneland i Europa, nemlig å få til en integrert jernbaneorganisering. Det er nemlig to hovedretninger vi kunne gå i, nemlig integrert jernbane eller oppsplitting og konkurranseutsetting. SV velger det første, fordi det er det som er suksessoppskriften for en god jernbane, fordi det er det renommerte togland velger, fordi det er det som er best for passasjerene, er de som er nærmest passasjerene, som kan se hvor rutene som kan endres, er, som opplever passasjerene be om sykkelparkering på jernbanestasjonen, som hører på dem som gir beskjed om hvordan vognsett kan forbedres for å redusere vask og vedlikehold – fordi det er det som er suksessoppskriften, og fordi det er best for passasjerene at én tar hovedansvar for jernbanen. det uverdige spillet mellom NSB og Jernbaneverket som vi så en periode da det var nedrevne kjøreledninger, kunne Jernbaneverket si: Ja, det er NSBs feil, kanskje var det grafitten på pantografen som hadde ansvaret. NSB ville si: Nei, det er Jernbaneverkets dårlige vedlikehold. Men hvis en vil ha passasjerene i fokus, bør en ha én ansvarlig overfor passasjerene. Nå blir dette enda mer uoversiktlig.

Konkurranseutsetting vil ramme de aller fleste i jernbanen. Det betyr økt usikkerhet, kutt i pensjoner, kutt i bemanning og kutt i rengjøring hvis vi skal se på erfaringene fra vårt naboland Sverige. Det er uklok politikk å tro at de som sitter lengst vekk fra passasjerene, de som sitter lengst inne på et kontor i Jernbanedirektoratet, er de som best forstår hvordan en får en bedre jernbane. Min tippoldefar var smed og var med på å bygge Gravhalstunnelen som var datidens lengste jernbanetunnel. Hvis han kan i dag,

Det er vel ingen tvil om at SV har en tydelig forkjærlighet for jernbane, og at den er viktig for dem. Jeg ville tro at de ønsket å satse enda mer på jernbane enn det som skjedde i de åtte årene de var med i regjering. Realiteten var dessverre at vedlikeholdsetterslepet økte med 1 mrd. kr per år og doblet seg i løpet av den perioden. Jeg velger å tro at SV kjempet med nebb og klør mot utviklingen som skjedde i vedlikehold, og jeg er nysgjerrig på og jeg er nysgjerrig på hvem av Arbeiderpartiet og Senterpartiet som nedprioriterte vedlikeholdet. Jeg er i hvert fall glad for at det ikke var Fremskrittspartiet som satt med ansvaret for vedlikeholdet. Hvis man ser på de åtte årene Fremskrittspartiet leverte inn alternative statsbudsjetter, var det kutt i drift og vedlikehold på den posten med anslagsvis 1,5 mrd. kr – tror jeg det var, jeg har ikke

enn satsingen på jernbane. I denne perioden er det motsatt. Dette er en regjering preget av Fremskrittspartiet som ønsker å satse mest på vei. Det ser vi tydelige spor av. Vi mener det er viktig å satse mest på jernbane, og det kunne man se i den perioden vi var i regjering. Representanten Holmås sa at NSB fungerer godt. Det er i regjering. Representanten Holmås sa at NSB fungerer godt. Det er jeg helt enig i. NSB er etter hvert et veldrevet selskap og konkurrerer godt i Sverige og ellers, det går veldig bra. Problemet er at norsk jernbane ikke fungerer godt. Da blir mitt spørsmål: Når det gjelder den delen av saken som omhandler behovet for å samle strategisk planlegging – få det koordinert med nødvendige investeringer og en systembasert planlegging slik at ruteplanleggingen ses i sammenheng: Er SV enig i at det er viktig å få dette koordinert, og at dette må gjøres i et jernbanedirektorat?
på den første delen av spørsmålet er ja. Vi mener at det er riktig å koordinere bedre – at man får en samlet strategisk planlegging. Svaret på det andre spørsmålet er nei. Jeg synes ikke det er en god idé å Jeg mener det er mye bedre at det er det selskapet som er nærmest passasjerene, og som er i kontakt med passasjerene hver eneste dag, som skal ha den overordnede styringen av hvordan infrastrukturen skal tilrettelegges. Det er derfor jeg brenner for et integrert selskap. Hvis representanten mener at konkurranseutsetting er det viktigste – nå sier ikke jeg at representanten mener det, men det er helt åpenbart at det gjennomsyrer hele meldingen

og transportpolitikken har manglet helhet og prioriteringer. Derfor skal regjeringen selvfølgelig ha ros for økte jernbanebevilgninger og innsats for å redusere etterslepet og for interesse for en bedre organisering av jernbanen. Men i motsetning til Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett er regjeringen fortsatt ikke i nærheten av å oppfylle det Jernbaneverket selv mener er behovet. Fortsatt går regjeringens største satsing til mer motorvei. Det bygges motorvei langs jernbanen mellom Oslo og Trondheim, og på Trønderbanen planlegges det både dobbeltspor og elektrifisering, men det prosjekteres bare for det ene. Sånt er ikke effektivt; det er bare dyrt. Regjeringen er av den oppfatning at jernbanereformen vil gi mer bane for pengene. Vi mener at internasjonal erfaring tilsier det motsatte. Det vil ikke først og fremst stimulere til flere og raskere tog, bedre infrastruktur og elektrifisering av de gjenværende 1 700 kilometerne med dieseldrevet jernbane, og det vil ikke gi flere godsspor å omorganisere jernbanesystemet på den måten regjeringen foreslår. Faren er mye større for at mer penger vil gå til forvaltning, administrasjon og advokater og økonomer. Det er fornuftig å samle ansvaret for koordinering, styring og utvikling av jernbanesektoren i en organisasjon, og det er fornuftig å involvere fylkeskommunene og kommunene mer i utviklingen av jernbanen, men det krever ingen ny, tung reform – det kan gjøres i dagens system. Vi trenger heller ikke noen ny reform for å bygge dobbeltspor til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad innen 2024 eller for å få raskere tog mellom Oslo og Bergen. Det jernbanen trenger i Norge, er prioritet, forutsigbarhet og penger, og da kan dagens organisasjon gjøre jobben. Under regjeringens lansering av jernbanereformen ble det hevdet at det vil gi flere tog og gi flere reisende med anbudsutsetting, men det er ikke plass til flere persontog i det norske nettet i dag. Mellom Asker og Lillestrøm går det tog hvert tiende minutt. Konkurranse om å kjøre tog på fulle spor gir ikke flere tog. Og et anbudsregime, med seks–åtte anbudspakker, krever ressurser i seg selv, som må trekkes fra noe annet. Og hva skjer hvis et privat togselskap går konkurs i en anbudsperiode, som vi har sett i Sverige og Danmark – må staten da stå klar med reservetog og personell? Miljøpartiet De Grønne mener at en tettere organisering av NSB og Jernbaneverket er et godt tiltak, men det viktigste er å bevare et kompetent fagmiljø, å se helheten i togtilbudet og å ha en helhetlig kundefront. Et så lite jernbaneland som Norge er neppe egnet til flere togselskap. Miljøpartiet De Grønne kommer derfor til å stemme for de tre forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å utrede en integrert modell for organisering av jernbanen, styrke og videreutvikle NSB og beholde Flytoget på fellesskapets hender. Dette gjør vi ikke

vil gi sannsynlighet for mer jernbane. Vi tror ikke det gir mer jernbane å plage jernbanen med mer oppsplitting og omorganisering. Jernbanen må bli ryggraden i fremtidens norske transportsystem. Det forutsetter at vi beslutter og planlegger at jernbanen skal bli nettopp det, at vi konsentrerer oss om at reisetiden mellom de store byene må ned, at kapasiteten økes, og at togene går når de skal. Da må vi prioritere å satse – og ikke spre ressursene i oppsplitting og anbudsbyråkrati. Det blir replikkordskifte.

vår region er faktisk det å kunne koordinere samarbeidet mellom busselskapene, T-bane, trikk og jernbane veldig viktig, og jeg har ikke oppfattet at det går helt på skinner, for å si det sånn. Er det ikke i seg selv et poeng å få en litt mer uavhengig aktør inn i bildet som kan avveie disse transportmidlene opp mot hverandre, og ikke gi NSB nærmest monopol på hvordan rutenettet skal være? Nei, jeg tror ikke det, jeg tror det er å undervurdere NSBs og de andre etatenes evne til ganske alminnelig samarbeid, gitt at man får de nødvendige, tydelige føringene fra statlig myndighet. Det er ingenting spesielt som tilsier at et sånt samarbeid vil bli bedre ved en annen organisering i seg selv. Det er i grunnen et relativt velkjent faktum at det er aktørene og styringen som er det viktige, det er sjelden det er selve organiseringen som er det viktige. Så vi tror altså at det er lite fornuftig å avspore med enda mer omorganisering og oppsplitting og fornuftig å gi konsentrasjon, prioritering og lange linjer. Da kan jernbanesystemet fungere godt på egen hånd. Jeg har kanskje litt andre erfaringer enn representanten har. Vi vet at i den store omleggingen av rutetilbudet på jernbanen i 2012 2012 måtte Ruter omorganisere hele busstilbudet for å tilpasse seg NSBs nye togmodell, og det skapte betydelige problemer for samkjøringen mellom disse selskapene. Vi snakker tross alt om 60 pst. av kollektivtransporten i

så vidt har helt rett i, er dårlig samordning og koordinasjon mellom selskaper, er det jo ikke noe mangel på overordnede etater og departementer i Norge i dag som skulle kunne utøve den styringen. Det å etablere enda et organ som skal utøve styring, er langt fra noen overbevisende modell for å få mer orden i et system som er dårlig

Men det man egentlig foreslår, er ikke å bygge videre på det man har, det er å slå sammen NSB og Jernbaneverket til en ny organisasjon. Mitt spørsmål er da: Hvordan mener man at det vil gjøre NSB til et mer konkurransedyktig selskap å slå dette sammen, og hvordan vil man opprettholde innsyn, åpenhet og styringskontroll på et

for så vidt representanten Elvestuens poeng – det er bare det at det er så mye ved norsk jernbanehistorie de siste tiårene som tyder på at hovedproblemet ikke er organisasjonsmodellen. Hovedproblemet er fravær av overordnet prioritering, fravær av ressurser, og det er ikke minst når ressursgrunnlaget er dårlig,

utfall, utfall fra partier som i de åtte årene de styrte, i innstillingene i transportkomiteens budsjett skrøt veldig av vedlikeholdssatsingen på jernbane. I 2012 var de kjempefornøyd med at en videreførte den kraftige satsingen som en hadde i 2011. I 2013 skrev en i innstillingen at en var stolt av at en videreførte den kraftige satsingen som var i 2012. I dagens debatt, derimot, kommer det ramsalt kritikk av hvor dårlig stilt infrastrukturen på jernbanen er. Den rosen som kom etter år da en styrte selv, er nå blitt til at det er infrastrukturen som er problemet med alt som er på jernbanen. Da er jeg veldig stolt av at med det budsjettet som vi nå styrer etter, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, er dette det første året vi faktisk reduserer vedlikeholdsetterslepet. Det er ikke bare tomt skryt vi opplever, det er faktisk en reell prioritering av vedlikehold som gjør at de problemene som alle her i denne salen definerer som en stor utfordring for jernbanen, nå kan begynne å bli løst – i stedet for at en gjør det slik en har opplevd i de foregående ti årene: at vedlikeholdsetterslepet vokste. Ikke bare vokste det: I 2005, da de rød-grønne overtok, var det på 9,5 Med det budsjettet som Stoltenberg-regjeringen la fram for 2014, ville det ha vært på 18,3 mrd. kr – nesten en dobling. Jeg skulle ønske realitetsorienteringen kom litt før, at den kom da en faktisk kunne gjort noe med det – at en ikke bare satt og skrøt av en bevilgning som allikevel gjorde at vedlikeholdsetterslepet økte og økte, men tvert imot grep fatt i det. Da kunne vi hatt en jernbane i dag der vi ikke bare har noen få store, dyre prosjekter som gjør at det går mye penger på investeringssiden, men en jernbane der det hadde blitt satset over hele landet, der en hadde sørget for at det var et togtilbud som gjorde at ikke lokførere og konduktører var frustrerte nesten daglig fordi kjøreledninger og sporvekslere ikke fungerte. Da hadde en gjort at pendlere hadde et bedre inntrykk av jernbanen. Det er nettopp sånne ting vi skal flertallets side i gang med å bevilge mer penger til investeringer og til vedlikehold – ikke minst det siste, på grunn av hverdagsreisen til folk som skal stole på jernbanen, som er avhengig av at togene går når de er lovt. Det er for mange småbarnsforeldre som opplever at de må ringe til barnehagen og si: Jeg kommer ikke og henter ungen min tidsnok i dag, for toget er forsinket. Sånn kan det ikke være. Da stoler ikke folk på at kollektivtrafikken fungerer, og da velger de bilen. Og i de store byene er vi tjent med at jernbanen fungerer. Det samme gjelder for godstransport. Når vi har snakket med næringslivet, er det gjentatte ganger sagt at det viktigste for godstransporten ikke nødvendigvis er å redusere reisetiden med 5, 10 eller 15 minutter for containeren. Det viktigste er at en vet at containeren kommer fram på terminalen når den er lovt, fordi den er en del av en logistikkjede. Så vet vi at i de årene som gikk, var det lyntog en diskuterte mest av alt, mens forfallet økte. økte. Der har vi vært meget tydelige og har sagt at det er vedlikehold som er viktig, for infrastrukturen må fungere hver dag hvis næringslivet skal velge jernbanen som en løsning for sitt godsbehov. På plenen utenfor her tidligere i dag fikk vi kritikk fra Arbeiderpartiet, for når togene står på Hauketo stasjon og dørene ikke går igjen, er det det som er problemet. Jeg er helt enig, og det er jo derfor dagens flertall har økt antall nykjøp av tog – nettopp for å bytte ut materiellet raskere enn det som var planlagt. De problemstillingene som blir løftet opp som et argument for hvorfor jernbanen ikke går, er jeg helt enig i. Men det som ut fra forslagene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet framstår som litt rart, er at vi faktisk har begynt å gripe fatt i det. En trenger ikke fremme forslag om å kjøpe flere nye vognsett, det er vi allerede i gang med. En trenger ikke fremme forslag nå om at vi skal vedlikeholde mer, det er vi allerede i gang med. Men så trenger vi også å gjøre noe med systemene. Vi må samle ansvar som i dag er litt tilfeldig fordelt, ansvar som ligger litt i NSB, litt i Jernbaneverket, litt i Flytoget og litt i departementet. Det er der denne reformen, i tillegg til de økte bevilgningene, gjør at vi får en bedre jernbanesektor for ved at vi sørger for at vi lager et jernbanedirektorat som tar de overordnede oppgavene som Jernbaneverket har i dag, og sørger for at de skal koordinere og styre jernbanen. De skal ha det perspektivet som jeg opplevde da jeg møtte de sveitsiske jernbanefolkene i departementet og satt med dem en hel dag for å lære hvordan sveitserne har fått til sin suksess. De sitter og definerer hvordan jernbanen må være om 15 år ut fra befolkningsutvikling og ønsket transportbilde. I Norge sitter vi dessverre mer og ser på hvorfor vi ikke vedlikeholder 15 år gamle ting i stedet for å se 15 år fram i tid. Der har vi jernbanedirektoratet. Og når noen da snakker om at nå skal norsk jernbane privatiseres, er i hvert fall ikke det resultatet av vår reform, for i vår reform skal jernbanen styres av det offentlige, av politikere, av staten. Og så skal staten eie alt som beveger seg på jernbanen. jernbanen. Det samler vi i et materiellselskap. Der en i dag er delt inn i Jernbaneverket, litt i Flytoget og mye i NSB, sier vi at eiendommer, stasjoner, jernbaneskinner og togsett – alt skal ligge samme sted. Da har en inntekter og utgifter på samme sted, da har en de rette incentivene for å gjøre de gode investeringene i stedet for at en har ulikt syn i NSB og Jernbaneverket på hvordan en skal disponere arealene på et område. Alt dette er statlig eid. Det er altså ikke privatisering ute og går. Vi skal ha en langsiktig planlegging i direktoratet, vi skal ha eierskap til materiellet, og vi skal også sørge for at det som er i NSB i dag, et vedlikeholdsselskap, skal ligge rett under Samferdselsdepartementet. Vi skal også eie dem som vedlikeholder togsettene. Det er ikke privatisering. Dette handler om å samle ansvar, sørge for at en får gjort noe med de litt tilfeldige tingene som nå har ligget altfor lenge, og få ting til å fungere bedre. Så er det noen som har nevnt at prisene på billettene vil gå opp som følge av dette. Det er noen av skremslene jeg har registrert i denne debatten. Da vil jeg bare nevne at billettpriser ikke vil gå opp på grunn av reformen. Noen henviser da til England. Ja, i England er stort sett jernbanedriften finansiert av togkundene. I Norge har vi derimot valgt å finansiere dette delvis over statsbudsjettet. Vi bruker 3 mrd. kr i år på å subsidiere togbilletter, nettopp fordi en på en del strekninger ikke ville hatt togtilbud – faktisk nesten ingen – hvis alt skulle vært selvfinansiert. Vi ønsker mer tog på norske jernbaner, vi ønsker flere avganger, og da må vi også sørge for at staten er med og finansierer dette. Det betyr ikke høyere billettpriser, sånn som det hevdes. Vi opprettholder det systemet sånn som det er i dag. Så er det noen som hevder at får en mer enn en operatør, vil en få et kaos med billettyper. Vel, allerede i dag er det sånn at har en en NSB-billett, kan en ikke reise med Flytoget med den. Det problemet har ikke vært løst, men det problemet holder vi nå på å løse, for som jeg var ute med i forrige uke: Vi oppretter nå et selskap der vi samler alle de gode kreftene, med Ruter, med Jernbaneverket og lignende – og fylkeskommunene som eiere – for å få ett felles billettsystem, én felles ruteplan i Norge. Dette problemet, som noen sier er en utfordring med reformen, holder vi altså på å løse – det var en utfordring der, men nå skal vi få Noen hevder at NSB ikke vil kunne fungere hvis noen får lov til å utfordre dem på linjene deres. Det synes jeg er veldig defensivt. Vi vet at NSB i dag eier masse busser, og de er i konkurranse om de kontraktene hver dag. Vi vet at NSB eier Tågkompaniet i Sverige og har vunnet anbud der, og nå sitter altså NSB og regner på anbud om å overta togtransporttjenestene rundt Stockholm. Hvorfor i alle dager tror vi ikke at NSB skal kunne konkurrere på hjemmebane når de har vist hvordan de gjør det i utlandet? Men samtidig mener jeg at Flytoget har så mange gode kvaliteter at jeg mer enn gjerne ser Flytoget og NSB utfordre hverandre om hvordan de kan levere best mulig tjenester lokalt. Noen mener at denne reformen er hastverk. Ja, jeg vet ikke hva slags tempo forrige regjering planla på reformarbeid, men vi har altså brukt 20 måneder på den – 20 måneder. Vi har hatt mange møter med Jernbaneverket, med NSB, med Flytoget, med fagbevegelse, med ulike aktører for å få innspill om hvordan de vil at vi skal gå fram. Når det blir hevdet fra enkelte her at fagbevegelsen ikke har vært involvert, er det rett og slett feil. Vi har hatt to møter fysisk på vårt kontor i departementet, vi har vært rundt på flere opplegg fagbevegelsen har hatt, og jeg har også invitert meg selv til mange opplegg. Fagbevegelsen må bare ta kontakt, så stiller jeg opp, fordi fagbevegelsen og de ansatte her er viktig for gjennomføringen. Det skal være attraktivt å jobbe i norsk jernbane i Det vil være flere folk som jobber i jernbanen, det skal være spennende, en skal få utfordrende oppgaver, og ingeniørmessig, kundemessig, servicemessig og på alle områder vil vi se en spennende framtid for jernbanen. Jeg gleder meg til at vi nå legger til rette for det gjennom vår reform. Det blir

Jeg leser stortingsmeldingen som om trafikken skal legges ut i pakker, som det skal konkurreres om tildelingen av. Men når ett selskap har vunnet et anbud, er det bare dette selskapet som skal trafikkere strekningen de vinner, og ikke flere ulike selskaper. Er det Åse Michaelsen eller jeg som leser

Sånn var det under de rød-grønne, sånn er det under oss. Det som er viktig, er at når staten kjøper tjenester, må vi være sikre på at vi får best mulig tilbud for pengene, og der gjør et godt anbud at vi får den kvaliteten på plass. Forskjellen fra busstrafikk og flytrafikk er jo at der er det flere selskaper, der er det flere operatører som konkurrerer. Det vil det altså ikke bli her. Så det blir ikke en konkurranse på sporet, der passasjerene kan velge mellom ulike selskaper, det blir en konkurranse om sporet, og så vinner et selskap det for et visst antall år. Regjeringspartiene har brukt begrep som at Jernbaneverket har manglende incentiver for å holde jernbanen i gang; vi har hørt det i debatten her i dag også. Jeg synes det høres ut som om en mener at Jernbaneverket rett og slett ikke gjør jobben sin. I stortingsmeldingen står det, og jeg skal sitere: «Jernbaneverket har ingen økonomisk egeninteresse av å holde togtrafikken i gang.» Kjære, vene – Jernbaneverket er en del av forvaltningen. Mener samferdselsministeren at forvaltningen skal ha økonomiske egeninteresser av å iverksette ulike vedtak?

ikke er godt innrettet i dag for å sikre en best mulig jernbane. Og en kan godt mislike det fra Arbeiderpartiets side, men dette er det altså Jernbaneverket selv som sier. I dette arbeidet har både NSB, Jernbaneverket og Flytoget vært med og gitt innspill til hvordan en jernbanereform bør være. De har alle påpekt disse svakhetene. Men jeg merker meg at Arbeiderpartiet ikke har fått dem med seg etter åtte år i regjering.

jernbanen. Statsråden viste da til Sveits, hvor man ser 15 år fram i tid. Men skal man bygge en moderne jernbane, må man også ha et enda lenger perspektiv. Når man bygger til Lillehammer, må man vite hvordan man kommer seg til Trondheim. Bygger man til Halden, må man vite hvordan man kommer seg til Gøteborg. Og bygger man til Hønefoss, må man vite hvordan man skal komme seg til Bergen. Da blir mitt spørsmål: Er statsråden enig i at man må ha et mye lenger og overordnet strategisk perspektiv, og at dette perspektivet også må omhandle en høyhastighetsbane for å knytte byene i Skandinavia tettere sammen? Først vil jeg si takk til Venstre og Kristelig Folkeparti for det samarbeidet vi har hatt på jernbane for å få vedlikeholdsbevilgningene opp på det nivået de er nå. Det betyr at Jernbaneverket selv sier at 2015 er det store vedlikeholdsåret. vedlikeholdsåret. Jeg merket meg at en blant Jernbaneverkets ledende folk i 2014 sa at budsjettet som de da hadde blitt forespeilet, ville være en katastrofe for jernbanevedlikeholdet, men det ble bedre etter regjeringsskiftet. Når det gjelder perspektivene, er jeg også helt enig. I Nasjonal transportplan, som vi nå jobber med – den nye – som skal ha perspektiv fram til ut 2029, skal vi være konkrete på hva vi kan gjøre. Jeg tror at Jernbaneverket der vil kunne si at det er mulig eliminere vedlikeholdsetterslepet. Det er jo en fullstendig snuoperasjon i forhold til hvordan utviklingen har vært før. Men så skal vi også ha et perspektiv fram til 2050; det er også en del av bestillingen til Jernbaneverket. Vi har også god kontakt med svenskene for å se på hva vi kan gjøre med strekningen Oslo–Gøteborg på kort sikt, med den infrastrukturen som er, samtidig som jeg kommer til å invitere meg til den svenske ministeren i løpet av høsten for å diskutere hva vi kan gjøre med nyinvesteringer for å få opp linjen der og mot Stockholm

Det er en reform som er gjennomført uten en bred konsekvensutredning, som det framgår for oss, som vi kunne hatt i bunnen når vi skal ta stilling til jernbanereformen. Derfor spør jeg statsråden: Hva er det som kan få statsråden til å konkludere med at denne reformen går i feil retning? Jeg regner med, som representanten Abid Q. Raja sa, at det kommer til å være en følgeevaluering underveis. Jeg vil gjerne at statsråden bekrefter at det kommer til å skje. Er det forhold som redusert tillit, redusert regularitet og dårligere passasjerutvikling som ville kunne få statsråden til å snu? Jeg vet ikke helt hva representanten Eidsvoll Holmås vil fram til. Denne reformen har vi jobbet med lenge. Vi har altså konsultert og brukt de beste folkene som er på jernbane i Norge – som vi finner i Jernbaneverket, som vi finner i NSB, som vi finner i Flytoget, og som vi ikke minst finner i departementet. Det er en masse jernbanefaglig miljø rundt omkring. Det er kunder av jernbanen i NHO, det er folk i spekteret som organiserer folk i jernbanen, det er fagbevegelse. De aller fleste av disse peker i samme retning når det gjelder: Hva er problemene, og i hvilken retning må løsningene komme? Så er det noe ideologisk uenighet. Vi vet at LO-systemet er veldig ideologisk imot all form for konkurranse. Det merker vi i tilbakemeldingene. Men selv LO-systemet sier jo at de til og med vil ha et holdingsselskap som skal styre jernbanen, altså et aksjeselskap, som er mye mindre politisk kontrollerbart enn det direktoratet vi vil ha. Så i alle leirer er det nå et syn at man trenger en reform, unntatt hos de rød-grønne. Det synes jeg er bemerkelsesverdig med tanke på at dere har sittet på innsiden i åtte år. Med all respekt svarte ikke statsråden på spørsmålet mitt. Jeg stilte et veldig enkelt spørsmål. Det er følgende: Hva skal til for at statsråden skal vurdere om denne reformen ikke går i den retningen som han mener er riktig? Er det tillit – synkende tillit? Er det lavere regularitet? Er det dårligere utvikling i passasjertallet enn det vi har sett? Og er det slik at vi vil få en følgeforskning som ser på situasjonen i dag og ser på endringen som kommer, akkurat som representanten Abid Q. Raja sa at dere var skjønt enige om at skulle på plass? Selvsagt vil vi fortløpende evaluere alt det arbeidet vi gjør. Det er for meg helt naturlig. Hvis jeg ser at ting ikke har den utviklingen vi vil ha, må vi se: Er det utenforliggende faktorer, eller er det en del av de vedtakene vi har gjort? Og så må vi korrigere. Selv under forrige regjering ble det satt ned et utvalg med de beste folkene – toppledere i norsk jernbane – med departementsråden som sjef for utvalget, som konkluderte med at en reform Forrige regjering ønsket ikke det. Vi mener det er viktig. Og målsettingen min er å sørge for at man får flere tog på skinnene. Det har vi allerede. Man skal ha flere avganger på skinnene. Det har vi også fått allerede. Men vi skal gjøre enda mer. Vi skal få flere til å ville velge jernbane som sitt primære reisemiddel til og fra jobb i pendlersammenheng. Vi vil at mer av godset skal over på jernbanen, rett og slett fordi det øker trafikksikkerheten, det er mer miljøvennlig, og det reduserer slitasjen på veiene. Kommer det en utvikling som går i stikk motsatt retning, er det åpenbart at ting ikke er som de skal være, men utviklingen har allerede gått i feil retning, f.eks. når det gjelder gods på jernbane. Statsråden nevnte Sveits tidligere i debatten. Sveits er kanskje det mest vellykkede jernbanelandet i Europa. Men Sveits har jo valgt en såkalt samarbeidsmodell uten anbudsutsetting, der togtrafikk og infrastruktur eies og drives av integrerte selskap og med statlige SBB som helt dominerende selskap og drivkraft i jernbanepolitikken. Spørsmålet mitt er: Mener samferdselsministeren at han nå har lagt fram en sveitsisk modell for å organisere jernbanen? Er den modellen som nå er lagt fram, og som vi diskuterer, i tråd med modellen som eksisterer i Sveits? Vi har blitt inspirert mange steder når det gjelder jernbane. Ingen land har organisert jernbanen identisk med andre. Vi har plukket det vi mener er det beste fra de ulike landene. Sveits er er fortreffelig gode på langsiktig planlegging for å koordinere rutene. Alt det som direktoratet skal gjøre, gjør Sveits på en utmerket måte. Så skiller vi oss ad på ett område, og det er at Sveits har 70 selskaper – ett stort og dominerende, men mange, mange små – som skal koordinere, og som eier sine jernbanespor og togene oppå. Jeg snakket med sjefen for jernbanen i transportdepartementet i Sveits. Han sa det var utfordrende å koordinere så mange I Tyskland har de valgt en annen modell. Der har de Deutsche Bahn, som er dominerende på de store strekningene, der man ikke har subsidier. Men alle de lokale strekningene er styrt og eid av delstatene. 30 pst. av tysk jernbane er konkurranseutsatt. Jeg synes det er litt rart når mange fra rød-grønn side løfter opp det tyske som et flott selskap, som altså har konkurranseutsatt mer av sin persontransport enn det vi har i Norge. Replikkordskiftet er omme. Arbeiderpartiets mål er at hele den trafikkveksten vi kommer til

Det er utgangspunktet for Arbeiderpartiets jernbanepolitikk. Jernbanepolitikken må derfor utformes slik at det skapes et attraktivt og moderne togtilbud for passasjerer og gods. Målet er at toget skal være det alternativet som vinner på de strekningene der det går tog i dag, og der det skal gå tog både fortere og oftere enn i dag. Det vil stille store krav til dem som skal ha ansvar for sporet, og til dem som skal ha ansvar for togtrafikken, og – kanskje viktigst av alt – det vil kreve god samordning mellom disse aktørene. Arbeiderpartiet vil stille jernbanesektoren overfor ganske klar politisk styring, med tydelige krav. Da må vi organisere det deretter for å få til det. Jernbanesatsingen de ti siste årene har gitt resultater. I de ti siste årene har togtilbudet blitt vesentlig bedre. Det har også regjeringspartienes parlamentarikere framholdt når de har vært på talerstolen. Punktligheten har gått opp, færre tog er innstilt, mange flere reiser med toget, og For Arbeiderpartiet er det viktig at myndighetene har mulighet til å sikre kvaliteten på tilbudet fra NSB og Flytoget. For oss er målet bedre tog. Målet vårt – det selvstendige målet – er ikke å legge til rette for nye markeder, der utenlandske bedrifter kan høste overskudd fra norske offentlige budsjetter. Jernbanepolitikken skal tjene folk og næringsliv. Vårt mål er bedre tog. I dag presses en jernbanereform gjennom i Stortinget, som har hatt ganske minimalt med involvering og behandlingstid. Det er kanskje ikke et av de stolteste øyeblikkene i vårt fredelige demokrati, men det viser dessverre at vi har ulike mål for politikken. Arbeiderpartiet vil ha bedre tog, flertallet vil ha marked og privatisering. De store utfordringene for jernbanen er gamle spor og gamle tog.

fordi forslaget kommer etter flere år med framskritt og betydelige forbedringer i NSBs trafikk. I stortingsmeldingen foreslås det å etablere et ukjent antall nye selskaper, foretak og, ikke minst, et nytt direktorat. Vi mener at den omfattende oppdelingen vil føre til mer administrasjon og flere ansvarsfraskrivelser. Vi ønsker å samle kreftene og ansvarliggjøre organisasjonene i sektoren. Jeg gjentar: Det er greit når man har ulike midler for politikken, men i denne saken er nok målet for politikken ulikt. Vi vil ha bedre tog. Da må vi organisere det helhetlig og med tydelige ansvarslinjer. Flertallet vil ha marked og privatisering. Derfor stykker de dette opp i et per i dag ukjent antall selskaper og i nye statlige etater, foretak og direktorater. Det i et per i dag ukjent antall selskaper og i nye statlige etater, foretak og Det skrives at planen er utviklet med utgangspunkt i særnorske forhold og kunnskap om erfaringer i andre jernbaneland i Europa. Mulig det, men hvis målet er et bedre tilbud til kundene, ville en ha sett at oppsplitting, som dette faktisk er, konkurranseutsetting og privatisering ikke er løsningen, og at På rett spor fort kan bli til en avsporing. Hvis målet derimot er mer penger i lomma på utenlandske selskaper, vil en sikkert få gode resultater. Sannheten er at nå tvinges en viktig sak om framtidas jernbane og infrastruktur gjennom på kort tid, fordi det tydeligvis er andre hensyn enn kunnskap og erfaring som er viktig for flertallet i denne salen. Når de ikke engang vet at det er privatisering og oppsplitting man holder på med, er det mildt sagt bekymringsfullt. Dette handler om ideologi. Ideologi gir ikke bedre jernbane. Ideologi gir ikke flere tog. Ideologi gir ikke flere spor. Arbeiderpartiet er for endringer på jernbanen, men vi ønsker en samlet og sterk styring av virksomheten i offentlig regi. Vi vil at folkets skattepenger skal brukes på jernbane – ikke til å sikre multinasjonale selskaper overskudd. Reformen vil svekke kollektivtrafikken på skinner. Vi får ikke mer tog for Kundene får ikke flere valg. Det blir ikke billigere. Reformen vil svekke NSB og gi utenlandske selskaper monopol på å kjøre på togstrekninger i Norge. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har ikke tro på NSB, på at 150 års historie og kunnskap om jernbane har verdi. Det er trist og vitner om mangel på kunnskap om kompleksiteten i jernbanedrifta. Persontrafikken på norske skinner er ulønnsom. Togreiser her til lands er mulig takket være offentlig kjøp. Billettinntektene dekker omtrent halvparten av de reelle kostnadene for togtilbudet. Staten dekker resten ved at det offentlige kjøper tjenester direkte av NSB for 3 mrd. kr. Reformen åpner for konkurranse om offentlig støtte. Dette er penger private og fordi selskapene i liten grad vil kunne påvirke inntektene, vil løsningen være å kutte kostnader for å maksimere utbyttet. Det vil føre til et massivt press på ansattes lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst på pensjonen for 10 000 jernbaneansatte. Hvordan Venstre skal klare å unngå det, har de fortsatt ikke klart å svare på. For å gjøre det helt klart: Vi vil ikke at utenlandske togselskap skal kunne ta utbytte på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. NSB frakter årlig 60 millioner passasjerer. I Storbritannia omfatter et anbud på jernbanen i snitt 67 millioner passasjerer i året, altså mer enn det NSB har totalt. Skal anbudsregimet på jernbane drives igjennom, burde flertallet i det minste sikret seg at reformen var skikkelig utredet, ikke minst for sikkerheten og virkningen for jernbanen på lang sikt. Motviljen mot å utrede konsekvensene setter jernbanens framtid på spill. spill. Tallgrunnlaget er svakt. Som representanten Myrli sa, inneholder kapitlet «Kvantitative effekter» ikke ett eneste tall. Man antar at konkurranse vil gi økonomiske gevinster. Det plukkes elementer fra forskjellige inspirasjonskilder uten en samlet analyse av virkninger for de ansatte, de reisende og samfunnet. Samordning mellom de som bevilger penger, de som bygger jernbane, de som kjører togene, publikums behov og økonomiske midler over tid er oppskriften på en jernbane for framtida. Regjeringa lover at drifta skal bli mer effektiv, og at kundene skal få bedre jernbane. Hovedargumentet for oppdelt jernbane baserer seg på forutsetninger om at konkurranse trengs for å bedre ytelsen. Forskning konkluderer med det motsatte. Land med den beste jernbanen har valgt en samlet, integrert modell. I et kost–nytte-perspektiv gir altså ikke oppsplitting mest jernbane for pengene. Dermed blir konklusjonen i meldinga å regne som en påstand, en tro. Vi vet at tog og skinner lager en god jernbane – ikke ideologi, ikke tro. Til slutt om saka med involvering av de ansatte. Statsråden sier at de ansatte hadde vært på to møter. det er vel ikke antall møter som er viktig her? Det er vel hva møtene faktisk har inneholdt. Og saksordføreren sa også i en replikk at han var fornøyd fordi de ansatte hadde blitt informert. Å være informert og involvert er to forskjellige ting. At Kristelig Folkeparti også tydeligvis synes at dette er en grei måte å håndtere denne type saker på, regner jeg med at flere ansatte merker seg.

Likevel er det akkurat det som skjer. Vi bygger ut stykkevis og delt også i dag, uavhengig av regjeringsfarge. Det er det flere grunner til, men medvirkende grunner er planleggingsprosessen i forbindelse med NTP, den politiske vedtaksprosessen lokalt og sentralt, og at samfunnsøkonomisk lønnsomhet er mindre i fokus enn våre lokale prioriteringer, som vi alle blir målt på. Skal vi gjøre noe med utfordringene, må vi derfor også se på hvordan vi tilrettelegger for og gjør de politiske vedtakene. Når jeg har sittet og hørt på debatten her i dag, høres det imidlertid ut som at stykkevis og delt utbygging er historie. Det er forunderlig å høre på det, for når vi ser på de sakene som blir lagt fram, ja så er de

Vedlikeholdet ble økt, noe som var og er helt nødvendig etter år med nedprioritering. Det har gitt et bedre tilbud til innbyggerne på disse strekningene. I dagens NTP, som Stoltenberg-regjeringen utarbeidet, er det tatt ytterligere grep for å sikre en planlegging og utbygging med flere større utbyggingsprosjekter og en prosjektfinansiering av jernbaneinvesteringene som skulle gi en helhetlig, forutsigbar og sammenhengende utbygging. Transportetatene fikk krav på seg til å effektivisere, slik at plantiden ble halvert i forhold til i dag, mindre samferdselsprosjekter skulle kunne settes i gang uten Stortingets vedtak, for å skape raskere framdrift, og vi ville i større grad la staten ta styring over planene for å få framdrift i utbyggingene, slik vi gjorde med Gardermobanen. Alt dette er tiltak som ville imøtekommet kravet om å bygge ut helhetlig og sammenhengende og gjennomføre prosjektene raskere – hvis de blir gjennomført. Poenget med disse reformtiltakene reformtiltakene var å kunne tilby passasjerene en jernbane som er driftssikker, går og kommer til tiden og er rask og effektiv. Det har vi fortsatt ikke på alle strekninger i dag, som f.eks. på Østfoldbanen, der jeg pendler. Signalfeil, manglende materiell, manglende togpersonale og kø på banen er begrunnelser vi får for forsinkelser og innstilte tog. Jeg har ikke tro på at regjeringens hovedgrep i konkurranseutsetting og ytterligere oppstykking av de virksomhetene som har ansvaret for jernbanen – er svaret på disse problemene. Tvert imot. Ett eller flere nye selskap med samme togsett som NSB, vil ikke gi et bedre togtilbud enn det vi har i dag. Det er infrastrukturen som er hovedutfordringen, i tillegg til gamle togsett. Det er derfor behov for å bruke enda mer penger på å bygge ut dobbeltsporet jernbane på de strekningene som ikke har det i dag, og få opp farten til høyhastighet på 250 km/t, slik det er vedtatt i Nasjonal transportplan. Det er behov for å bruke enda mer penger på vedlikehold av jernbanen, slik at driftsproblemene blir minimalisert. Det er behov for å få i gang det nye signalsystemet, som er til utprøving. Og det er behov for å kjøpe inn flere nye togsett. Dette vil bedre driftssikkerheten på jernbanen og gi et bedre tilbud. Så er jeg enig i at det også er behov for organisatoriske forbedringer. Jeg vil imidlertid oppfordre statsråden til å utrede dette nærmere og se på flere løsninger, istedenfor å rushe gjennom en reform, slik regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti gjør nå. Jeg vil peke på et alternativ: NSB ble delt i 1996 – for over 20 år siden. Jernbaneverket og NSB er nå to forskjellige virksomheter og bør etter min mening fortsette å være det. Men en felles overbygning over NSB og Jernbaneverket, der felles oppgaver og nødvendig samordning kan gjøres, bør imidlertid utredes, for det er behov for mer samordning i transportsektoren – ikke mer oppsplitting. Utfordringen vår er å bygge ut et helhetlig, sammenhengende, effektivt, trafikksikkert og bærekraftig transportsystem for landet, der vi ser vei, bane, havner og lufthavner i sammenheng, og ikke planlegger og bygger ut disse hver for seg, som nå. Derfor bør det mer samordning til og ikke mer oppsplitting, slik det legges opp til i dag.

Her har man det travelt, og reaksjonene har ikke uteblitt. Det hørte vi i høringen som var, og vi hørte det ikke minst i dag ved den politiske markeringen som var utenfor Stortinget, og ikke minst ved at alle tog viser at det ikke bare er vi i opposisjonen som er overkjørt, men også alle andre som gjerne skulle ha tatt del i denne viktige prosessen. Det som nå skjer, er at man både kjører gjennom denne privatiseringsreformen i ekspressfart og overkjører alle berørte. Dette er sterkt kritikkverdig. Regjeringen skryter av de ansatte og sier at de er jernbanens viktigste ressurs – det står i men man involverer dem ikke i utarbeidingen av reformen. De skal kobles på nå når vi i kveld har fattet vedtaket. De legger altså opp til en storstilt omstilling uten å lytte til de ansatte, som de sier er den viktigste ressursen. At de ansatte er bekymret, forstår jeg godt. Erfaringer fra andre land viser at det lett blir press på både ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Vi ser også at det står svart på hvitt i meldingen at de nye som kommer inn i det nye foretaket, ikke skal omfattes av Statens pensjonskasse. Dette synes jeg er oppsiktsvekkende og egentlig viser hva man har tenkt å sette på spill. I den rød-grønne åtteårsperioden sjudoblet vi jernbaneinvesteringene

med nye tog. Derfor har passasjertallet økt med 60 pst. på Eidsvoll Verk stasjon, og derfor er Lillestrøm nå landets tredje største togstasjon. Færre tog er innstilt, det er færre forsinkelser, og kundene er mer fornøyd. Moderne dobbeltspor og flunkende nye tog er det som skal til. Det vet vi i Arbeiderpartiet, og derfor ønsker vi å gjøre noe med det. Når toget er forsinket på grunn av signalfeil, hjelper det ikke om Sørlandsbanen blir lagt ut på anbud. Når toget til Ski er innstilt fordi kjøreledningen er falt ned, er ikke privatisering av togtrafikken noe svar. Mye kan bli bedre, men mange kunder har opplevd store forbedringer de siste årene. Jernbanesatsingen de siste ti årene har gitt resultater. I de siste årene har togtilbudet blitt vesentlig bedre, punktligheten har økt, færre tog er innstilt, mange flere reiser med tog, og kundetilfredsheten har gått opp. Det er forresten et underlig tidspunkt de mørkeblå her velger for å slakte NSB – med NSB Frakt, flere passasjerer enn noen gang, og punktligheten er, som sagt, høyere enn noen gang. Når NSB gjør det bedre enn noen gang, skal togtrafikken deles opp og privatiseres og settes ut på anbud. Forstå det den som kan! Vi vil gjøre mer av det som har vært vellykket de siste ti og mindre av det som har gått galt. Mens de mørkeblå vil slakte NSB og splitte Jernbaneverket, vil Arbeiderpartiet styrke NSB og samle kreftene for framtidas jernbane. Vi vil samle, ikke splitte, Jernbane-Norge. Regjeringen vil splitte opp jernbanen i et ukjent antall aksjeselskaper, etablere foretak og direktorat. Måten regjeringen beskriver oppstykkingen og salget av Jernbaneverkets vedlikeholdsoppgaver på, ligner til forveksling den totalt mislykkede og livsfarlige oppstykkingen og salget av jernbanen som høyresida gjennomførte i Storbritannia på 1990-tallet. Vi trodde man hadde lært. Regjeringen har kalt meldingen sin På rett spor. Problemet er nettopp det at det er bare ett spor, og noen få plasser to, og da får ikke folk flere samme hvor mye konkurranse regjeringen vil ha. Arbeiderpartiet vil bygge landet, ikke selge landet. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

Dette vil ikkje løysa dei problema som me har på jernbanen. Det vil først og fremst leggja til rette for at statlege pengar kan overførast til private. Regjeringa forfektar i denne meldinga at konkurranse om å køyra tog på jernbanestrekningane vil gje incentiv til at togselskapa skjerpar seg, mens det dei skal skjerpa seg mot, er utilfredsstillande infrastruktur, enkeltspor og til dels gamle og ukomfortable tog altså føresetnader dei sjølve ikkje har nokon påverknad på. Det må jo vera feil medisin på diagnosen me alle er klar over. Den rette medisinen må vera endå sterkare satsing på opprusting av jernbanen, med meir dobbeltspora bane, moderne signalanlegg og storstilt fornying av togmateriellet. Det er veldig lett å skulda på NSB når det er driftsproblem ved jernbanen,

Dette viser at me først og fremst må ha merksemda vår retta mot jernbaneutbygging og fornying av materiell. Arbeidarpartiet sitt alternativ, som er presentert av tidlegare talarar, har nettopp innsatsen retta mot dette. Eg meiner at regjeringa sitt opplegg også vert dyrare, og viss fleire ulike aktørar skal eiga kvar si strekning, vert det i tillegg meir byråkrati. Fleirtalet legg opp til at det no skal opprettast eit nytt direktorat, eit nytt føretak og fleire nye selskap på jernbanen. Alt dette samsvarar lite med den retorikken me høyrde frå Høgre og Framstegspartiet i førre valkamp, der kampen mot byråkratisering var ei hovudsak. Me vil heller samla enn å splitta. Meldinga har fått namnet På rett spor. Problemet er nettopp at det berre er eitt spor, og då får ikkje folk fleire togavgangar same kor mykje konkurranse denne regjeringa vil ha. Målet med omorganiseringa av jernbanesektoren er å sikre et godt togtilbud til de reisende og å legge til rette for at mer gods kan transporteres på jernbanen. De viktigste kriteriene for å få til det er økt regularitet og tilstrekkelig kapasitet. Det må vi

For å sikre at de økte ressursene blir brukt så effektivt som mulig, er det behov for å endre organiseringa. Regjeringa foreslår i meldinga å samle de overordnede strategiske og forvaltningsmessige oppgavene i et jernbanedirektorat. Alt som relaterer seg til infrastrukturen, vil bli samlet i infrastrukturforetaket, og tilsyn og Havarikommisjonen fortsetter som nå. Det betyr at all infrastruktur vil være samlet i offentlig eie. Jernbanesporet skal altså ikke privatiseres. Videre vil det statlig eide NSB og Flytoget fortsette som de viktige transportselskapene de er. Flytoget har kontrakt til 2028. Jeg mener at denne omorganiseringa som er gjort, med et eget jernbanedirektorat og et tydeligere skille mellom eierskap og drift av infrastrukturen og de selskapene som skal tilby tjenestesidene på sporet, vil bety tydeligere ansvarsfordeling og en klarere rollefordeling i jernbanesektoren. Så til det punktet som kanskje skaper mest og størst diskusjon. Vi mener at konkurranseutsetting vil gi et bedre tilbud til de reisende i årene som kommer. Regjeringa ønsker gradvis å konkurranseutsette utvalgte strekninger for persontransport. Det er gjort på Gjøvikbanen i dag, der NSB vant anbudet. Tilsvarende er fullt mulig å gjøre på andre strekninger. Om det er NSB, Flytoget eller helt nye aktører som gir det beste tilbudet, vil tida vise. I tillegg ønsker vi også at flere aktører skal kunne konkurrere om vedlikeholdskontrakter. Så er det viktig å skille mellom privatisering og konkurranseutsetting. Flere av representantene fra Arbeiderpartiet har snakket om privatisering på autopilot. Det vi gjør, er noe helt annet. Vi tydeliggjør det statlige eierskapet og ansvaret til infrastrukturen og åpner for at flere kan konkurrere om å levere transporttjenester på sporet, noe som er helt vanlig i transportsektoren. Konkurranse er ikke noe nytt fenomen, heller ikke i jernbanesektoren. Omorganisering og konkurranseutsetting er ikke et mål i jernbanepolitikken, men et virkemiddel som vil bety større mangfold, nye løsninger, økt samordning og ikke minst en tydeligere ansvarsfordeling. Det vil gi et bedre tilbud over tid.

noe som også har betydd en økning i antall avganger til og fra Nelaug på Arendalsbanen. Regjeringen sørger gjennom disse budsjettprioriteringene for å styrke jernbanens konkurransekraft. Toget skal gjøres til et mer attraktivt transporttilbud for pendlere rundt de store byområdene, men også for godstrafikk over lengre Vi har fortsatt et betydelig etterslep på grunn av strukturelle problemer, driftsavbrudd, forsinkelser på grunn av nedslitt infrastruktur, mangel på materiell, mye nedslitt materiell og elendig sporkapasitet på enkelte strekninger. Forsømmelsen fra tidligere regjeringer viser mangelen på deres politiske vilje til å gjøre noe for jernbanen. Behovene for endringer er godt kartlagt og ganske åpenbare etter åtte år med rød-grønn regjering og en sammenhengende periode med reformtørke i samferdselssektoren.

Erfaringsmessig vil muligheten til at flere aktører kan ta del i å utvikle transporttjenestene over tid, gi innovasjon og et mer kundetilpasset tilbud. De rød-grønne fortsetter i det samme sporet de fulgte under den rød-grønne regjeringen. De er fullstendig uten endringsvilje og inne på et nedlagt

og tekniske anlegg som er så gamle at det går ut over togtilbudet. Alle som pendler og reiser ofte med toget, kjenner til frustrasjonen som kommer når det oppstår stans på grunn av feil på sporet. Det som trengs nå, er derfor at vi bygger nye spor, fikser dem vi har og får dobbeltspor. Regjeringen og støttepartiene legger skylden for uønsket stans i trafikken på NSB – som jeg opplever og tolker det – og vil derfor ha konkurranseutsetting. Med all respekt, det er liten trøst for dem som sitter fast på Dovrebanen på grunn av signalfeil, eller står på Kolbotn stasjon og får høre at en kjøreledning har ramlet ned, at strekningene legges ut på anbud. 70 pst. av all stans i togtrafikken handler om feil ved infrastrukturen. Da er det denne vi må fikse, og ikke vingeklippe – som representanten Myrli sa – det togselskapet som kundene faktisk strømmer til mer enn noen gang før. togselskapet som kundene faktisk strømmer til mer enn noen gang før. Satsingen vi har hatt de ti siste årene, har gitt resultat. Men vi vil videre og gjøre ting bedre og ta tak det som ikke er bra nok. Arbeiderpartiet vil Jernbaneverket, NSB og deres ansatte vel. Derfor vil vi styrke Jernbaneverket, ikke svekke innsatsen på infrastruktur. Derfor vil vi styrke NSB, ikke vingeklippe og ødelegge selskapet. Og derfor er vi opptatt av å få modernisert både infrastruktur og togmateriell, sånn at vi får optimal drift. Det regjeringen og støttepartiene driver på med, er å konkurranseutsette fordi det er et poeng i seg selv, ideologisk. Det er ikke uten grunn at togene stanser i dag, og at folk samler seg både foran huset her og ellers i landet, for å si fra om at regjeringen tar jernbanen i feil retning for å si fra om at regjeringen tar jernbanen i feil retning og at regjeringen har lagt fram en reform som i sannhet er en ren privatiseringsreform. Vi i Arbeiderpartiet er på lag med dem som streiker og samles i dag. Vi er ikke på lag med regjeringen og samarbeidspartiene og dem som vil ødelegge jernbanen. Vi ønsker å styrke offentlig jernbanedrift, til befolkningens beste.

og forklarte hvorfor det i denne store, kompliserte saken var nødvendig å fravike innholdet i det brevet som presidentskapet hadde sendt regjeringen. Jeg mener at det svekker tilliten til presidentskapet som våre felles tillitsvalgte her på Stortinget når vi ikke alle sammen vet hvilke spilleregler vi har å forholde oss til. Stortinget blir ikke hørt ordentlig, fagforeningene blir ikke hørt ordentlig. Abid Q. Raja mener vi i Arbeiderpartiet må vente oss å bli overkjørt fordi vi har overkjørt så mange før. Det er en merkelig prinsipiell holdning – bare ikke Venstre er de som må lide, er det altså greit. Ketil Solvik-Olsen sto her og snakket på vegne av de ansatte lokførerne og jernbanen. Vel, de ansattes representanter sitter på galleriet. De var utenfor her i dag, og de føler seg på ingen måte ivaretatt av det som Ketil Solvik-Olsen sier.

ingenting skjedde under de rød-grønne. Vel, de rød-grønne var de som faktisk tok tak, faktisk bevilget penger, faktisk investerte i jernbanen, og, som de sier på engelsk: «The proof is in the pudding.» Vi leverte, og vi har vært med på å bygge stort. Tilbake til saken om at dette kanskje har gått litt fort. Jeg tror vi fikk det endelige beviset på det da Ketil Solvik-Olsen fra Stortingets talerstol måtte irettesette Fremskrittspartiets jernbanepolitiske talsperson fordi hun ikke hadde forstått hva konkurranseutsettingen egentlig ville bety. Hun trodde det var folk selv som kunne velge hvilket selskap de skulle bruke, mens det i realiteten var departementet som skulle bestemme hvilket selskap som skulle gå på hvilken strekning. Det må jo bevise at det kanskje har gått litt fort i svingene

og utarbeidet vår egen, norske modell. Denne reformen legger til rette for en bedre organisering av jernbanesektoren, der vi samler ansvarsoppgaver som i dag ligger spredt. Det aller viktigste vi gjør for å løfte jernbanen, er å investere tungt i hele sektoren. Vi bygger nytt, og vi reduserer det enorme vedlikeholdsetterslepet. Dagens streik var for meg et bilde på fortid og framtid. Med forrige regjering var vedlikehold, på tross av økte bevilgninger til jernbanen totalt sett, nedprioritert. Det førte til en rekke kansellerte togavganger, noe som dagens tre timers togstans kan være en fin påminnelse om. De som kjemper for fortiden, ønsket streiken velkommen. De som kjemper for framtiden, ønsket ikke streiken velkommen, for de ønsker at toget skal gå og frakte passasjerene fram. Et av de store grepene vi har tatt, og vil fortsette med, innen norsk jernbane, er å prioritere vedlikehold, slik at toget går oftere og blir et mer pålitelig og attraktivt tilbud for både passasjerer og godstrafikk. I replikkutvekslingen med Roy Steffensen påsto representanten Holmås at Fremskrittspartiet alltid har redusert bevilgningene til jernbane. Jeg viste i en Twitter-melding til ham at vi har økt bevilgningene også i våre alternative budsjetter med 250 mill. kr, til vedlikehold, bl.a. Toget er en veldig viktig del av vår samferdselssatsing, og det er ikke slik at vi har sittet i ro i 20 måneder og ventet på å presentere reformen. Vi har økt bevilgningene til jernbanen med 50 pst., og i år er det over 100 flere togsett på norske jernbanespor, sammenlignet med i fjor. Vi har bl.a. forbedret rutetilbudet med flere avganger på Østlandet, vi har forlenget Trønderbanen til Melhus og doblet antall avganger på Sørlandsbanen, og vi skal øke tilbudet på Salten-pendelen. Vi har startet arbeidet med Norges største jernbaneprosjekt, Follobanen, vi har tatt beslutninger som framskynder ny godsterminal i Bergen og i Trondheim, og vi har satt i gang en utredning om sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Vi har altså valgt å styrke jernbanen, men vi opplever i debatten i dag at det opplever i debatten i dag at det framstilles som at vi ønsker å rasere jernbanen. Vi ønsker at flere skal reise kollektivt, og vi vil øke kapasiteten på kollektivtilbudet, slik at folk frivillig velger å reise kollektivt. Jernbanereformen er med på å ta de nødvendige grepene for å oppfylle dette målet, og jeg vil påpeke at det sto flere og ventet på toget under dagens streik enn det sto utenfor her og ropte på

bedre. Høyres talsperson under markeringa, representanten Nils Aage Jegstad, startet sitt innlegg med å si at han var den eneste til stede som var både politiker og daglig reisende med tog. Vel, det ble feil fra første setning. Vi var i hvert fall to – kanskje flere. Under overskriften «Tut og kjør!» sto Høyres Linda Hofstad Helleland fram i VG i fjor høst, klar til å knuse NSB-monopolet med Hvordan har regjeringa og flertallet egentlig tenkt å unngå at den blå-blå slegga også treffer oss som er daglige brukere av NSB? Min første månedsbillett Drammen–Oslo kjøpte jeg høsten 1974. Siden har jeg stort sett pendlet, nå med årskort – tolv måneder for prisen av ti. Billetten er også kundekort med rabatt på andre strekninger. Jeg har stått hutrende og ventet på tog som ikke kom, i endeløse busskøer og sittet fast i tunneler på grunn av kjøreledninger og signalfeil. Men det hører tross alt til unntakene. I 33 aktive pendlerår har togtilbudet blitt stadig bedre. I dag har jeg fem tog i timen hver vei, i rushtida flere. Det er tog fra ulike strekninger, noen står på privatiseringslista. Skal årskortet fortsatt gjelde på alle tog mellom Drammen og Oslo, eller blir togtilbudet enten dyrere eller dårligere? Og hva med kundekortet hos NSB? Åtte strekninger er varslet privatisert. Noen av dem er der jeg oftest bruker kundekortet. Blir det slutt på det heretter? Jeg har lest meldinga grundig, med en årskortbrukers øyne, og jeg finner kun uforpliktende formuleringer om sømløshet. Hva betyr det? Når jeg spør, har jeg in mente at vi ennå ikke har greid å samordne billetter, priser og tilbud mellom ulike kollektivselskaper på Østlandet, selv ikke dem som er i offentlig eie. Ikke engang Meltveit Kleppas tilbud om å bruke flytoget ved større forsinkelser på NSB gjelder lenger, og det er tross alt samme eier. Jeg imøteser egentlig et klart svar fra statsråden: Hvordan skal regjeringa hindre at togtilbudet blir dyrere og dårligere når den blå-blå slegga faller? Foreløpig har jeg bare hørt en oppramsing av ord uten innhold. Og hvis han føler seg kallet til å svare, kan han kanskje samtidig si litt om hvilke konsekvenser en storstilt privatisering vil få for de ansattes pensjonsrettigheter og lønns- og arbeidsforhold. Det sier nemlig heller ikke meldinga særlig mye om, annet enn at det kommer til å bli dårligere. Men jeg la merke til representanten Rajas innlegg her tidligere i dag, om at Venstre har fightet og fått gjennomslag for gode pensjonsvilkår, og jeg lurer på om statsråden støtter opp under det utsagnet som Raja hadde fra talerstolen her i stad.

på de to årene vi har gjort opp budsjett sammen. For første gang på tiår reduseres nå forfallet. Fra desember 2014 er det rundt 100 flere tog på sporene hver dag. De åtte årene de rød-grønne styrte, økte vedlikeholdsetterslepet med 1 mrd. kr per år. Arven etter disse årene er tydelig. Viktige deler av infrastrukturen er foreldet og nedslitt. Kapasiteten er mange steder fullt utnyttet eller sprengt. Jernbane og annen kollektivtransport er ikke godt nok koordinert. Drivkraften for denne reformen er å sikre jernbanens brukere et bedre togtilbud. Det er deres behov jernbanen skal løse. Her er det behov for bedre vedlikehold, nye spor og flere tog. Staten skal fortsatt ha ansvaret for og eierskapet til infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle. Vi ønsker å la ulike togselskaper konkurrere om å få kjøre på ulike togstrekninger etter avtale med staten. Dette gjør vi for at de reisende skal få et bedre togtilbud – når ulike selskaper konkurrerer om å gi de reisende et best mulig tilbud. Ansvaret for at vedlikeholdet skjer, skal fortsatt være en statlig myndighetsoppgave. Deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen er allerede i dag konkurranseutsatt, med gode erfaringer. Med denne reformen åpnes det for at mer av drifts- og vedlikeholdsoppgavene gradvis kan gjøres på samme måte. Regjeringen har store ambisjoner for en klimavennlig samfunnsutvikling som sikrer velferd, verdiskaping og konkurransekraft. Jernbanen har en viktig rolle i denne utviklingen, og regjeringens svar – sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre – er økte ressurser og nå reform.

fordi det ikkje fungerer. Snakk med pendlarar, og snakk med transportnæringa. Vi ser at ein for godstransport vel veg i staden for bane, vi ser at ein tur med Vossebanen ikkje er ei oppleving, som NSB-reklamen viser, vi ser at manglande samhandling på viktige område, forseinkingar, innstilte tog, uføreseielege forhold og gamle togsett har blitt det etterlatne inntrykket hos altfor mange reisande.

Under Arbeidarpartiet auka det med 1 mrd. kr kvart einaste år – lat oss ikkje gløyme det. Men vi treng ein jernbane der kunden er i sentrum, vi treng ein jernbane der langsiktige felles mål er styrande for utviklinga, og vi treng ein jernbane kjenneteikna av aktørar som har operasjonell fridom og hensiktsmessige rammevilkår. Regjeringa har hatt ein god arbeidsprosess, der alle fagmiljø er blitt lytta til, men det betyr ikkje at alle skal få viljen sin. Evalueringar vil bli gjorde, og vi er sjølvsagt opptekne av måloppnåing. Arbeidarpartiet har hevda at denne reforma berre er privatiseringsiver og ideologi. Dei fleste ideologiar prøver å gje svar på korleis samfunnet bør vere, og kva for verkemiddel ein er nøydd til å måloppnåing. Eg kan med stoltheit seie at vår ideologi er drivkrafta for reforma, og den er å sikre jernbanen sine brukarar eit betre togtilbod. Med verkemidla i jernbanereforma skal vi kunne klare å lykkast med det.

hvor man har flerfoldige operatører. I Oslo og Akershus frakter man 320 millioner passasjerer, NSB på landsbasis frakter 70 millioner. Det er et enormt kollektivnett i Oslo, som kjøres av ulike operatører. du går på en buss her ute, vet du egentlig ikke om det er Unibuss eller Nettbuss, som begge er offentlig eid, eller om det er et annet selskap som kjører den ruta. Er du så uheldig å kjøre Bybanen i Bergen, kjører du faktisk et transportmiddel som drives av et fransk selskap, Keolis. Det er en sånn frykt for utenlandsk, det er fy fy, det er bare vi i Norge som kan kjøre skinnegående! Vi har et du faktisk et transportmiddel som drives av et fransk selskap, Keolis. Det er en sånn frykt for utenlandsk, det er fy fy, det er bare vi i Norge som kan kjøre skinnegående! Vi har et veldig snevert miljø når det gjelder skinnegående trafikk i Norge. Vi har det som er i Oslo – vi har Sporveien, vi har NSB, vi har Flytoget – og så har vi Keolis, det franske selskapet som driver Bybanen i Bergen. Bergen. Dette er satt ut for konkurranse. Det betyr at man har en kjøreplikt og -rett på en strekning i x antall år, og i busstransporten er det gjerne åtte år. Det er de årene man har til disposisjon, og da er det deres plikt og rett å kjøre de rutene. Hvert sjuende–åttende år blir dette lagt ut på anbud på nytt, og det er en av årsakene til at bussene i vårt område er mer klimavennlige enn bussene andre steder i landet, for hver gang vi har den konkurranseutsettingen, får vi også bedre busser. Nå snakker vi ikke om busser, her snakker vi om tog. Vi snakker om strekninger hvor NSB skal være med og konkurrere. Jeg har ikke snakket ned NSB, tvert imot. NSB er et godt selskap, og de gjør en god jobb. Men også de har forbedringspotensial. Det er det vi mener at vi kan få til ved å åpne for konkurranse, og så skal vi se etter noen år hvordan det har gått. Jeg tror det kommer til å gå bra, jeg tror ingen får noe ubehag av å kjøre verken Bybanen i Bergen eller en buss i Oslo som er privateid. Som en veteran blant stortingsrepresentanter, som nå har vært her i 18 år, må jeg si at jeg er

ned Bergensbanen og erstatt den med en motorvei.» Videre står det: «Svendsen vil kutte overføringene Jernbaneverket og NSB får i forbindelse med drift og vedlikehold.» Og videre: «I tillegg vil han selge de eiendommene Jernbaneverket og NSB har.» Vi har hørt at Fremskrittspartiet synes at det er så forferdelig med vedlikeholdet av jernbanen, og at det ikke har vært bra nok under den rød-grønne regjeringen. Ja vel – jeg sitter her med med Nationen fra den 8. mai 2006. Der sier daværende samferdselspolitiske talsperson i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, følgende: «I våre alternative statsbudsjetter de siste årene, har vi kuttet i budsjettene til jernbanen. Nå må vi begynne å se på hvor vi skal kutte på jernbanen.» Vi som har drevet med politikk lenge, har vært med på at folk fra både Høyre og Fremskrittspartiet har villet legge ned f.eks. Rørosbanen, som er en kjempeviktig bane

styrket vi investeringene på jernbanen. Det er bra, det nyter passasjerene og denne regjeringen godt av. Det er derfor det går bedre på jernbanen nå. Det hadde vært lurt om vi hadde lært av de landene som har fått dette til, f.eks. Sveits. De har samlet, ikke spredd. De har investert i skinnegangen, i togene og i styringen av togene under ett. Derfor lykkes de.

for politikerne, for passasjerene og for de ansatte – under behandlingen i Stortinget. Jeg hører nå at det er full forvirring, også i regjeringspartiene, om hva privatisering er. Det tyder på at man ikke vet hva man gjør.

mye penger til drift, men det har også vært en helt nødvendig omorganisering. Grunnen til at jeg kjenner at dette er som å tre mange år tilbake, er at for hver eneste organisatoriske endring har Arbeiderpartiet og SV stemt imot. Nå tar vi det første steget for å ha en systematisk og strategisk satsing på norsk jernbane, og Arbeiderpartiet og SV stemmer imot. Jeg vil hevde at når det gjelder Oslo og Akershus, ville de aldri ha greid det løftet som byen sammen med Akershus har tatt. Og nasjonalt kommer man heller aldri til å greie det løftet som norsk jernbane trenger, for man må også se på organisering. Vi må ha en mye bedre koordinering av det som er en strategisk planlegging. Investeringene vi gjør, må henge sammen med den strategiske planleggingen, og ruteplanene må legges til grunn for det vi skal gjøre. Vi kan ikke én gang til ha det sånn

anbudsutsetting. Anbud fungerer godt hvis de er godt planlagt. Man skal også ha respekt for kompleksiteten med anbudsutsetting. Derfor er det viktig for Venstre at man har strukturene og systemene på plass før man tar stegene, jobber videre og bruker anbud som et virkemiddel. For det er sånn med skinnegående transport at man har ikke råd til å mislykkes. hver gang for å få et bedre tilbud. Det vi trenger, er et høyere ambisjonsnivå for norsk jernbane for å bygge ut det som er nødvendig lokaltrafikk koordinert med det som også fylkene har ansvar for, for å bygge ut et system for godstransport, for å bygge ut et intercitysystem rundt de store byene, og ikke minst for å bygge ut det framtidige moderne jernbanenettet som skal knytte byene i Skandinavia sammen med et

Nyvinningen skal gjøre NSB bedre rustet til å møte konkurransen fra flytrafikk og buss som ikke er for tog. Siden konseptet er lite utprøvd i Norge, skal de kjøre flere forsøk. Så publikum må belage seg på at de av og til vil måtte kjøre Buss for tog for Tog for Buss for tog. En fiktiv passasjer er skeptisk til om konseptet vil overleve. Buss for tog har tross alt blitt en del av nordmenns identitet, sier hun – litt som å høre opposisjonen snakke om Flytoget som en del av det norske arvesølvet, altså. I satiren beroliger NSB med at de fortsatt vil kjøre Buss for tog på de fleste strekningene, og at den nye ordningen ikke kommer til å gå ut over deres vanlige forsinkelser, som vil gå som normalt. Jeg trodde med det at parodien var komplett. Men så oppdaget jeg at det i dag var en streik mot endringer i en organisering og struktur som helt åpenbart ikke fungerer. Spørsmålet er om passasjerene fikk med seg streiken, eller om det bare ble satt på kontoen for nok en signalfeil. Det er ikke passasjerene som demonstrerer mot endringene, for å si det slik. Jernbanereformen gir en langsiktighet jernbanen har manglet, og legger til rette for videre vekst. Regjeringen vil samle og spesialisere oppgaver. For eksempel samles alt ansvar for infrastruktur i ett foretak, hvilket vil gjøre det enklere å utvikle knutepunkter. Jeg ønsker konkurranse fordi erfaring viser at velfungerende konkurranse gir et bedre og mer brukertilpasset tilbud, til en lavere kostnad for det offentlige. I Norge er Gjøvikbanen et godt eksempel på det. Satsingen er en massiv satsing på infrastruktur, hvor vi siden regjeringsskiftet har snudd forfall til fornyelse. NHO, NSB, Flytoget og Jernbaneverket har gitt sin støtte til reformen. Det samme har bl.a. VG, Aftenposten og DN på lederplass – for dem som bryr seg om slikt. For min egen del ønsker også jeg jernbanereformen varmt velkommen. Med litt flyskrekk og uten lappen er jeg avhengig av tog for å kunne gjøre noe av det jeg liker best, nemlig å reise og besøke folk rundt i hele landet på en rask, trygg og miljøvennlig måte. Å få se vakre Norge rulle forbi i sin langstrakte prakt gir rom for å la tankene fly – uten selv å måtte gjøre det. Jeg ønsker derfor konseptet «Tog for Buss for tog» hjertelig velkommen og mener regjeringen er på rett spor med denne reformen.

om hva som var grunnen til å banke igjennom en slik rask behandling. Da svarte han at det var fordi den rød-grønne regjeringen ikke hørte på opposisjonen da de hadde regjeringsmakt i åtte år. Svaret var altså ædda bædda fra Venstre, takk for sist – ingen prinsipielle betraktninger fra partiet som har stått opp for folkestyre og demokrati og for gode betingelser for demokratiet. kunne kanskje ikke forvente bedre fra Abid Raja, men at heller ikke presidentskapet klarte å se det prinsipielle i saken, synes jeg er merkelig. Presidentskapet skrev til Statsministerens kontor tidligere i vår at «saker må fremmes innen midten av april for at de skal kunne påregnes å bli behandlet før vårsesjonens slutt». Så skjer det selvsagt at vi avviker fra det når det er enighet om det i komiteen. Det skjer ofte, det skjer til og med i transportkomiteen i disse dager – men det var ikke enighet i transportkomiteen om behandlingsmåten i denne saken. Opposisjonen mente at vi skulle ta oss litt tid og behandle saken til høsten, og ikke banke den igjennom på fire uker. Tidligere i dag sa samferdselsministeren at

og med fire mot to stemmer bare fulgte partifellene sine – flertallet – i transportkomiteen, til og med uten noen som helst form for begrunnelse. Jeg skulle likt å vite hvilke saker stortingspresidenten hadde i tankene da han skrev brevet om at saker skulle legges fram «innen midten av april». Ja så fort i svingene har det gått, at ledende samferdselspolitikere fra regjeringspartiene i debatten i dag har avslørt

som vi stiller oss svært kritisk til. Dette er et viktig tema og en viktig debatt, og for å vise representanten Myrli at vi tar det på høyeste alvor, har jeg denne gangen tatt med meg embetsverket og sjefen for Jernbaneverket, siden han følte seg så ensom forrige gang vi diskuterte uten publikum. Jeg konstaterer at noen er misfornøyd med at det har gått raskt. Jeg synes det er litt rart å høre. Når en viser til at en måtte ha fremmet en sak før slutten av april for å kunne påregne komitébehandling, vil jeg minne om at Arbeiderpartiet, dagen etter at jernbanereformen ble fremmet, sendte skriftlig spørsmål til meg og etterlyste Førdepakken, for den måtte fremmes snart hvis de skulle få behandlet den før sommeren. Den samme representanten, Juvik, var ute i avisene i Nordland og påpekte at hvis de skulle rekke å behandle Helgeland Sør-veistrekningen, måtte den bli fremmet før 1. juni for at Stortinget skulle rekke det. Så det er åpenbart at en har hatt god tid i mange saker, men i akkurat denne saken, der de ikke liker konklusjonene, der de ikke liker konklusjonene, synes de at de fikk dårlig tid. Jeg skal love at denne saken er blitt grundig utredet fra regjeringens side før vi fremmet den, men det er nå en gang sånn at selv om en oljemelding fra den rød-grønne regjeringen ble bearbeidet i to år, trengte ikke Stortinget to år på å behandle den etterpå. En gjorde det på en måned. I løpet av den måneden vi nå har vært igjennom, har en behandlet kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Det er ingen som har klaget på at det er for dårlig tid,

derfor har vi samlet alt ansvaret i et jernbanedirektorat. Vi samler alt materiellet i et materiellselskap. Når rød-grønne politikere gang på gang kommer opp hit og sier at dette er oppsplitting, skulle jeg gjerne sett at de fant substans i påstandene sine, og ikke bare slenger ut ord som «privatisering» og «oppsplitting» fordi de vet at det i en del ører lyder negativt. Staten har full styring på jernbanen fortsatt. Staten skal eie alt som går på jernbanen fortsatt. Det er ikke privatisering. De rød-grønne har i denne debatten ettertrykkelig understreket hvor dårlig vedlikeholdt jernbanen er. Et dårligere ettermæle etter sine egne åtte år med regjering har jeg ikke hørt. Allikevel påpeker en i denne debatten at en nå må løse 70 pst. av problemet, mens de 30 pst. som handler om dårlig organisering, ifølge de rød-grønnes tall, har de ikke tenkt å gjøre noe som helst med. Vi løser begge deler gjennom økte bevilgninger og gjennom

Veipakke Helgeland er ennå ikke kommet, og så klarer han å likestille det med behandlingen av en stor reform. Jeg synes det sier alt. Det sier også den reaksjonen vi fikk her i dag, og jeg må si at jeg i hvert fall ikke er forbauset over den reaksjonen på en sånn opptreden. Det er noen som forsøker å si at Arbeiderpartiet ikke har gjort noe på jernbanesida. Da har de sovet i timen, er min påstand. For hvordan var situasjonen i 2005,

Hvis noen klarer å stå på talerstolen og si at man ikke har gjort noe på jernbanefeltet, har man ikke fulgt med i timen. Så kan man spørre: Hva har vi gjort etterpå? Jeg må si jeg blir ganske forbauset over Høyres representanter, som står her og kjører plata si om at det fortsatt er etterslep på vedlikehold. Hva gjorde de i den perioden de satt og leverte sine alternative budsjetter? Når Arbeiderpartiet eller de rød-grønne når det gjaldt å øke vedlikeholdet og å ta igjen etterslepet i den perioden? Jeg har i hvert fall ikke funnet det. Jeg har ikke vært så lenge på Stortinget, men jeg kan jo, for at man skal huske, ta det siste året som det ble lagt fram budsjett for. Hva slags budsjett framla Høyre og Fremskrittspartiet da? Jo, da la de fram et budsjett som lå 400 mill. kr under Arbeiderpartiets budsjett for vedlikehold. Så står de i dag og prøver å ta æren for et forlik som ble inngått i Stortinget. Hvem gjorde det slik at vedlikeholdet ble løftet i 2015? Det var ikke forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det var 400 mill. kr under på vedlikehold. Resultatet ble heldigvis litt bedre, men det var takket være Kristelig Folkeparti og Venstre og forlik med dem. Men fortsatt har Arbeiderpartiet – enten man liker det eller ikke – mer til både vei

å erkjenne at han forstår det som står i Stortinget sine dokumenter. Hvis man leser Stortingets dokumenter, ser man at i løpet av hele den rød-grønne perioden lå Fremskrittspartiets alternative budsjetter 1,54 mrd. kr under de rød-grønnes på drift og vedlikehold. Nå ser jeg at statsråden rister på hodet og gliser, men dette er det jeg leser ut av de budsjettene som finnes. Hvis han har en annen historie å fortelle, er det flott om han kan komme opp her og fortelle hvordan han leser budsjettene. Men det er jo ikke noe overraskende når en ser hva mannen som i sin tid uttalte at norske veier burde bli så gode at det var risikofritt å kjøre ruset på dem – Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg. Han mente at det var riktig å barbere budsjettene, slik som Karin Andersen tidligere var oppe og sa. sa. Det håper jeg at hele Fremskrittspartiet står for, og at de ikke snur seg i skam over sin egen historie. Det er helt riktig som Arbeiderpartiets representanter tidligere har påpekt, at mye av økningen i vedlikeholdet er kommet på grunn av Venstre og Kristelig Folkepartis budsjetter, og ære være dem for det, og ære være oss også som har fulgt opp det i våre alternative budsjetter. Jeg vil bare avslutte med å stille statsråden et spørsmål og komme med en betraktning rundt reformen. Det ene spørsmålet har jeg stilt to ganger til nå, men ikke fått et skikkelig svar på. Når vi har stengning av veitunneler, bruker Statens vegvesen betydelig med midler på å se hva konsekvensene av det er. Følgeforskning kalles det. Jeg spurte statsråden om det, og det statsråden svarte, er at det er klart at vi skal vurdere dette i departementet. Men jeg er ikke fornøyd med at den største jernbanereformen i Norges historie de siste 100 år skal vurderes ved vurderinger i departementet – sterkt ideologisk preget – slik vi hører at hele denne jernbanereformen er. Jeg vil ha skikkelig følgeforskning. Jeg vil ha det dokumentert. Jeg vil ha evidens. Jeg vil ha vitenskap som viser at dette er en måte å organisere jernbanen på som bidrar til bedring for passasjerer, for jernbanesikkerhet, for trygghet, for ansatte, for utvikling av passasjertall, for rett og slett en god jernbane, slik vi skal ha den, og slik folk i Norge fortjener det. Vil statsråden gi oss det, eller vil han fortsette å styre etter ideologi? Vil vi noe med bane eller vil vi ikke? Jeg vil tro at uansett hvilket politisk ståsted den en hadde spurt har, er

kollektivtrafikk og ikke minst bane kom til å ha. Men da synes jeg også andre i denne salen kan være såpass edruelig og si at en har ikke satset på vedlikehold i den grad som en burde gjort. En har bevilget penger, men én ting er å bevilge penger til nytt utstyr eller til nye tog, men nettopp dette med vedlikehold har blitt nedprioritert. Det må en være såpass ryddig og ærlig at en kan innrømme. innrømme. Så til representanten Myrli, som har vært innom at det var en representant som ikke hadde lest selve reformforslaget som nå ligger til behandling. Nei, men jeg sa i forbindelse med konkurranse, at det er veldig bra å ha valgmuligheter. Det var sagt i forbindelse med strekningen Oslo–Karlstad, at en faktisk hadde en mulighet der til å kunne velge forskjellig, og at det var veldig bra. det var veldig bra. Det var ikke dette at reformen la opp til det. Reformen la opp til, som jeg sa i en annen setning, konkurranseutsetting sånn vi har med Widerøe, som må konkurrere på kortbanenettet for en viss periode. Det er dette en ser for seg nå, at det vil bli en mulighet. Det samme vil jeg også si gjelder eierskapet som NSB og Rom Eiendom i dag har til stasjonene. Det er jo som om SAS skulle ha eid flyplassene, at det var kun Norwegian eller kun SAS eller kun Lufthansa, for den saks skyld, som fløy på en sånn flyplass. Det er nettopp dette vi vil gjøre noe med, å skille mye mer mellom det å eie og det å være transportør. Det var altså ikke bare representanten Sverre Myrli som

Hva har egentlig folk skjønt av Fremskrittspartiets jernbanereform når Åse Michaelsen og andre har vært ute og snakket om den, når det er såpass forvirrende at man bare kan komme tilbake på talerstolen og forklare seg tilbake igjen, der man ville være. Så en kommentar til Heidi Nordby Lunde, som refererte til et helt NRK-satirisk innslag. Jeg må bare si at mitt er nok der hvor Per Sandberg ber om folkeavstemninger fordi han er så misfornøyd med regjeringspartner Høyre. Men det er klart: Vi kan ha den type diskusjoner her oppe på talerstolen, eller vi kan snakke om faktisk politikk. Ola Elvestuen holdt et interessant innlegg. Jeg skal ikke på noen måte underslå Elvestuen og Venstres engasjement for kollektivtrafikken i Oslo, men det er altså slik at man har ikke konkurranseutsatt trafikken på T-banen eller på trikken. Man har også der på mange måter valgt å være i en dialog med de ansatte. Historien skal også ha det til at hele konseptet som muliggjorde 5-minuttersrutene på trikken i sin tid, kom fra de ansatte i Sporveien, som var villige til endring, og som snakket med byråden om det. Det er den type kraft man kan hente ut når man går i dialog, og ikke slik som Solvik-Olsen har lagt opp til – å være i konflikt. Men det bør også nevnes at noe av det viktigste som har skjedd på T-banen i Oslo, er T-baneringen. En annen veldig viktig ting er at vi fikk muligheten til å bruke bompenger til drift av T-banen. Infrastrukturutbygging og penger: Begge deler har gjort at vi kan øke frekvensen på T-banen, fordi – og nå skal jeg si et kjedelig ord – man kunne endre retningsbalansen på T-banen når man fikk T-baneringen. Så tar man enda et nytt grep med Lørensvingen som gjør at man får en enda bedre retningsbalanse på trafikken i Oslo-området og kan øke trafikken enda mer. Man må gjerne si at det er organiseringen i Oslo som har gjort dette. Jeg vil hevde at en sterkt, sterkt medvirkende faktor har vært at man har gjort riktige infrastrukturinvesteringer og satset betydelig mer penger på drift og vedlikehold, og man har – ikke minst – kjøpt nye T-banevogner. Det har gjort at Oslo nå har et kollektivtilbud som man virkelig kan være stolt av. Jeg tror at ikke minst dagens byråd og flertallet i Oslo vil sette pris på siste innlegg, som sier at Oslo har en kollektivtrafikk det er

I dag er det på 50 pst. mer. Det er jeg stolt av. Jeg skal bare betrygge representanten Holmås med at vi selvsagt skal ha evalueringer, vi skal foreta vurderinger. Dette er ikke en lek. Dette handler om å lage en transporthverdag for folk. Når han snakker om at en skal ha vitenskapelige bevis, så lurer jeg på hvilken vitenskapelig tese forrige regjering brukte, når de lot vedlikeholdsetterslepet doble seg på åtte år. Den skulle jeg gjerne ha sett, for den vitenskapen ville ikke jeg hatt veldig mye til overs for. SV bruker veldig mye tid på å snakke om snøen som falt i fjor: Jeg har lært at vi ikke skal snakke om de foregående åtte årene, det er noe de rød-grønne helst vil ha seg frabedt, men jeg merker meg at det å snakke om Bondevik-regjeringens periode, det er helt greit igjen. Jeg synes det blir litt meningsløst. Det er altså over ti år siden, så jeg skal ikke nevne det. Jeg vil derimot gjenta noe av det jeg sa i mitt innlegg, som Lise Christoffersen åpenbart ignorerte:

på kollektivtrafikken i Norge. Det kommer til å ta litt tid på enkelte områder, for det er ikke alle fylker som ønsker dette, f.eks. Trøndelagsfylkene, men da synes jeg Lise Christoffersen skal ta opp dette med sine egne partifeller som sitter og bremser der. Men vi skal få én felles ruteplan. Dette vil løse de problemene som ikke oppstår som følge av en reform fra oss, men som allerede er et faktum i dag, som har vært et problem i lang tid, men som en ikke har klart å så løser vi også de problemene som har oppstått nylig, men i sum gjør vi noe med vedlikehold og system som gjør at vi får en bedre jernbane i morgen. Jeg hadde ikke tenkt å ta ordet mer, men jeg kan ikke la det stå uimotsagt fra Sosialistisk Venstreparti at har redusert bevilgningene til drift og vedlikehold på jernbanen med 1,5 mrd. kr. Jeg har funnet merknader i Innst. 13 S for 2012–2013, der det konkret vises at Fremskrittspartiets samferdselsfraksjon har stilt spørsmål til Finansdepartementet, hvor det da kom fram at Jernbaneverket ikke kan tallfeste vedlikeholdsetterslepet på jernbanenettet. Det er opplagt at Fremskrittspartiet var opptatt av det spørsmålet siden de stilte det. Videre skriver Fremskrittspartiets medlemmer: «Disse medlemmer viser til at nå er vi i en situasjon der arbeidere som vedlikeholder jernbanen sies opp, og at det ifølge VG 12. november dreier seg om 30 til 50 personer. Disse medlemmer mener at dette er helt uholdbart. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn øke posten med 250 mill. kroner, jf. Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013. Disse medlemmer vil vise til at drifts- og vedlikeholdssituasjonen har vært uholdbar over flere år, og at situasjonen på jernbanenettet på Østlandet spesielt har vært ustabil.» Fremskrittspartiet har altså foreslått å øke bevilgningene til vedlikehold. Det har vært et satsingsområde for oss i opposisjon, og det er et satsingsområde for oss i posisjon – på tross av at SV mener motsatt.

Det vi vet fra Sverige, er at det kuttes i bemanning, det kuttes i pensjonsavtaler og det kuttes i renhold. Det er dumt. Jeg er sosialist, og jeg synes det er bra at folk tjener skikkelig – men jeg merker meg at høyresiden synes at disse tingene er det verdt å spille med. Når det gjelder snøen som falt i fjor, var det statsråden selv som begynte å snakke om den. Selv om det går an å finne

er opptatt av. Hvis jeg oppfatter statsråden riktig, har statsråden nå stått på denne talerstolen og garantert at en i framtida skal kunne kjøpe én billett fra Drammen, ett årskort fra Drammen, som kan brukes hos alle de selskapene som kan komme til å trafikkere den strekninga i framtida. Det er ganske mange forskjellige strekninger som møtes i Drammen, og drar innover til Oslo. Da registrerer jeg at statsråden har garantert at det skal bli i orden. Det andre spørsmålet jeg stilte, gikk på de ansattes forhold, det gikk på lønns- og arbeidsforhold, det gikk på pensjoner. Det svarte ikke statsråden på, det merket jeg meg også – og jeg stilte et sto på talerstolen her i tidligere dag og sa at Venstre og Kristelig Folkeparti hadde fått gjennomslag for at her skulle en sikre de ansattes pensjonsrettigheter, eller kanskje han sa: sikre de ansatte gode pensjonsrettigheter. Det eneste som står om det i meldinga, er at det kommer til å bli dårligere, og det eneste som står i innstillinga fra samarbeidspartiene, er at de bekrefter det som står i meldinga. Vi får vente til referatet foreligger og så får vi se hva representanten Raja sa, på vegne av de fire samarbeidspartiene, og se om det harmonerer med det som står i meldinga. Så er det synd at statsråden ikke svarte på om han stiller seg bak det Raja sa – men antakelig var det vel overveid at han ikke svarte.

Når det gjelder billetter, har Ruter i Oslo og Akershus greid å lage et felles billettsystem som gjør at man kan bruke det samme kortet på all transport, om det er tog, T-bane, eller trikk. Det er noe vi prøver å gi også til nabofylkene. I Østfold har vi et prosjekt som heter Sømløst i Sør, der Østfold skal inn i det samme systemet for å få dette sammen. Når statsråden sier at dette også gjøres nasjonalt, er det bare fornuftig.

konkurranseutsetting. Der skisserte man en del regler knyttet til om det var virksomhetsoverdragelse eller ikke. Man kan godt gå inn i arkivene og se på det fra regjeringen i 2008, der vil man få svar på en del spørsmål. Ellers er den praksisen man nå legger seg på, lik den man legger seg på ellers i staten i forbindelse med denne typen organisering. Truls Wickholm har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Litt ettersom hvem man hører på her, skal det Wickholm har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Litt ettersom hvem man hører på her, skal det ikke konkurreres på pris, det har statsråden garantert. Det kan ikke konkurreres på frekvens, for det skal direktoratet legge ruteplaner for. Skal man tro Abid Raja, skal det ikke konkurreres på de ansattes pensjoner, og det skal ikke konkurreres – i hvert fall ikke i første omgang – på materiell, fordi det skal staten eie. Det kunne være greit, kanskje for både Stortinget og andre, at statsråden avklarte hvor det egentlig er rom for selskapene til å konkurrere. Hvordan er det de skal kunne tjene penger på å drive, når alle disse faktorene etter sigende skal være låst? Kan statsråden være låst? Kan statsråden være så vennlig å ta ordet og avklare: Blir det forskning på dette, eller blir det ikke? Eller er det han selv som skal skrive notater som eventuelt skal renvaske han selv? Sverre Myrli har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg vet ikke om vi skal le eller grine over innlegget fra samferdselsministeren, da han sammenlignet jernbanereformen med behandlingen av Førdepakken. Kjære vene, at det går an ikke å kunne se det prinsipielle i to slike saker. Det er enighet i komiteen om å behandle Førdepakken raskt, og det er enighet om komiteen om å behandle Bypakke Grenland raskt – slik vi ofte gjør når det er enighet i komiteen, og når det er Her er det uenighet, og dette er ingen kurant sak. Det er en stor prinsipiell sak. Det er den største omorganiseringen av jernbanen siden Norges Statsbaner ble opprettet i 1883. La meg også helt til slutt sitere fra komitéinnstillingen. Der står det nemlig: «Flertallet vil bemerke at det burde være relativt kurant å sette seg inn i reformforslaget på bakgrunn av at Arbeiderpartiet selv har sittet i regjering i perioden 2005–2013.» Så kurant var det at samferdselsministeren måtte ha 20 måneder på

synes jeg er bemerkelsesverdig. Én ting konstaterer jeg også når det gjelder flytoget – og det er jo en positiv ting å ta med seg, og det er noe som vi har vært bekymret for og fortsatt er bekymret for – at skal vi tro på Høyres representant, vil man ikke gjøre noe med flytoget før i 2028. Når det gjelder de ansattes rettigheter, er jeg ikke like trygg, for det står noe annet i innstillinga. Det står i hvert fall at de framtidige ansatte ikke vil bli en del av statens ordninger med hensyn til pensjon. Så legger jeg merke til igjen at ministeren ikke vil ta inn over seg tallene som vi har pratet om, fra 2015, og gjerne vil snakke om

Gjøvikbanen er allerede konkurranseutsatt. Jeg tror ikke noen vil si at Gjøvikbanen er en arena for sosial dumping, for manglende renhold, for dårlig behandling av de reisende. Tvert imot: Gjøvikbanen er den banestrekningen i NSB-systemet for lokaltog som har best kundetilfredshet, for alle som driver i privat næringsliv, også de aller fleste som driver i offentlig sektor, vet at de har kunder som betaler Da må en gjøre det attraktivt for kundene å velge din tjeneste, din produkt, istedenfor at de togreisende velger privatbilen. Det er jo det konkurranse handler om: å lage enda bedre tilbud til de reisende, slik at flere ønsker å reise. Da Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt i sin tid, var det mange ulike kvalitetskriterier, men billettpris var ikke en av de tingene som togselskapet skulle få lov til å sjonglere med, men det var mye annet: antall avganger og andre ting. Og når vi snakker med folk som jobber i NSB Gjøvikbanen, påpeker de selv at det er en «drive» i bedriften med et kundefokus som er veldig spesielt. Og jeg hadde håpet at Arbeiderpartiet og SV i denne debatten også kunne tatt utgangspunkt i at det faktisk er mulig å stimulere en bedrift gjennom bedre ledelse – for det er primært det det handler om: å få en kundeorientert ledelse – og få flere til å ville reise med jernbanen, for det er der en får inntektene til selskapet. Så nå håper jeg at jeg har svart på det. Til sosial dumping: Vi har vært veldig tydelige på at det er regler for arbeidslivet i Norge. De blir ikke tilsidesatt selv om en legger ut noe på anbud. De skal gjelde. Arbeidsmiljøloven gjelder. gjelder. Så har jeg svart på spørsmålet når det gjelder pris- og billettsystemet og slike ting. Jeg kan godt gjenta meg selv en tredje gang, men dette har vi vært ganske tydelige på. Det at Arbeiderpartiet ønsker å stille spørsmål og så tvil om ting, er for så vidt ikke noe nytt, men det endrer ikke det faktum at vi har jobbet fram og nå har etablert et selskap som skal gjøre den jobben. I dag tåler NSBs billettsystem akkurat det som Så vil det gjerne ta litt mer tid å involvere alle de ulike kollektivselskapene i alle fylkene for å få dem inn på ett billettsystem. Mye her er det gjort en jobb med, så det er noe jeg ser fram til at vi skal få til. Det er viktig å få en bedre jernbane for dem som bruker den, det er det denne reformen handler om. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Myrli, som nå fungerer som ordfører for saken. Et av de viktigste forlik som Stortinget har inngått de siste årene, er klimaforliket. Klimaforliket er viktig fordi det er helt avgjørende for oss å få ned de klimaskadelige utslippene. Klima må gjennomsyre alle politikkområder. Jeg går ut fra at uansett hvilket politikkområde vi diskuterer, og uansett hvilket departement som fremmer saker for Stortinget eller jobber med ulike saker, er det noen som sitter og tenker igjennom hvordan dette påvirker klimautslippene – om det er Samferdselsdepartementet, om det er Næringsdepartementet, eller hvilket departement det måtte være. Klima må gjennomsyre alle politikkområder, også transportsektoren, som vi nå diskuterer. Kanskje vil noen si: Særlig transportsektoren. For å få ned klimautslippene er det nemlig helt avgjørende å iverksette tiltak innenfor transportsektoren. Det er derfor enighet i komiteen om at det bør settes mål for utslipp fra transportsektoren. Flertallet i komiteen, fra transportsektoren. Flertallet i komiteen, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, vil be regjeringen sørge for at det i arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan settes slike mål for klimautslipp fra samferdselssektoren. Flertallet i komiteen, de partiene jeg nettopp nevnte, mener derfor at

og har derfor litt problemer med å skjønne hvorfor vi ikke kunne klare å få enstemmighet i komiteen, altså hvorfor ikke regjeringspartiene kunne være med på det. Men det er iallfall klart flertall for forslaget om å sette klare mål for klimautslipp fra transportsektoren. Tusen takk til komiteen for den behandlingen den har gitt forslaget. Jeg mener det er takk til komiteen for den behandlingen den har gitt forslaget. Jeg mener det er avgjørende viktig at det området som vi nå diskuterer, nemlig samferdselsområdet, har tydelige klimamål, og at det ligger i bunnen av hele prosessen. Jeg er veldig fornøyd med at komiteen krever at det skal komme tydelige føringer for klimautslipp i forbindelse med framleggelsen av Nasjonal transportplan, at det må danne basis. Når jeg likevel har fremmet forslaget – som dere vil se – om at dette bør tas inn, at det bør settes et tydelig klimamål også for planleggingsprosessen, har det følgende begrunnelse: Dersom vi starter på ferdigknaingen, det politiske arbeidet, med Nasjonal transportplan, og vi finner at det ikke har vært planlagt med prosjekter som er tilstrekkelig gode til at vi er i stand til å nå klimamålene, da har vi gjort en kjempetabbe. For da stiller vi oss som storting i en posisjon der vi faktisk ikke har et faktagrunnlag, altså et faglig grunnlag, som er i tråd med de ambisjonene vi er avhengig av å sette oss. Derfor mener jeg at det er godt begrunnet hvorfor signalet som skal gå til fagetatene, må være: Planlegg innenfor følgende scenarier for hva slags typer klimamål vi kan komme til å påta oss. Samferdselsministeren sier at vel, det vil være uheldig å gjøre det, for vi har allerede gitt beskjed om at vi må kikke på de prosjektene som omstiller oss i retning av lavutslippssamfunnet. Men til det er spørsmålet mitt: Tenk om det ikke er nok? Tenk om fagetatene legger fram sine prosjekter, som er det som skal til for å omstille oss til lavutslippssamfunnet, og så er det faktisk ikke nok? Vi er nødt til å ha gjort et arbeid som er

det er sånn at vi ennå ikke vet hvordan klimamålene våre kommer til å bli, så det er dumt å gi et midlertidig mål. Men det er ikke riktig. Vi vet – og samferdselsministeren vil få vite det hvis han spør klimaministeren – at med det opplegget som foreligger fra EU, kommer vi til å få et klimamål som ligger – antageligvis – nærmere 40 pst. enn 35 pst., men definitivt i det landskapet. Så om statsråden sier til sine etater at de skal planlegge for 35 pst. og for 40 pst. med de to scenariene, er det antagelig det spillerommet vi har. så har jeg dette å si til det: Nei, vet du hva, det er veldig farlig, for vi har fått beskjed fra klima- og miljøministeren om at forhandlingene med EU ikke kan forventes å være ferdigstilt før i 2017–2018. Det er altså etter at Nasjonal transportplan vil komme til å være framlagt for oss – det er etter at vi er ferdig med å behandle Nasjonal transportplan, i verste fall. Vi kan ikke som storting vente med å sette et måltall for klimamålene våre for Nasjonal transportplan, til etter at Nasjonal transportplan er vedtatt. Alle skjønner at vi må sette det måltallet før, for ellers vil vi ikke få en framlagt Nasjonal transportplan som i det hele tatt er i nærheten av å svare på klimamålene som vi har satt. Vi har et klimaforlik som sier at vi skal kutte utslippene i Norge med to tredjedeler av de samlede reduksjonene, altså ned mot 45–47 millioner tonn. Det er det vi skal gjøre i inneværende periode, fram til 2020. Det vil være innenfor Nasjonal transportplan. Men det er også sånn at samferdselsministeren har sagt at den neste nasjonale transportplanen kommer til å gjelde ut

som vi har satt oss for ikke-kvotepliktig sektor opp mot EU, altså med andre ord et eller annet sted mellom 35 pst. og 40 pst. Mitt tips er at det blir 40 pst. Det må ligge inne i Nasjonal transportplan, og hvis vi ser at det ikke er tilstrekkelig med infrastruktur og driftsstøtte innenfor den pakken, må også Nasjonal transportplan inneholde de virkemidlene som skal til for at vi når klimamålene innen 2030. Derfor sier jeg takk til komiteen for at den sier at transportplanen skal framlegges med klimamål.

Det som er poenget til Høyre og Fremskrittspartiet, er at vi tar det brevet fra statsråden på alvor. Vi ser at regjeringen er i fullt arbeid med Nasjonal transportplan og har gitt sine styringssignaler inn, og at klima er en del av de tre strategiske hovedmålene. Samtidig vet vi at det ikke bare er transportnæringen som skal oppfylle klimaforliket, det er faktisk alle sektorene, og vi ønsker i hvert fall ikke å være med på et forslag som innebærer at man skal konkretisere dette mer enn det vi sier i vår merknad. Det er i grunnen det som er hovedpoenget mitt, at vi kommer ikke til å stemme for det forslaget, fordi vi rett og slett føler at det er å foregripe begivenhetenes gang, og at vi har sagt det samme. Vi sier jo i vår merknad: «Disse medlemmer mener derfor at utslippsmålene i Nasjonal transportplan må ses i sammenheng med de klimamålene Norge har forpliktet seg til i 2030.» Det er også sånn at denne nasjonale transportplanen varer altså ikke fram til 2029, den varer fram til 2027. Vi snakker om 2018–2027, og det er to år før man kommer til 2020. Ellers skjer det mye i transportsektoren som gjør at den nok er

som med dette representantforslaget har tatt opp en veldig viktig ting. Dette forslaget er riktignok bare en bekreftelse på noe Stortinget for lengst har vedtatt, og det er på en måte urovekkende at det må gjentas en gang til, men det er bra at det i det minste ser ut til å få flertall. Vi har nærmest utallige ganger hørt statsministeren og klimaministeren gjenta at regjeringen skal forsterke klimaforliket. klimaforliket. Da er det jo ganske spesielt at Høyre og Fremskrittspartiet i dag stemmer imot et så elementært forslag som dette. Jeg er spesielt skuffet over Fremskrittspartiet, som i hvert fall har en veldig god egenskap – som oftest – og det er at de kaller en spade for en spade og pleier å si hva de faktisk mener. Men nå bidrar jo Fremskrittspartiet til å øke den allerede veldig store usikkerheten som er, om hvor mye alvor regjeringen mener med å kutte klimagassutslipp i transportsektoren. Og jeg siterer: «Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til svarbrevet fra Samferdselsdepartementet og vil understreke at klima og miljø er ett av tre hovedmål i målstrukturen for NTP 2018–2027. I retningslinjene for planfasen bes etatene og Avinor om å utarbeide en klimastrategi som skal prioritere prosjekter som i størst mulig grad bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.» Så vet jo alle i denne salen at siden 1990 har ulike stortingsflertall gang på gang gjentatt den typen utsagn, og alle vet hva resultatet er: I løpet av 25 år har altså utslippene fra transportsektoren økt med 30 pst. De skulle jo ned. Samferdselsministeren hevder i sitt brev, som flere andre talere har vært inne på, at det er uheldig å sette foreløpige mål

har jo Stortinget vedtatt at vi skal, på regjeringens initiativ, må vi få et mål for ikke-kvotepliktig sektor som ligger i størrelsesordenen 30–40 pst. kutt. Og det skal vi altså gjøre på bare 15 år. Det vil nødvendigvis kreve ganske grunnleggende nytenkning i transportpolitikken. Partiet Venstre har for lengst lovet at det blir 40 pst. kutt, men de blå sengekameratene til Venstre lover altså ingenting som helst. Regjeringen later til å mene at vi på den ene siden skal fortsette å sveise Norge fast til store, dyre motorveiprosjekter, uten klimaregnskap, og så skal vi på den andre siden vente med å prøve å definere hva slags klimamål disse prosjektene skal oppfylle. Det er ganske merkelig hvordan en sånn politikk skal kunne skrus sammen med de overordnede klimaforpliktelsene som Norge har. Det vi selvfølgelig må gjøre, er å slutte å late som om transportplanlegging kan skje uavhengig av klimamålene, eller som representanten Jegstad kort og godt oppsummerte det nå, fortsette en politikk hvor vi ikke ønsker å konkretisere målene – jeg gjentar: ikke ønsker å konkretisere målene. Samtidig som vi skal forplikte oss til noe sånt som 40 pst. kutt på nasjonal basis, skal vi ikke konkretisere målene for den sektoren som har hatt størst økning i utslippene de siste 25 årene. Det er temmelig vanskelig å forstå. Det dette vedtaket betyr, er en veldig klar marsjordre til regjeringen om å konkretisere målene for hvordan man skal kutte så mye som man kommer til å forplikte seg til, innen bare 15 år, og enda mye mer – og det er svært viktig – i løpet av de 15 til 25 årene som kommer etterpå. Stortinget har bedt regjeringen legge fram et forslag til en klimalov, og denne debatten er et kjempegodt eksempel på hvorfor vi trenger en klimalov. Vi trenger et lovverk som hindrer at forskjellige sektorer kan føre uten å forplikte seg til å levere en konkret andel av de samlede nasjonale målene. Men mens vi venter på den klimaloven, er dette et bra vedtak. La meg først starte med å takke representanten

Det viktigste planverktøyet i samferdselssektoren er Nasjonal transportplan. Det er derfor etter Venstres syn viktig at reduserte klimagassutslipp blir en integrert del av NTP og førende for alle tiltak i NTP. Det er allerede vedtatt at veksten i transport skal tas med sykkel, gange og jernbane. Dette er imidlertid ikke nok for at sektoren skal nå de klimamål som Norge har forpliktet seg til. Det må derfor ytterligere tiltak til som medfører reduksjon av klimagassutslippene.

En reduksjon i tråd med våre forpliktelser her vil også bety mye for at vi skal nå det samlede målet. Venstre er glad for at flertallet i komiteen er enig med oss, og ikke minst med representanten Heikki Eidsvoll Holmås. Vi vil i dag vedta at de mål vi har for klimagassutslipp i 2020 og 2030, blir førende for framlegg til Nasjonal transportplan. Dette er

Det tror jeg nok også er forklaringen på hvorfor Høyre og Fremskrittspartiet mener at selve forslaget er overflødig, rett og slett fordi regjeringen allerede er i gang med et arbeid på dette området. Og så er det opp til Stortinget, når vi fatter vedtak i 2017, sannsynligvis, om Nasjonal transportplan, å foreta vurderinger og korrigeringer og fatte de endelige vedtakene om hva transportplanen blir. La meg allikevel si at arbeidet med å kutte uønskede miljøutslipp er viktig. Vi har med dagens flertall så langt overoppfylt målsettingene i

sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, sørget for at belønningsordningen ligger 30 pst. over skjemaet for i år. Det betyr at flere byer kan satse mer på kollektive løsninger enn det som har vært målsettingen. Det er også viktig for å gi folk et alternativ til privatbil, et alternativ som gjør at de får hverdagen til å fungere samtidig som de kan reise mer miljøvennlig. På andre områder, som på sykkel og gange,

viktig. Så har vi jobbet iherdig for å få ned kostnadene på sykkelveier som skal bygges, så en får flere kilometer for pengene. Vi jobber for å sikre at en bygger dem der en kan få til bedre omlegging av transport, altså at en legger til rette for at flere ønsker å sykle. Da må en ofte gjøre dette der det er mye folk. I tillegg jobber vi med kommunene for å få til at en noen steder kan få lov til å ta mer ansvar for bygging av selve sykkelveien i håp om at vi får ned kostnadene, men opprettholder kvaliteten. Når etatene jobber med Nasjonal transportplan, har jeg sagt at de må være visjonære. Dette må ikke bare være en tilnærming der klimastrategien betyr at en skal omprioritere rekkefølgen når en bygger jernbane eller veiprosjekt. En må heller se for seg hvor en skal være i 2030 og 2050 med tanke på å ha lagt opp til ny infrastruktur for den type biler, busser og lastebiler som kjører på veiene en gang i framtiden. Det betyr at vi må se på hva slags ladeinfrastruktur en må ha rundt i landet. Hva slags syn har en på hydrogen og infrastrukturen for det? Der ser vi at det er veldig ulike syn om en spør Elbilforeningen, som vil ha masse ladepunkt i sentrum, kontra f.eks. Tesla, som ser for seg at det er viktig å ha ladepunkt mellom byene, for å gi rekkevidde. Vi må se på ITS – intelligente trafikksystemer – og bruke moderne teknologi for å hjelpe folk med

dette er mulig – det er jeg overbevist om. Det er mulig for folk å velge annerledes hvis de vet at de samtidig gjør et minst like godt valg for sin hverdag. Da er det summen av informasjon, summen av investeringer, summen av tilbud og summen av teknologi som vil være suksesskriteriet for å innfri gode klimamål – og ja, gjerne kommer lenger enn det som var planlagt. Det blir replikkordskifte. Jeg synes det er

å tenke visjonært og å tenke på hva som skal til for å ta oss dit vi skal være – på veien mot et lavutslippssamfunn. Spørsmålet er jo nettopp: Hvor skal vi være i 2030, på veien mot et lavutslippssamfunn? Vi vet i dag at EU-forhandlingene med all sannsynlighet ikke kommer til å være ferdigstilt før statsråd Ketil Solvik-Olsen legger fram sitt forslag til Nasjonal transportplan. transportplan. Det gir meg beveggrunn til å stille spørsmålet: Hva slags mål ser statsråden for seg at man skal ha i Nasjonal transportplan når den framlegges? Vil han ha et mål der? Vi har allerede kommunisert til etatene våre at det langsiktige målet i Norge er et lavutslippssamfunn. Men det vil være unaturlig for meg å stå i Stortinget og forskuttere resultatet av forhandlinger med EU,

Det samme så vi nylig i forbindelse med f.eks. endringer i regelverket for bobiler, som regjeringen allerede i fjor vår varslet å ha satt i gang med. Så fremmer Arbeiderpartiet et forslag et år senere og blir misfornøyd med at regjeringen allerede gjør jobben, slik at det ikke er noen større grunn for at det blir stemt for i Stortinget. Statsråden forholder seg ikke til spørsmålet mitt. Det jeg spør om, er: Kommer det til å være satt et klimamål være satt et klimamål i NTP dersom EUs forhandlinger med Norge ikke er ferdigstilt? Vil statsråden invitere Stortinget til å sette et klimamål for transportsektoren som er gjennomarbeidet og godt, og der statsråden skal få lov til å ha all den initiativretten han bare vil, så lenge han inviterer seg selv til Stortinget for å diskutere dette og lande et forslag? Kommer det til skje i Nasjonal transportplan, i forkant av Nasjonal transportplan, eller er det sånn at statsråden mener at dersom det ikke kommer på plass forhandlinger med EU, vil dette ikke komme til å være et mål i Nasjonal transportplan? Nå er det min målsetting at vi blir enige med EU og får det målet på plass. Så får en ta sorgene når den tid kommer. Jeg mener det er viktig at vi har en helhetlig tilnærming til klimapolitikken, at vi ser ting i sammenheng, at vi ikke splitter opp og har én målsetting vedtatt på én sektor én dag, og så jobber fram den neste en annen dag uten å se på helheten. Jeg forstår gjerne at SV er vant med å jobbe sånn, for jeg husker at da jeg satt på Stortinget som opposisjonspolitiker, ble det én dag lagt fram en klimamelding som sa at utslippene fra oljeindustrien skulle ned, men da olje- og energiministeren la fram sin oljemelding kort tid senere, framskrev den at utslippene skulle opp. Den form for målsettingstilnærming synes jeg ikke gir noen grunn til å juble, og det gir heller ingen forutsigbarhet for aktørene. Vi har en helhetlig klimapolitikk. Vi skal sørge for at vi får gode avtaler med EU som gagner klimaet, og som gagner Norge. Da kan vi ikke sitte og forskuttere en enkelt sektor

i sammenheng med andre politikkområder, f.eks. i forbindelse med avgiftssystemet på biler, der man også har en enighet om at dette er en helt sentral del av målsettingen. 2030 er bare 15 år til. Vi må handle hvert år for å nå målsettingen om reduksjoner i klimagassutslipp og har derfor ikke tid til å vente på et nøyaktig tall. Det må være enkelt å gi en tydelig bestilling for å sette mål for å redusere klimagassutslipp. Derfor er Venstre glad for dette forslaget. Men siden vi må bruke hvert år, vil jeg benytte anledningen til å spørre om dagens vedtak: det en tydelig bestilling f.eks. til Statens vegvesen at vi ikke skal ha trafikkøkning annet enn i kollektivtrafikk, sykkel og gange i de tildelingsbrevene og bestillingene som nå går I det vi har bestilt fra våre etater, ber vi om retningslinjer for planfasen, at etatene og Avinor utarbeider en klimastrategi som skal prioritere prosjekter som i størst mulig grad bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, altså tar oss i den retning. Vi har også sagt at målet for transportsektoren er formulert som følger: «Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Så vil det alltid være en diskusjon – og den skal vi ta i neste sak om en får lov til å bygge vei, ut fra et klimaperspektiv. Jeg mener at her må vi ha flere tanker i hodet på en gang. For det første vet vi at det allerede mange steder er kø. Det betyr at kollektiv- og næringstransport sliter. Det er et argument for at vi bør bygge bedre veier. Et annet argument er at vi samtidig ser at det skjer en teknologiutvikling innenfor kjøretøysektoren som gjør at det som i dag oppfattes som et punktutslippsproblem, når neste generasjon kjører på veien, sannsynligvis i all hovedsak vil være når neste generasjon kjører på veien, sannsynligvis i all hovedsak vil være løst. Er

som reflekterer omtrent det kuttnivået? Som jeg allerede har sagt, er det unaturlig for meg å begynne å signalisere sånne tall som statsråd når man representerer en regjering som skal ha forhandlinger med EU. Vi ønsker å få en klimapolitikk som henger sammen, som er godt fundert, og som gjør at vi bruker ressursene våre på en best mulig måte. Da må vi sørge for at vi får gjennomført kutt der vi får mest mulig effekt av

Representanten Heikki Eidsvoll Holmås får en siste replikk, siden representanten Rasmus Hansson ikke brukte sin andre replikk. Vi får være fleksible. Takk, jeg er glad for fleksibiliteten. Denne replikkvekslingen har egentlig avklart alt, og avklart at det er utrolig viktig at Stortinget vedtar det vi vedtar i dag.

samferdselssektoren. Det gjør vi i forbindelse med Nasjonal transportplan, fordi det er det absolutt viktigste dokumentet som beskriver planene fram til 2029 – til den ellers så informerte Jegstad – hvis vi skal tolke statsrådens brev på den måten jeg i hvert fall leser det rett fram: fra 2018 til 2029. Derfor er spørsmålet mitt: På hvilket tidspunkt vil statsråden involvere Stortinget i å fastsette et klimamål for samferdselssektoren? Vil han gjøre det før framleggelsen av NTP eller i NTP? Nå synes jeg igjen vi begynner å ta masse sorger på forskudd, fordi representanten Eidsvoll Holmås har hørt rykter om et eller annet. Jeg mener vi skal forholde oss til det som skjer, sammen med EU. Vi skal forhandle, og min målsetting er å komme på plass med dette så fort som mulig. mulig. Hvis vi ser at dette blir problematisk, kommer vi tilbake. Men jeg nevner igjen at vi allerede er i gang, og det skal legges fram en klimastrategi i dette. Det er noe som den forrige regjeringen ikke gjorde. Nå ser jeg at i opposisjon synes Heikki Eidsvoll Holmås at det han selv ikke gjorde, er blitt fryktelig viktig å gjøre. Der leverer vi, og så skal vi komme tilbake og få det på plass. Men jeg mener også at det er viktig å få en god klimapolitikk som henger sammen. den form for politikktilnærming som Heikki Holmås praktiserte da han selv var representant i et regjeringsparti, der han la fram en oljemelding som ville øke utslippene, mens klimameldingen sa det skulle gå ned – når det mangler den form for sammenheng – hjelper det ikke mye å snakke om måltall. Det blir ikke troverdig. Replikkordskiftet er omme. Jeg synes ikke en skal reise langt for å finne regjeringer som taler med to tunger, når vi

tydelige planer om når man skal legge fram klimamåltall for samferdselssektoren. Det mener jeg det er verdt å merke seg for oss som sitter i energi- og miljøkomiteen. For å belære statsråden på spørsmålet om klimamålene: Det er altså sånn at vi har kvotepliktig sektor. Der kommer industrien til å få akkurat de samme rammebetingelsene hvis vi får til en ny avtale med EU. Det tror jeg vi får, for alle signaler fra EU tyder på at det skal gå bra. Der kommer vi til å få de samme betingelsene for norsk næringsliv som for øvrig næringsliv. Så er det ikke-kvotepliktig sektor: Det er samferdselssektoren, jordbruk og oppvarming. Det er altså svært begrenset. Det er en avgrenset del av norske utslipp, og samferdselssektoren står for hovedvekten av Hvis man da tror at man kan komme og legge fram en nasjonal transportplan og ikke ha et tydelig mål for hvor man skal være i 2030, og ikke sørger for å hugge i stein hvordan man skal føre en politikk på samferdselsområdet som skal ta oss dit innen 2030, da bommer man fundamentalt, eller så har man ingen planer om å nå de målene som faktisk skal framforhandles med EU. Derfor er jeg utrolig glad for at Stortinget i dag vedtar at Nasjonal transportplan skal framlegges med tydelige klimamål for 2020 og 2030. Og siden det er umulig å få statsråden til å si om han har tenkt å forankre de målene i Stortinget i forkant av Nasjonal transportplan, eller om de skal komme i Nasjonal transportplan, anser jeg at dette er en sak som vi er nødt til å forfølge, med både klima- og miljøministeren og samferdselsministeren, helt til vi får et skikkelig svar. Hvis ikke er det vi, som ansvarlige partier på Stortinget, som blir nødt til å sørge for at vi har en nasjonal transportplan som er lagt fram for oss, og der vi ikke skal sitte på Stortinget og prøve å finne ut det faglige grunnlaget for hva slags transportpolitikk som skal til for å nå de forpliktelsene som regjeringen regjeringen har tatt initiativ til overfor Stortinget å få oss med på at vi skal inngå med EU. Til statsrådens slengbemerkning om at representanten Eidsvoll Holmås har plukket opp et eller annet rykte et eller annet sted fra: Vi, representanter som følger med her og deltar på møter, har fått beskjed fra statsråd Tine Sundtoft om at dette er det vi kan forvente av forhandlingene med EU. Dette er altså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

debatt. Stortingsflertallet er svært opptatt av at for å få ned klimautslippene må vi iverksette tiltak i transportsektoren. Så er vi nok noe uenige om virkemidlene og tidfestingen, som vi nettopp hørte, men i det store og hele er det ingen tvil om at vi er nødt til å foreta oss noe innenfor transportsektoren.

og i målsettinger Stortinget har vedtatt, heter det at framtidig vekst i persontrafikken i Oslo-området skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det må være førende for transportpolitikkene i årene som kommer. Derfor må det legges opp til en kraftig utbygging av kollektivtilbudet i Oslo-området, og det må satses sterkt på tiltak for økt sykkelbruk.

Oslo og Akershus må, slik de har klart så langt, bli enige om hvilke prosjekt som skal ligge i pakka. Det er jeg helt sikker på at Oslo og Akershus også denne gangen blir enige om. Det er selvfølgelig litt forskjellige vektlegginger av ulike prosjekter i Oslo og Akershus, og det er ingen grunn til å legge skjul på at en fra Oslos side uttrykker bekymring for økt utslipp fra biltrafikken og økt press på trafikkbildet i Oslo sentrum. Det er ingen som mener noe annet enn at vi skal ta trafikkutfordringene i Oslo på alvor. Det er ingen som mener noe annet enn at vi skal høre på hva Oslo kommune anfører. Men vi er også nødt til å finne løsninger på trafikkutfordringene i Vestkorridoren. Så her må vi ha to tanker i hodet samtidig. Vi må rydde opp i trafikkforholdene i Vestkorridoren, og vi er nødt til å finne løsninger på trafikksituasjonen i Oslo. Så ambisiøs er altså Stortinget at vi sier at når E18 er ferdig utbygd, skal utslippene fra biltrafikken være lavere enn hva de er i dag. Det er jeg helt sikker på at vi skal få til. For det første må vi bygge ut kollektivtrafikken, og det er ikke mulig i dag når det gjelder busstrafikken, å få noe økning på E18, i hvert fall ikke i særlig grad, fordi bussen står i den samme køen som biltrafikken gjør. Det er helt sprengt. sprengt. I tillegg er E18 et stort nærmiljøproblem i Vestkorridoren. Mange er opptatt av kostnadene for E18. Det bør vi alle være, og både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har sagt at Vegvesenet bør foreta seg noe og se nærmere på om en kan få ned kostnadene. Ingen ønsker å bruke mest mulig penger på veg. Men det er et paradoks at E18 også er et prosjekt for å rydde opp i nærmiljøet, rydde opp i nærmiljøet, rydde opp i et trafikkbilde som medfører at biltrafikken går gjennom boligområder f.eks. Skal en rydde opp i nærmiljø, er det ønskelig lokalt å bygge mange tunneler. Å bygge tunneler er dyrere enn å ha vegen i dagen. Så jo bedre vegen er for nærmiljøet i Vestkorridoren, jo dyrere kan prosjektet bli. Uansett er det stor enighet om at en skal se på kostnadene for E18-utbyggingen, men vi må altså ikke reise tvil om prosjektet som sådan. Det trengs ny E18. Jeg tenkte jeg skulle informere litt om Oslopakke 3, siden Oslopakke 3 er

fra 2007–2014, har veksten i befolkningen i Oslo og Akershus vært 14 pst. Det utgjør altså 151 000 mennesker. Det er 20 000 mer enn det bor i Stavanger – for å si det sånn – på syv år. På grunn av dette har utviklingen i kollektivtrafikken i Akershus økt med 47 pst. Kollektivtrafikken i Oslo har økt med 35 pst. Veitrafikken i Akershus har økt med men der må vi huske på at når veitrafikken øker, er ikke det bare persontrafikk, det er også næringstrafikk, og den vil svært ofte øke i takt med befolkningen, uten at den dermed skal gå inn i regnskapet – mens veitrafikken i Oslo har vokst 1 pst. Men trafikken gjennom bomringen og det er inklusive elbilene – har gått ned 7 pst. på de syv årene. Det er altså et resultat jeg tror vi kan være veldig stolte av: Med en vekst i befolkningen på 151 000 nye innbyggere har vi greid å få biltrafikken gjennom bomringen ned 7 pst. Ser man på kollektivandelen i motorisert trafikk, har Oslo hatt en økning i andel motorisert trafikk – altså Oslo hatt en økning i andel motorisert trafikk – altså ikke sykkel og gange, men motorisert kollektivtransport – fra 37 til 44 pst., og Akershus har hatt en økning fra 14 til 21 pst. Ser man på bruken av midlene i Oslopakke 3, bruker man 60 pst. til kollektiv og 40 pst. til vei. Det er en del av «dealen» som man har gått inn i med de andre partiene, partiene, og det følger man. I tillegg er det verdt å nevne to prosjekter som er ganske tunge, og som ligger inne i Oslopakke 3. Det er E18 Vestkorridoren, som vi snakker om i dag, og det andre er Manglerudtunnelen, som skal kjøre E6 i tunnel under Manglerud. De to prosjektene ble på en måte dratt ut av Oslopakke 3 ved forrige rullering. Man skjønte at disse prosjektene koster mer enn det man kan ha innenfor en sånn bypakke, bl.a. på grunn av nedbetalingstiden. Så i dag er det som skal gå fra Oslopakke 3 til E18, begrenset til 6 mrd. kr. Resten skal man ta inn på annen måte og ved annen betaling.

feltene skal graves ned, vesentlig i tunell. Det skal bygges en langsgående bussvei, og det skal bygges en sykkelvei helekspress fra Oslo til Asker. Men i tillegg skal man rydde opp i tverrforbindelsen mellom Gjønnes og Fornebu, hvor det også skal bygges kollektivfelt, slik at kollektivandelen i Bærum vil øke med de investeringene som man gjør. Så har Asker også etter hvert kommet inn i prosjektet og er med på å dra prisen opp. Til slutt kan man nevne at momsen ble økt fra 9 til 25 pst. fra 1. januar 2013, og det i seg betyr en vesentlig kostnadsøkning som ikke prosjektet kan lide av, men som er et rent nullspill for staten. Vi er for så vidt fornøyd med det som ligger her. Høyre er med på merknadene som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har hatt. Men jeg må jo si at jeg håper at neste gang vi skal ha denne saken i Stortinget, er det for å få prosjektet i gang.

Alle samferdselspolitikere kan det selvfølgelig utenat, men for ordens skyld minner jeg om hva som står i klimaforliket fra 2012: «veksten i persontransporten som denne befolkningsøkningen fører med seg må tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Det kan virke som både regjering og politisk ledelse i Oslo og Akershus i liten grad har fått med seg dette vedtaket som er fattet i Stortinget. Klimaforliket som la opp til kutt på 5 pst. i 2020, har altså foreløpig ført til økning i utslipp i transportsektoren på 30 pst., mens vi, som vi nettopp har snakket om, står overfor en situasjon hvor det på regjeringens initiativ sannsynligvis vil bli nødvendig med 40 pst. kutt i samferdselssektoren de neste 15 årene, altså en helt ny samferdselsvirkelighet.

ferdig planlagte prosjekter som ikke samsvarer med overordnede klimamål, faktisk må tenkes om igjen. Klimagassutslippene fra veitransporten må kraftig ned. De nåværende planene for E18 vil gjøre det veldig vanskelig for Oslo og nabokommunene å nå sin andel av de vedtatte klimamålene og de klimamålene som kommer. kommer. For det andre: Skal framtidas byer og tettsteder faktisk gi oss bedre livskvalitet, må fotgjengere, syklister og kollektivtransport få tilbake den plassen som bilene tar i dag. Det er ikke spørsmål om begge deler, det er spørsmål om å gi plassen til folk og kollektivtrafikk, og det er spørsmål om å ta den fra biler. I innstillingen later det til at Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet – jeg er ikke helt klar over hvor Venstre står – opptrer som om E18-utbyggingen ikke har betydning for framdriften av andre kollektivtransportprosjekter i Oslo-området, altså at ingen av de milliardene som E18 skal koste staten og trafikantene, trafikantene, i stedet kan brukes til å bygge T-banetunnel, Fornebubanen, Ahusbanen, jernbanetunnel under sentrum osv. Det er viktig nå å innse at Ole Brumm ikke er noen god ledestjerne for samferdselspolitikken. Vi blir nødt til å velge, og vi blir nødt til å velge det som klimaforliket for lengst har vedtatt:

vil være lavutslippsbiler, vil de fortsette å ta like mye plass fra andre trafikanter. De Grønne støtter forslagene fra SV og Venstre som er fremmet i innstillingen. Det burde være en selvfølge at store samferdselsprosjekter i Oslo-området, hvor staten skal finansiere store deler av kostnadene, er i tråd med klimaforliket. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp det forslaget han refererte

Dette er en sak som også Venstre er opptatt av, og vi registrerer et stort lokalt engasjement i saken, naturligvis. Vi er i gang med det grønne skiftet, og Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene. Vi må derfor ta dette inn over oss i alle prosjekter som planlegges og bygges framover, og spesielt hva gjelder samferdselsprosjekter. Dette er en sektor som bidrar med en vesentlig del av Norges klimagassutslipp. Nye samferdselsprosjekter må derfor tilrettelegges slik at de blir gode, alternative og attraktive måter å forflytte seg på, som er mer klimavennlig enn bruk av fossile energikilder. for utbygging av E18 Vestkorridoren er svært høye. Vi ønsker at det i det videre arbeidet med prosjektet gjøres justeringer som sikrer at kostnadene reduseres betydelig. Vestkorridoren bygges slik at det sikrer en bedre kollektivframføring for buss enn det det er i dag, og det må være gjennomgående høy standard av sykkelvei langs hele ruten. Da vil det være gode alternativer til bruk av bil på strekningen. På store veier mener Venstre at det På store veier mener Venstre at det er en fordel med et miljøfelt som kan være forbeholdt elbiler, samkjøring o.l., og det bør etableres også på E18. Jeg noterte meg at representanten Rasmus Hansson fra MDG var inne på om hvorvidt arbeidet med E18 osv. kan fortrenge andre prosjekter og viste til merknaden som et flertall har sluttet seg til, deriblant Venstre, men her er også her er også Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet med. I forbindelse med dette vil dette flertallet understreke at «finansieringen av E18 Vestkorridoren ikke må gå på bekostning av statlige bidrag til kollektivtiltak i regionen, som ny T-banetunnel, Fornebubanen og Ahusbanen». Det er veldig positivt at Stortinget slår dette fast i en slik flertallsmerknad. Jeg viser også til de tre forslagene som Venstre fremmer i dag. Forslag nr. 1 lyder: «Stortinget ber regjeringen sikre at ny E18 Vestkorridoren er i tråd med klimaforliket.» Forslag nr. 2 lyder: «Stortinget ber regjeringen følge anbefalingen fra byrådet i Oslo og utrede å ta ett av dagens felter på E18 vestover og omgjøre til miljøfelt for elbiler, kameratkjøring og eventuelt andre grupper.»

Den reglementsmessige tiden for kveldsmøtet er nå omme, og presidenten vil foreslå at møtet fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. Som representanten Jegstad var inne på, er dette en sak som helt sikkert vil komme til Stortinget mange ganger. Det er fordi det er et kjempesvært veiprosjekt som har enorm betydning for innbyggerne i Oslo, som per dags dato lever med helseskadelig luft, og som vil få leve med mer helseskadelig luft dersom dette veiprosjektet blir gjennomført, slik det foreligger i dag. Det er i tillegg et dyrt prosjekt som innebærer at vi alle sammen er forpliktet til å ta diskusjonen om hvordan vi bruker samfunnets ressurser best. Og det er et prosjekt som jeg helhjertet mener planlegges i strid med flere av Stortingets føringer.

er i tråd med de vedtak som Stortinget har fattet. Ett av dem ble lest opp av representanten Rasmus Hansson her i sted, nemlig målet om at all vekst i persontrafikk inn til de store byene våre skal tas med kollektiv transport, gange og sykkel. Da setter jeg et stort spørsmålstegn ved om dagens E18-prosjekt som planlegges av Statens vegvesen, er i tråd med den målsettingen. Jeg tror ikke det.

Men det vi skal blande oss inn i, er at planleggingskapasiteten til staten brukes i tråd med det som er statens vedtatte politikk. Statens vedtatte politikk er at det ikke skal bygges ut veier. Det skal ikke bli en trafikkvekst med biler inn til Oslo. Den trafikkveksten skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

På Ring 3, som for tiden er stengt, er det slik at man anslår at veksten i personbiltrafikken vil være på 50 pst., nettopp av den grunn som Jegstad selv trakk fram. Det er mye større kapasitet inn til Oslo enn det er fram til denne flaskehalsen på Lysaker. Men Stortinget har vedtatt at vi ikke vil utnytte denne ekstra kapasiteten inn til Oslo. Vi vil ikke utnytte den til flere personbiler. Vi vil utelukkende utnytte den til økning gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Det har Stortinget stemt over. Det har vi slått fast. Alle her er enige om det. Men da må vi følge det opp i praksis, og det er derfor vi har fremmet dette forslaget, som i dag er tatt opp igjen av Venstre. Jeg må innrømme at jeg er overrasket over at det ikke får større oppslutning, at det viser seg at Stortinget kanskje ikke har til hensikt å følge opp sine egne vedtatte planer, at regjeringspartiene kanskje ikke har til hensikt å følge opp det Stortinget har vedtatt om det som handler om klimaforliket – der altså miljøministeren, statsministeren og andre til stadighet uttrykker at de vil forsterke klimaforliket. Her er det ikke sikkert at vi